har gått med på

før hun tok bokhandlerskolen i 1953. Deretter arbeidet hun i mange år som bokhandlermedhjelper og som sekretær i advokatforretninger. Thea Knutzen bodde det meste av sitt liv på Sortland, hvor hun samtidig markerte seg som en samfunnsengasjert innbygger, bl.a. med engasjement i Sortland folkebiblioteksamling og i den Hun deltok også i lokalpolitikken og representerte Høyre i Sortland kommunestyre og formannskap gjennom flere perioder. I en lang periode var hun medlem av Nordland Høyres fylkesstyre, og i årene 1975–1981 var hun nestformann i styret for Norsk rikskringkasting. Thea Knutzen var i stortingsperioden 1981–1984 første vararepresentant for Nordland og møtte jevnlig på Stortinget gjennom hele perioden. Ved stortingsvalget høsten 1985 ble hun innvalgt som fast representant. Hun ble gjenvalgt i 1989, men valgte i 1993 å trekke seg tilbake for å få mer tid til familien. På Stortinget var hun først medlem av kirke- og undervisningskomiteen og deretter av forbruker- og administrasjonskomiteen. I perioden 1989–1993 var hun medlem av sosialkomiteen. I denne perioden var hun også

Representantene Gunvor Eldegard, Jenny Klinge, Lisbeth Berg-Hansen, Eirik Sivertsen ogTrond Giske, som har vært permittert, har igjen tatt sete. Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete: For Aust-Agder fylke: Line Kysnes Vennesland For Vest-Agder fylke: Kjell Ivar Larsen For Akershus fylke: Thore Vestby og Anne Odenmarck For Finnmark fylke: Ingalill Olsen og Monica Hauge Stiansen For Hedmark fylke: Rangdi Krogstad og Salbu For Nordland fylke: Dagfinn Henrik Olsen og Jonny Finstad For Oslo: Vegard Grøslie Wennesland For Rogaland fylke: Sissel Knutsen Hegdal For Sogn og Fjordane fylke: Tor Bremer For Nord-Trøndelag fylke: Gunnar Viken For Østfold fylke: Wenche Olsen Det fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Eirik Sivertsen i tiden fra og med 13. juni til og med 17. juni for å delta i arktisk parlamentarikerkonferanse i Ulan-Ude, Russland fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Anna Ljunggren fra og med 13. juni og inntil videre fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Hadia Tajik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

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at Stortinget fraviker bestemmelsen i forretningsordenen § 59 første ledd og foretar votering etter at finanskomiteens saker, sakene nr. 1–6, er ferdigbehandlet, og deretter samlet votering etter sakene 7–41 ved slutten av dagens møte. Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, Videre vil presidenten opplyse om at møtet vil fortsette utover kl. 16. Presidenten vil foreslå at sakene nr. 1–3 behandles under ett. – Det anses vedtatt. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 1 time og 45 minutter, og at taletiden blir fordelt slik: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 suverenitetsoverføringen vi har hatt i Norge siden 1992. Det er andre gang i vårt lands historie at vi bruker § 115, tidligere § 93. Det viser alvorlighetsgraden i saken vi skal behandle. Etter høringen har det kommet vesentlige motforestillinger som vi i Senterpartiet mener ytterligere begrunner en utsettelse av behandlingen av denne saken. Professor Eivind Smith, Stortingets fremste rådgiver i grunnlovsspørsmål og landets fremste ekspert, har uttalt: «Løsningen regjeringen ønsker å få Stortinget med på, er mest en rent formalistisk omgåing av kravene til myndighetsoverføring i Grunnloven.» Det sa han den 24. mai. Den 28. mai kunne vi lese – etter å ha hørt både Elisabeth Aspaker og Siv Jensen snakke om at det skulle være reelle vurderinger i ESA – at det kun er én mann som skal sitte og gjøre ESAs vurderinger opp mot EUs enorme system med over 600 ansatte. Det bekrefter at det er rene kopivedtak, og at det er en omgåelse av Grunnloven, det som vi nå blir invitert til å gjøre. I tillegg har vi fått opplyst etter høringen at Island kommer til å bruke lengre tid, at det er stor usikkerhet om hva som kommer til å bli resultatet i Alltinget, og at det tidspresset som regjeringen har lagt på Stortinget, dermed ikke lenger har gyldighet,

finansreguleringsekspert i Brussel, advarte på det sterkeste mot det som nå er i ferd med å skje. I proposisjonen står det at dette handler om regulering, men som han sa: Alt handler om deregulering – altså det motsatte av det som står i proposisjonen. Medlem i det norske Finanskriseutvalget, Erik S. Reinert, har stilt vesentlige spørsmål om vi kunne gjøre det samme som den norske staten gjorde på starten av 1990-tallet med å overta norske banker i en krisesituasjon, eller det vi gjorde i 2008. Vi har heller ikke fått belyst om de motforestillingene er rett eller feil, men det er svært tunge motforestillinger, som bør bli belyst før man tar en endelig beslutning. I store saker tar vanligvis Stortinget seg god tid. Man inviterer til høring, man får fram motforestillingene, og man er trygg på den beslutningen man tar. Men i den største saken har vi valgt å haste det igjennom. Vi inviterte til høring på en tirsdag, som ble avholdt på torsdag. Det var ikke mulig for folk å melde seg på. Det var personer som ble oppringt og oppfordret der og da. Det gikk så fort at det var ikke mulig å få fram motforestillingene ordentlig. Gjennom saksbehandlingen har det kommet stadig flere motforestillinger fra landets tyngste eksperter. Eivind Smith har advart mot det, det juridiske miljøet ved Universitetet i Bergen har advart mot det, det juridiske miljøet ved Universitetet i Tromsø har advart mot det. Så de tyngste juridiske miljøene har advart mot at dette kan være grunnlovsstridig, og vi får stadig flere motforestillinger også fra de finanspolitiske miljøene i Norge. Derfor ber jeg om at vi kan få bedre tid til å behandle saken, at vi utsetter den, slik at Stortinget vet hva det gjør, og slik at vi får en opplyst og god debatt før vi skal fatte en endelig beslutning. Jeg oppfatter det slik at representanten Slagsvold Vedum har fremsatt et utsettelsesforslag. Det skal da tas opp til behandling før vi går til selve saken.

Senterpartiet. Til behandlingen av saken i komiteen vil jeg bemerke at jeg som saksordfører ble valgt 26. april, og vi vedtok høring den 4. mai, som ble bekjentgjort den 6. mai. Så det har vært noe lengre tid enn det foregående taler framholdt. Vi mener saken er grundig redegjort for i proposisjonen. den løsningen vi skal behandle i dag, er også godt kjent fra før, så Arbeiderpartiet går inn for å behandle saken i dag og går imot utsettelsesforslaget.

Jeg har for så vidt sympati for det Slagsvold Vedum kommer med, men det er noen punkter jeg ikke er enig med ham i. Vi har hatt en grundig behandling av saken i komiteen, men jeg har forståelse for at noen ønsker mer tid, eller kanskje riktigere: Senterpartiet ønsker at andre bør ha mer tid i denne saken. men jeg har forståelse for at noen ønsker mer tid, eller kanskje riktigere: Senterpartiet ønsker at andre bør ha mer tid i denne saken. Jeg opplever at vi egentlig hadde denne debatten på fredag. Da hadde vi spørsmål knyttet til akkurat det samme, og vi må nå konstatere at det ikke var flertall for noen av forslagene som da ble fremmet, fra både Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Vi er derfor ønsker som sagt at regjeringen går tilbake til forhandlingsbordet, og det bør de gjøre så raskt som mulig. Vi er for så vidt beredt til å behandle saken nå, men det er under den forutsetning at det gikk som det gikk på fredag.

Den er grundig juridisk utredet. Derfor er det Fremskrittspartiets innstilling at vi ønsker å behandle saken i dag. Vi kommer altså til å stemme imot forslaget om å utsette behandlingen. Det er grunn til å spørre seg om en utsettelse i realiteten ville fått noen av Det er veldig lite som tyder på det. Sannsynligheten for det er så å si ikke tilstedeværende, så vi anbefaler at vi får en behandling og et vedtak i dagens møte.

påstand. Det paradoksale er at representanten Slagsvold Vedum sjølv har sete i ei regjering som i tre år brukte betydelege ressursar på å finna ei løysing på denne saka – eit arbeid som dagens regjering har fortsett. Saka har vore lagt fram for Stortinget fleire gonger årleg sidan 2010, både i gjennom utgreiingane til europaministeren og i Europautvalet. Og sjølv om saka utvilsamt medfører vanskelege vurderingar, har eg vanskar med å sjå at ein oppnår noko med å utsetja henne. Av den grunn stemmer ikkje Venstre for

budsjettene. Og behandlingen i komiteen er etter min erfaring ikke uforsvarlig på noen som helst slags måte. Vi har hatt en høring, vi har fått gode innspill, og komiteen har hatt full anledning til å behandle dette slik som både store og mindre saker i dette huset skal behandles. Jeg synes det er få holdepunkter for å si at dette ikke vil være en forsvarlig behandling. Derfor vil vi stemme imot utsettelsesforslaget. Flere har ikke bedt om ordet for å kommentere utsettelsesforslaget, og vi ringer inn til votering.

Først vil jeg takke komiteen for godt samarbeid om innstillingen og god behandling av saken. Det er grundig redegjort for saken i proposisjonene. Jeg vil gjennomgå enkelte sider ved saken og den offentlige debatten om den, og redegjøre for flertallsinnstillingen bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, og for Arbeiderpartiet sitt syn. Jeg regner med at mindretallet redegjør for Finanskrisen i 2008 var internasjonal og avdekket at mange banker i en rekke land ikke var tilstrekkelig solide. Mange tok til orde for felles internasjonal regulering og tilsyn med banker og finansnæringen. EU-landene vedtok i 2010 å opprette et nytt, felles finanstilsynssystem, bestående av de nasjonale finanstilsynene og fire nye institusjoner, for å styrke soliditeten til og få enhetlig regelanvendelse og tilsyn med finansnæringen i Europa. Dette er Den europeiske banktilsynsmyndighet , Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon , Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet og Det europeiske råd for systemrisiko Fram til 2010 har EU hatt et samarbeid om felles tilsyn mellom de nasjonale finanstilsynene, der også det norske finanstilsynet har deltatt. Det har også deltatt som observatør i det nye finanstilsynssystemet fra 2010. Det har gitt det norske finanstilsynet mulighet til å påvirke og sette seg inn i felles regelverk som gjelder for det europeiske markedet, der norske banker og finansinstitusjoner deltar gjennom EØS-avtalen på like fot med europeisk finansnæring. For at konkurransevilkårene fortsatt skal være like for alle som deltar i det indre markedet, også på finansområdet, krever EU at EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein omfattes av de samme krav og regler på finanstilsynsområdet som EU-landene. EUs nye finanstilsynssystem skal derfor innlemmes i EØS-avtalen. Det har pågått forhandlinger mellom EU og EØS-landene siden finanstilsynssystemet ble opprettet, om hvordan dette kan gjøres. Forhandlingene ble avsluttet i oktober 2014, og regjeringen legger i proposisjonene fram det

fortsatt deltar fullt ut i EUs tilsynsmyndigheter, men uten stemmerett, slik de har gjort på uformelt grunnlag siden opprettelsen av dem i 2011. Løsningen innebærer også at ESA har rett til å delta i EUs tilsynsmyndigheter uten stemmerett, og omvendt. Den framforhandlede løsningen innebærer altså at det fortsatt er det norske finanstilsynet som skal føre tilsyn med de norske finansinstitusjonene, mens ESA overvåker at felles regler for finanstilsyn følges, slik ESA også gjør på andre områder som er omfattet av EØS-avtalen. I tillegg kan ESA treffe tiltak direkte overfor finansinstitusjonene innenfor enkelte områder, og EFTA-domstolen bli tillagt domsmyndighet. Flertallet i komiteen går inn for den framforhandlede løsningen. Enkelte motforestillinger som har vært fremmet mot den framforhandlede løsningen,

og utgjør ikke i seg selv noen utøvelse av myndighet overfor private aktører i EØS/EFTA-statene. Utkastet fra EUs tilsynsmyndigheter er heller ikke rettslig bindende for EFTAs overvåkningsorgan». Et poeng med et felles marked, som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen, er at alle som deltar, opplever å ha like konkurransevilkår i det markedet. Det er ut fra det også et poeng at felles vilkår og regler følges, og at tilsyn og oppfølging med dette også er rimelig likt. Det burde derfor ikke være noen overraskelse at ESA skal basere seg på utkast fra EUs tilsynsmyndigheter når de skal gjøre vedtak overfor finansinstitusjoner eller finanstilsynet. At ESA likevel står rettslig fritt, er en viktig presisering. Det hevdes også at det norske finanstilsynet nå ikke kan vedta strengere regler for norske banker og norsk finanssektor enn det EU har. Jeg skal ikke uttale meg på generelt grunnlag om hvordan dette vil bli, men per i dag er det i hvert fall slik at de kan det. En sak som har vært omtalt i bl.a. Dagens Næringsliv den 4. april 2016, som gjelder nye kapitalkrav for norske pensjonskasser, viser det. Her har det norske finanstilsynet vedtatt strengere regelverk for norske pensjonskasser enn de felles reglene som er vedtatt i EU ved at pensjonskasser og livforsikringsselskaper skal likestilles med hensyn til soliditetsregler, noe pensjonskassene, virksomhetene og medlemmene mener kan gi dårligere pensjon til medlemmene og høyere pensjonskostnader for virksomhetene, ifølge avisen. Dette viser at det i hvert fall slik det fungerer i dag, kan gjøre det, og jeg har ingen grunn til å tro at det skal bli annerledes framover, forutsatt at det er Det framføres også at norske finansinstitusjoner ikke har møtt problemer på det europeiske markedet siden EU opprettet sine finanstilsyn, og at det derfor ikke haster med noen avklaring. Finanstilsynene i EU trådte i kraft i 2010/2011. Etter EØS-avtalen skal nytt regelverk tas inn i EØS-avtalen senest seks måneder etter at det har trådt i kraft i EU. Forhandlingene har pågått siden 2010. Ifølge proposisjonen er det et stort antall rettsakter som ikke er innlemmet i EØS-avtalen, i påvente av en løsning. Det gjør at det er økende sprik mellom plikter og rettigheter mellom landene i EU og EØS. Dersom nytt regelverk ikke implementeres i EØS-avtalen, kan det etter hvert bli spørsmål om hvordan EØS-avtalen skal videreføres, og som

For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre EØS-avtalen i det videre samarbeidet med EU, og gjennom den bidra til at finansnæringen og andre næringer fortsatt har tilgang til det europeiske markedet på like fot med europeiske næringer. Det er viktig for næringen, og det er viktig for Norge. Arbeiderpartiet mener denne løsningen sikrer det. Så til forholdet til Grunnloven. Forslaget innebærer overføring av overvåknings- og tiltaksmyndighet til EFTAs overvåkningsorgan ESA og domsmyndighet til EFTA-domstolen. Denne myndighetsoverføringen vurderes av regjeringen som mer enn lite inngripende, og det bes derfor om Stortingets samtykke i medhold av Grunnloven § 115. Grunnloven § 115, før § 93, er tidligere benyttet én gang, da EØS-avtalen ble inngått i 1992 og kompetanse ble overført til ESA og EFTA-domstolen på konkurranseområdet. Nå foreslås det at myndighet overføres til de samme institusjonene på finanstilsynsområdet. Den konstitusjonelle siden av saken er grundig omtalt i Prop. 100 S, hvor lovavdelingens vurderinger av myndighetsoverføringen til ESA og EFTA-domstolen i forbindelse med deltakelsen i EUs finanstilsynssystem er lagt fram. Lovavdelingen gir som kjent sine juridisk-faglige vurderinger som et ekspertorgan uavhengig av den politiske ledelse. Hittil har prosedyren i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd vært benyttet i alle tilfeller hvor Stortingets samtykke har blitt innhentet for Norges tilslutning til EØS-komitébeslutninger som innlemmer nye rettsakter med tilpasninger i EØS-avtalen som innebærer da terskelen for lite inngripende myndighetsoverføring ikke har blitt ansett overskredet. Det framgår av Prop. 100 S at Finansdepartementet har innhentet i alt fire vurderinger av de konstitusjonelle forholdene ved de ulike modellene som har vært framme i forhandlingene om EØS-tilpasningen, og som de bygger framlegget på. Lovavdelingens vurderinger er altså at deler av myndighetsoverføringen på finansområdet er mer enn lite inngripende, og anbefaler at saken derfor behandles etter Grunnloven § 115, som krever tre fjerdedels flertall. Det er imidlertid Stortinget selv som vurderer både om dette er i tråd med Grunnlovens bestemmelser og hvilken paragraf saken bør behandles etter. Men det er lang og sikker tradisjon for at Stortinget bygger sine vurderinger på det grunnlaget regjeringen legger fram, og regjeringen er konstitusjonelt ansvarlig for at den informasjonen som gis, er korrekt og dekkende. De konstitusjonelle sidene ved denne saken har også vært en del av behandlingen i finanskomiteen og i utenrikskomiteen. Finanskomiteen hadde en grundig høring i saken, hvor også disse spørsmålene ble godt belyst. Flertallet støtter regjeringens vurdering. Til slutt: Enkelte mener at Stortinget burde brukt lengre tid på å behandle denne saken. Det var vi også innom i forkant av behandlingen i dag. Hvorfor saken ble lagt fram av regjeringen for behandling i Stortinget såpass sent i vårsesjonen, må regjeringen selv svare på. Saken ble imidlertid oversendt Stortinget innenfor den fristen Stortinget hadde satt, den 15. april, for at regjeringen kan påvente å få saken behandlet i vårsesjonen. Om komiteen skulle brukt lengre tid, er en vurderingssak, men det var en enstemmig komité med unntak av Senterpartiet som vedtok å behandle den nå. Det er heller ingen ny og ukjent sak. Den har vært kjent og diskutert siden EUs finanstilsynssystem ble opprettet i 2010, da den ble ansett EØS-relevant. Forhandlinger mellom EØS-landene og EU har pågått like lenge, og Stortinget er jevnlig blitt informert om framdriften, gjennom finansmarkedsmeldinger, statsbudsjett, utenriksministerens redegjørelser om EU/EØS og i Europautvalgets møter, av både den forrige og den nåværende regjering. I Europautvalgets møte den 13. oktober 2014 gjennomgikk finansministeren og europaministeren hovedtrekkene i den foreliggende løsningen vi behandler her i dag, om at den er innenfor to-pilarsystemet i EØS-avtalen, og at den innebærer overføring av myndighet på enkelte områder til ESA og EFTA-domstolen, som forutsetter samtykke fra Stortinget med tre fjerdedels flertall, jf. Grunnloven § 115. Stortinget har også vært løpende orientert om saken, som startet under den forrige regjering, noe som har vært viktig for oss i behandlingen av den.

og går inn for den framforhandlede løsningen. Jeg legger med dette fram finanskomiteens innstilling i saken. Det blir replikkordskifte. Takk til saksordføreren for

omtrent likelydende. Jeg siterer fra proposisjonen: «Det er en underliggende forutsetning i den fremforhandlete modellen at EFTAs overvåkningsorgan kort tid etter mottak av et slikt utkast fra den relevante EU-tilsynsmyndigheten vil fatte et likelydende eller tilnærmet likelydende vedtak.» Mener representanten Johansen at dette gir Norge frihet, eller mener hun at vi i grunnen er underlagt det EU måtte komme fram til i disse spørsmålene? Norge har inngått EØS-avtalen, som gir norsk næringsliv, norske banker og norsk finansnæring tilgang til det europeiske markedet på like fot med europeiske banker, finansnæringer og andre næringer. Når vi har gjort det, gjelder felles regler for konkurranse. Det kommer til å gjelde felles regler for finansområdet i det markedet. Da tenker jeg at det skulle bare mangle at det ikke også er felles tilsyn med at de reglene blir fulgt. Det vi gjør nå, er å slutte oss til et felles finanstilsynssystem som gjelder i det markedet. Det er presisert i proposisjonen at ESA skal basere seg på et utkast fra EU når det eventuelt skal gjøres vedtak, men at det ikke er rettslig bindende. Det forholder vi oss til. I felleserklæringen mellom avtalepartene som står omtalt i proposisjonen,

interesse? Det er en ganske annerledes økonomi og en annerledes reguleringstradisjon i Norge enn det er i mange andre europeiske land. Nå skal vi altså bare underlegge oss det, og – som det står – «utelukkende i Unionens interesse»? Er Arbeiderpartiet sikker på at det som til enhver tid er i Unionens interesse, er i Norges interesse? Norge er jo ikke medlem av EU, men vi har en avtale med EU om adgang til et felles marked gjennom EØS-avtalen. Gjennom den har vi tidligere avgitt myndighet til en struktur – EØS-avtalen, ESA og EFTA-domstolen – som følger med på at Norge følger de felles reglene som gjelder på konkurranseområdet. Nå skal vi avgi myndighet til den samme strukturen på finansområdet. Vi er fortsatt ikke medlem av EU, men vi har en EØS-avtale som det er i Norges interesse å ha, mener jeg. Jeg er trygg på at når det står i proposisjonen at ESA og EFTA-domstolen skal ta utgangspunkt i felles regelverk, utkast til vedtak som kommer fra EU, men at det ikke er rettslig bindende for Norge, ligger det i det at det også kan gjøres en egen vurdering i ESA. I sitt innlegg sa saksordføreren at denne saken ikke vil ha konsekvenser for Norges mulighet til å regulere finanssektoren så strengt som vi ønsker, men i Politisk kvarter den 30. mai i år sa statssekretæren i Finansdepartementet, Tore «Det å ha felles europeisk regulering er i seg selv positivt, men baksiden av medaljen er selvfølgelig at vi ikke står fritt til å innføre fullt så strenge reguleringer som vi ønsker fra norsk side.» Mitt spørsmål er: Hvem er det som har rett? Er det saksordføreren, eller er det statssekretæren?

i dag har gjort dette vedtaket. Det er avhengig av hva slags type vedtak som er gjort i EU, om det er åpent for at man kan gjøre tilpasninger, såkalte minimumsvedtak. Dermed er replikkordskiftet omme.

Dette ble nettopp understreket av Finanskriseutvalget, som viste hvor viktig det er at Norge selv kan velge å operere med strengere regler enn EU-systemet.» Slik begynner en kronikk skrevet av representanten Trygve Slagsvold Vedum, publisert hos NRK Ytring i går. Og så langt er jeg enig. Derfor opererer også Norge med strengere kapitalkrav og reguleringer enn mange steder i EU. Det vil vi også fortsette med når vi nå styrker tilsynet med finansmarkedene gjennom en tilknytning til EUs finanstilsyn. Det norske finanstilsynet skal altså ikke legges under EUs ulike finanstilsyn, men få en tilknytning til tilsynspraksisen som gjør det mulig å kontrollere og føre tilsyn med et grenseoverskridende finansmarked, der norske Det oppsiktsvekkende er at to av de tre partiene som satt i regjering da finanskrisen utviklet seg i Europa, nå stemmer mot bedre tilsyn, gjennomsiktighet og kontroll med finansmarkedene. Jeg hadde faktisk trodd at det skulle gjøre litt mer inntrykk å måtte gi bankgarantier for 350 mrd. kr gjennom statsobligasjoner og en krisepakke på 25 mrd. kr, men åpenbart ikke. Til tross for at Norge hadde god kontroll og tilsyn med bankene, forplantet finanskrisen seg til våre markeder, nettopp fordi finansmarkedene er internasjonale. Derfor ønsker vi en tilknytning til EUs tilsynsmyndigheter. Norske verdipapirer omsettes i dag på markedsplasser over hele Europa, også utenfor norske tilsynsmyndigheters kontroll. Norske finansforetak er kunder av og leverandører til internasjonale kapitalmarkeder. EUs nye reguleringer og tilsyn vil altså sikre norske interesser i Europa når Men det fordrer selvsagt at vi er med på samarbeidet om et styrket tilsyn i vårt viktigste marked. Et norsk finansmarked fungerer ikke godt uten god og kontinuerlig tilgang til det internasjonale kapitalmarkedet. Per i dag er det over 180 rettsakter som står på vent i Norge i påvente av å finne en løsning for det internasjonale tilsynssamarbeidet. For hvert eneste år har det blitt et større sprik mellom forpliktelsene og Dersom dette ikke kommer på plass, mister vi et homogent indre marked i EØS-området for finansielle tjenester. Et nei til velfungerende internasjonal regulering og tilsyn med finansnæringen tjener ikke norske interesser. Jeg har lyst til å ta noen eksempler på saker hvor tilknytningen til EUs finanstilsyn vil spille en rolle. Det er regulering av kredittvurderingsbyråer, OTC-derivater og shortsalg. Alle tre ble vurdert som sentrale i utviklingen av Kredittvurderingsbyråene ble ansett for å ha bidratt til krisen ved å undervurdere kredittrisikoen i strukturerte kredittinstrumenter og ved ikke å ha justert vurderingene når markedet endret seg. Derfor er det nå innført en detaljert forordning som skal sikre kredittvurderingsbyråenes uavhengighet, forbedre kvaliteten i kredittvurderingene, øke gjennomsiktigheten samt sørge for et effektivt rammeverk for registrering og tilsyn. Tilsynet er lagt til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, ESMA. Denne kontrollen er jeg for. Dette er Senterpartiet og SV mot. Jeg vil oppfordre dem til å komme med et bedre forslag til regulering og kontroll av kredittvurderingsbyråer. Før finanskrisen var Lehman Brothers og AIG to av de største aktørene innen derivathandel. Den ene gikk som kjent konkurs, den andre Etter finanskrisen var det derfor bred enighet om at det enorme markedet for derivater måtte reguleres bedre, og allerede på G20-møtet i 2009 ble medlemslandene enige om at handel i OTC, eller «over the counter»-derivater, skulle gå gjennom en sentral motpart som skulle være underlagt både rapporteringsplikt og kapitalkrav. De nye reguleringene har bidratt til både redusert systemrisiko og redusert risiko for at en part ikke oppfyller sine forpliktelser. For Norge betyr dette en forpliktelse til å rapportere OTC-derivatkontrakter til et registrert transaksjonsregister, samt forpliktelse til å etablere risikoreduserende tiltak overfor OTC-derivatkontrakter som ikke håndteres gjennom en sentral motpart. Tilsynet av dette skjer i samarbeid med nasjonale myndigheter og EUs tilsyn.

inngås. Shortsalg kan være med på å balansere markedet og dempe konsekvensene av ensidig informasjon. Men under finanskrisen var tilliten mellom bankene og til bankene borte. Frykten var stor for at bankene ikke var i stand til å finansiere seg, og mange fryktet et såkalt «run», der innskyterne forlanger sine penger tilbake øyeblikkelig. I et så stresset marked kan shortsalg virke svært negativt, og enorme verdier kan viskes ut på kort tid på grunn av panikk i markedet. I 2008 innførte derfor flere land tiltak som i varierende grad begrenset eller forbød shortsalg av visse eller alle verdipapirer. Tiltakene i de ulike landene ble truffet uavhengig av hverandre basert på landenes nasjonale lovgivning. Erfaringene etter finanskrisen viste at disse ukoordinerte nasjonale tiltakene var lite effektive. Denne erfaringen førte til at det nå er innført ensartede rapporteringsforpliktelser for en rekke finansielle instrumenter gjennom shortsalgforordningen. Målet er bl.a. økt innsyn og redusert risiko. Nasjonale myndigheter vil beholde muligheten til å forby eller begrense visse former for shortsalg eller lignende ellers lovlige transaksjoner. Men i slike tilfeller skal forordningen også sikre samarbeid, dels mellom nasjonale tilsynsmyndigheter og dels mellom nasjonale myndigheter og Det er særlig denne forordningen Senterpartiet er motstander av, da EUs tilsynsmyndigheter i en krisesituasjon kan gripe inn overfor EU-lands myndigheter dersom de ikke iverksetter tiltak i et stresset marked der store verdier kan gå tapt. Når vi ser hvordan finanskrisen forplantet seg, også til land med en stabil og god økonomi, som Norge i 2009, er det ganske uforståelig at noen kan være mot dette. Det er bare de råeste spekulantene i finansmarkedet som vil tjene på det om Norge står utenfor dette samarbeidet. Av alle rovdyr Senterpartiet har valgt å verne, velger de seg altså internasjonale finanshaier. EU ønsker solide og stabile finansinstitusjoner og har innført harmoniserte og strenge reguleringer av finansmarkedene for å hindre gjentagelse av finanskrisen. Men for å sikre at reglene etterleves likt, på tvers av hele det europeiske markedet, er det etablert en felles europeisk tilsynspraksis som driver tilsyn med dette tilsynet vi nå diskuterer i Stortinget. Dette handler altså ikke om for eller mot EU, for eller mot euro, Schengen eller norsk grensekontroll. Det handler om soliditeten i reguleringen av og tilsynet til et grenseoverskridende finansmarked, der erfaringen fra finanskrisen viser at koordinerte tiltak, De europeiske tilsynsmyndighetene er ikke bare en hjørnestein i EUs svar på finanskrisen. Et sterkt og samordnet finanstilsyn er avgjørende for å bevare og videreutvikle et felles marked for finansielle tjenester. Jeg har registrert at noen mener det ikke haster, men arbeidet med å finne en løsning begynte allerede for seks år siden, og for hvert eneste år har antall rettsakter økt og dermed spriket mellom forpliktelsene og rettighetene EU- og EFTA-landene imellom. Saken har vært omtalt og behandlet i Stortinget i alle finansmeldinger siden 2009 og i statsbudsjettet i 2010, 2011, 2014, 2015 og 2016. Det er kanskje mer viktig at saken har vært inkludert i redegjørelsene om viktige EU- og EØS-saker hvert eneste år siden denne regjeringen tiltrådte, der prinsippene for løsningen vi i dag diskuterer, ble presentert allerede i november 2014, med bred tilslutning den gang. Fra min kjennskap til opposisjonen i denne sal, både den konstruktive og den andre, skulle jeg tro at dette var noe man ønsket mer av, ikke mindre av. Dette handler om soliditeten i reguleringen av og tilsynet md et grenseoverskridende finansmarked, der erfaringen viser at koordinerte tiltak, reguleringer og oppfølging over landegrensene er nødvendig. Da gjenstår det bare å takke saksordfører for et veldig godt og grundig arbeid i saken og også komiteen for behandlingen så langt.

men baksida av medaljen er sjølvsagt at me ikkje står fritt til å innføre fullt så strenge reguleringar som me ønskjer frå norsk side. Grønli, som leia programmet, spurde: Er det slik at særnorske kapitalkrav til bankane, det må me no leggje bort? Svaret frå Vamraak var: På kapitalsida held me oss innanfor dei felles retningslinjene som EU har trekt opp. Kan Noreg innføre strengare krav og strengare reguleringar til finansinstitusjonane og bankane våre etter at fleirtalet i dag knyter Noreg til EUs finanstilsyn?

SMB-rabatten, som ikke er begrunnet i faktiske risikoforhold, vil kunne gjøre at bankenes soliditet blir svekket over tid. Det betyr at Senterpartiet på den ene siden ikke ønsker seg regulering, og på den andre siden ikke ønsker den overordnede myndigheten til å redusere risikoen for ny finanskrise. Det vil jeg på det sterkeste

har knytt Noreg til EUs finanstilsyn? Norge har i dag noen av de strengeste kapitalkravene i Europa, som vi kan opprettholde, men det vil være endringer av noen av de kravene som vi har innført, f.eks. vil innskuddsgarantiordningen bli noe endret. Det vil – for en gangs skyld – sikre småsparere i EU skyld – sikre småsparere i EU en innskuddsgarantiordning, mens i Norge vil den reduseres noe. Det vil være endringer, men alt i alt vil inngåelse i EUs finanstilsynsordning gi så store verdier til Norge – og sikre oss mot en framtidig finanskrise – at det er det verdt. Dermed er replikkordskiftet omme. EØS-avtalen ble ratifisert av Stortinget 16. oktober 1992. Etter to dagers intens debatt og sterke motsetninger ble det et overveldende flertall for å knytte Norge til

Helt til det siste ble det også den gang fremmet forslag om nye utredninger og vurderinger, men Stortinget konkluderte med at alle sider ved EØS-avtalen var utredet grundig nok til at det var riktig å ta beslutningen om å sikre norske interesser knyttet til det europeiske fellesskapet, som også var i sterk utvikling. Noen hevdet den gang at Stortinget sa ja til «varenes og tjenestenes» Europa ved å akseptere de fire friheter som absolutt forutsetning for et europeisk økonomisk samarbeid. I 1994 sa Norge i realiteten nei til det politiske Europa, og et flertall i folket ønsket ikke at Norge skulle bli medlem av EU. Nå har Norge mer enn 20 års erfaring med EØS-avtalen, og erfaringene tilsier at denne avtalen har tjent Norges interesser meget bra. Den sikrer i dag norske bedrifter og forbrukere tilgang til et marked som er mange ganger større enn i 1992 – nå med over en halv milliard innbyggere. Usikkerhet om fremtiden og utviklingen innenfor EØS var fremtredende i debatten for snart 24 år siden fordi avtalen ikke kunne være statisk, men tvert imot forutsatte en dynamisk tilpasning til utvikling av nytt EU-regelverk, og ikke minst kunne Norge bli stilt overfor krav fra EU som ikke til enhver tid ville være fullt ut forenlige med egne norske interesser. De utfordringene har kommet, og de har blitt løst fortløpende gjennom politiske prosesser og påvirkning til Norges fordel. EØS-avtalen har klausuler om at nye områder kan bringes inn i avtalen, på samme måte som områder kan gå ut. Avtalens innretning åpner for tilpasning i de rettslige forpliktelsene som skal gjelde for EØS/EFTA-landene, og det er etablerte prosedyrer for hvordan slike spørsmål behandles. EØS-avtalen har sikret norsk industri og norsk næringsliv generelt forutsigbarhet og likebehandling i det europeiske markedet. I 1992 vedtok Stortinget å avgi suverenitet til EFTAs tilsynsorgan ESA og EFTA-domstolen for å sikre tilsyn og kontroll med konkurranseregler, regler for offentlige anbud og regler for statsstøtte. ESA ble gitt anledning til å utøve direkte myndighet overfor private rettssubjekter i Norge for å ivareta kravene til fri konkurranse både for norske og utenlandske aktører – selvfølgelig en stor utfordring for dem som ønsker proteksjonisme og regulering fremfor fri og dynamisk konkurranse på like vilkår. De sakene Stortinget behandler i dag, gjelder ikke EU-medlemskap eller overføring av det norske finanstilsynet til EU, slik det forsøkes fremstilt i mindre nyanserte meningsytringer på nett og i media. Det gjelder heller ikke for eller imot EØS-avtalen, selv om et nei kan bli en alvorlig utfordring for avtalen. Det dreier seg i realiteten om hvordan Norge skal overholde sine EØS-rettslige forpliktelser innenfor prinsippene for samarbeidet. Det er et komplekst og omfattende område vi nå behandler, og jeg har stor respekt for det sterke engasjementet i mange miljø, også hos dem som er veldig avhengig av at Norge slutter seg til et felles regelverk for finansmarkedet i Europa. Både Finans Norge og Finansforbundet har uttrykt tydelig støtte til den løsningen som er fremforhandlet av regjeringen, og viser samtidig til de uheldige sidene ved å si nei til felles regelverk. Det er grunn til å understreke at ingen påstår at det indre marked stenges for norske finansinstitusjoner med umiddelbar virkning dersom vi ikke slutter oss til dette regelverket. Men 180 nye rettsakter venter på implementering i EØS-avtalen. Hvis det ikke finnes en slik at disse rettsaktene kan tas inn i EØS-avtalen, kan vi risikere at den etter hvert blir satt ut av spill på finansområdet. Norske finansinstitusjoner vil tjene på fortsatt adgang til det europeiske markedet, og norske forbrukere vil tjene på at norske finansinstitusjoner utsettes for konkurranse i Norge. Norges tilslutning til EUs nye tilsynsorgan for finansmarkedet har en lang historikk, og det er jevnlig rapportert tilbake til Stortinget om forhandlingene med EU. Prosessen startet i realiteten i 2009, og det har vært et uttrykt ønske fra norsk ståsted at det ville være riktig å etablere en tilpasning i tråd med to-pilarstrukturen mellom EU og EFTA/EØS-landene. Direkte medlemskap og stemmerett i EUs tilsynsorgan har blitt avvist av EU Regjeringens forslag innebærer ikke avgivelse av myndighet til EU, men avgivelse av begrenset forvaltnings- og vedtakskompetanse til organer i EFTA, hvor Norge er dominerende medlem. Vedtakskompetansen er sekundær og kan kun benyttes på visse vilkår og i særlige situasjoner der nasjonale tilsynsmyndigheter ikke har oppfylt sine forpliktelser under tilsynsforordningen. Utkast til beslutninger fra EUs tilsynsorgan skal formelt behandles og vedtas av ESA, men ESA er ikke rettslig forpliktet til å slutte seg til enhver beslutning. Uenighet må drøftes i EØS-komiteen mellom representanter for EFTA-landene og Europakommisjonen, og beslutninger forankres i enighet i EØS-komiteen. Det er altså ESA som skal gjøre de formelle vedtakene rettet mot nasjonale myndigheter og mot foretak i basert på utkast fra de relevante tilsynsmyndigheter i EU, og Norge medvirker i deres beslutningsprosess og forarbeider. Fortsatt vil det være det norske finanstilsynet som fører tilsyn og kontroll med norske finansinstitusjoner og det norske markedet, men innenfor noen avgrensede områder vil ESA bli gitt myndighet til å fatte beslutninger med direkte konsekvens for norske Motstanderne av EØS-avtalen, og derved mot regjeringens forslag om tilslutning til felles regler for finansmarkedet, trykker mange jurister og professorer til sitt bryst. Vi skal selvfølgelig lytte til ekspertisen, men det er også betydelig ekspertise – ikke minst juridisk – som har utformet den løsningen som nå anbefales av flertallet i komiteen. Professor Eivind Smith uttalte til Nationen 24. mai i år at regjeringens forslag til behandling etter Grunnloven § 115 er en «omgåing av krava i Grunnlova». Den samme professoren har karakterisert EØS-avtalen som en «konstitusjonell katastrofe», til tross for at Stortinget har ratifisert avtalen med tre fjerdedels flertall. Fremskrittspartiet er for og vi er derfor for den løsningen som nå foreligger fra regjeringen. Det er viktig med grenseoverskridende tilsyn og kontroll med finansmarkedene, og det er viktig med lik praktisering av regelverket for å sikre finansiell stabilitet, beskytte norske forbrukere og gi norsk finansnæring fortsatt tilgang til det europeiske markedet. Økonomiene blir stadig mer globale. Med det må også Dette gjør også at problemer i et finansselskap eller finansmarked kan ha negative konsekvenser i mange land. Det er derfor behov for samarbeid over landegrensene om regulering av sektoren – det viste finanskrisen. Manglende internasjonalt samarbeid kan lett bety dårlig eller ingen regulering av sektoren, og da vet vi av erfaring at regningen lett kan bli sendt til skattebetalerne, også i Norge.

Og måten norsk suverenitetsavståelse er gjort på i denne saken, altså heller ikke stemmerett i saker som gjelder Norge, vil lett bli EUs standpunkt i en rekke andre saker der EU-tilsyn er på trappene. Det kan gjelde energi-, tele- og datatilsyn. Regjeringen skriver på side 12 i proposisjonen: «Full deltakelse uten stemmerett må gjennomgående være målet.» Er det også Fremskrittspartiets oppfatning at dette vil få den type presedens, og at det er dette vi kan regne med også i andre tilsynssaker? Jeg har også registrert at spørsmålet om presedens og hvorvidt behandlingen av denne saken vil skape presedens for lignende saker i fremtiden, har vært ganske fremtredende. Utgangspunktet for det regjeringen skriver i proposisjonen, er nettopp at EU ikke ønsker eller EFTA-landene skal gis stemmerett i EUs organ, nettopp fordi vi ikke er fullverdige medlemmer. Da må vi finne andre måter å løse dette på for å slutte oss til regelverket, og derfor er det viktig at vi klarer å etablere en struktur via EFTA-landene og via EFTAs organ, som regjeringen nå foreslår. Etter min

den europeiske tilsynsmyndighet , heretter kalt «Myndigheten», opptre uavhengig, objektivt og på en ikke-diskriminerende måte utelukkende i Unionens interesse.» Norge er ikke medlem i unionen, takket være det norske folk som har sagt nei to ganger. Er Fremskrittspartiet nå overbevist om at det som er i unionens interesse, er i Norges interesse?

Spørsmålet om fristilling har ikke vært noe tema i Fremskrittspartiet. Vi har behandlet saken grundig, og vi har sluttet oss til det som er forslaget og anbefalingen fra regjeringen, og som fremkommer i flertallsinnstillingen fra finanskomiteen. Dermed er replikkordskiftet omme. Finanskrisen rammet EU hardt. Erfaringen i mange EU-land var at reguleringene og tilsynet med banker og

Derfor har EU i kjølvannet av krisen foreslått en strengere finansmarkedsregulering og et nytt felles finanstilsyn. Mange av de nye reguleringene er EØS-relevante og har blitt innført i Norge, stort sett uten utfordringer for vår del. Men Norges rolle knyttet til EUs finanstilsyn har vært en krevende sak for norske myndigheter, og det har vært en krevende sak for denne regjeringen, som det var for den forrige regjeringen. I fem år har Norge forhandlet med EU. Årsaken til at forhandlingene har tatt så lang tid, er selvfølgelig at EU har vært meget tilbakeholden med å gi det vi mener har vært riktig, sett fra Norges ståsted. Å få full stemmerett i det nye finanstilsynet var ikke realistisk siden vi ikke er medlem av EU. Men: Vi har kjempet for en plan B som ville innebære stemmerett for EFTA-statenes finanstilsyn i de saker som berører myndigheter og markedsaktører Det har vært viktig fra Kristelig Folkepartis side å søke å få til en løsning langs akkurat den aksen – både fordi den ville ivaretatt en reell innflytelse i langt større grad enn det vi nå står overfor, og fordi den mye mer ville vært i tråd med som forutsetter norsk deltakelse i internasjonale organer vi avgir suverenitet til. Den ville ha sikret norsk innflytelse over vedtak i EUs finanstilsyn som berører Norge, og dermed større muligheter for riktigere og bedre vedtak tilpasset forholdene i Norge og jeg vil si vår strenge og vellykkede tilsynstradisjon her i landet. Dette har det til nå ikke vært mulig å få EU med på. Resultatet er en løsning som på noen områder legger det norske finanstilsynet inn under EUs tilsynsorganer, praktisk sett uten norsk stemmerett. Det er laget en konstruksjon hvor alle vedtak i norske saker formelt sett vil bli truffet av EFTAs overvåkingsorgan ESA, men der ESA i praksis ikke vil ha noe handlingsrom av betydning til å treffe andre vedtak enn det EUs finanstilsyn gjør. Regjeringens forslag innebærer en suverenitetsavståelse som er mer enn lite inngripende, som det står i Grunnloven. Dermed krever forslaget også tilslutning fra tre fjerdedeler av Stortingets representanter. Jeg vil likevel gi regjeringen honnør for at man så klart anbefaler en slik framgangsmetode og ikke prøver å skjule seg bak det man i mange andre sammenhenger har gjort, nemlig å si at dette hører inn i § 26 altså at den suverenitetsavståelse man eventuelt skulle foreta, ikke har særlig inngripende virkning. Slik sett berømmer jeg regjeringen for den framgangsmåten man har valgt konstitusjonelt. Dette taler for, etter vår mening, at den foreslåtte løsningen ikke aksepteres. Vi har fremmet et forslag som er referert, og som jeg også tar opp: «Stortinget ber regjeringen gjenoppta forhandlingene med EU om EUs finanstilsynsmyndigheter med sikte på å oppnå norsk stemmerett i saker som angår Norge.» Hvorfor er dette også viktig konstitusjonelt? Det er stor grunn til å anta at dette vedtaket i dag vil skape presedens for andre tilsyn. EUs finanstilsyn er en del av en generell utvikling i EU i retning av økt bruk av tilsyn i både videreutviklingen og håndhevingen av regler i det indre marked. Disse tilsynene gis i stadig større grad kompetanse til å fatte beslutninger som er bindende for medlemslandenes myndigheter og bedrifter. Måten norsk suverenitetsavståelse er gjort på i denne saken, altså ingen norsk stemmerett i saker som gjelder Norge, vil svært lett bli EUs standpunkt i en rekke kommende saker. Det er andre EU-tilsyn som er på trappene når det gjelder både energi-, tele- og datatilsyn. Dette er også fra regjeringens side bekreftet. bekreftet. I proposisjonen på side 12 omtaler regjeringen dette. Man skriver: «Full deltakelse uten stemmerett må gjennomgående være målet.» Så registrerer jeg at representanten Limi på vegne av Fremskrittspartiet uttrykte et annet syn nå, at dette var en enkeltsak og ikke ville være bindende for Fremskrittspartiets syn på hvordan øvrige saker skal behandles. Men dette er nå i alle fall det regjeringen har meldt til Stortinget i denne saken. Det har ikke vært noen lett sak, og det har også vært spørsmål rundt saksbehandlingen. Jeg vil si at spørsmålet nå er: Skal vi gå inn, eller skal vi foreta en ny runde? runde? Slik sett er vi mer bekvemme med at Stortinget i dag gir en beskjed til regjeringen om å forsøke en gang til. Jeg vil også tro at man innenfor EU-systemet etter hvert vil – vi har en avstemning som kommer i et meget viktig EU-land om kort tid – se at det er grenser for hvor mye myndighet ulike land kan avgi uten at det vil få konsekvenser for hvordan unionen vil bli vurdert, både av EFTA-land og av sine egne medlemsland. Det tror jeg taler for at man forsøker en runde til. Vi har hatt en høring, som nevnt. Der vil jeg si at den kom i stand på kort varsel, det er riktig, men samtidig vil jeg si at de motforestillinger fikk rikelig tid til å bli framført i den høringen. Sånn sett har den vært en viktig del av saksbehandlingen. Med det tar jeg opp det forslaget jeg refererte. Representanten Hans Olav Syversen har tatt opp det forslaget han refererte til. Det blir replikkordskifte. Jeg hører jo innlegget til representanten Syversen, men det er noe i saksrekkefølgen og

tidligere. Det har vært redegjort i EØS-redegjørelser og finansmarkedsmeldinger. Kristelig Folkeparti og komitélederen var også med på å si at denne saken burde bli behandlet før sommeren, og vi hadde den til behandling. Nå skal man allikevel utsette saken. Man skal ha en helt ny redegjørelse og gjennomgang. Ville det ikke vært bedre om Kristelig Folkeparti og komitélederen hadde tatt opp dette på et tidligere tidspunkt? Hva er det egentlig som har endret seg nå de siste ukene, når vi har kjent saken så lenge, som gjør at Kristelig Folkeparti inntar et så fundamentalt annet standpunkt? Vårt forslag kom i innstillingen fra komiteen, så det er ikke noe nytt. Vi har gått veldig grundig inn i saken. Jeg må også si at når man refererer til at dette er en slags naturlig avslutning på fem års behandling, er jeg ikke enig i det. Kjernepunktet har kommet fram i det siste, nemlig spørsmålet om Norge i det hele tatt skulle få en stemme med i dette gjennom at de sakene som berører EFTA-landene og

grundig og god vurdering av saken, slik den har foreligget i komiteen? Grunnen til at jeg spør om det, er at det ute blant folk, som ikke følger så godt teknikaliteten i dette, danner seg en oppfatning om at komiteens medlemmer – og dermed Stortinget – ikke vet hva de gjør og hva de

vårt standpunkt innenfor den tidsrammen som komiteen satte opp, og det ble gitt anledning til høring. Så er det litt vanskelig for meg å vurdere om andre partiers representanter har følt at de har hatt samme tid til å gå inn i saker, og hvordan behandlingen i de ulike stortingsgrupper har vært. Der har jeg dessverre ikke innpass – som jeg av og til synes jeg kanskje burde hatt– men jeg dessverre ikke innpass – som jeg av og til synes jeg kanskje burde hatt– men jeg kan iallfall svare for Kristelig Folkepartis del at vi har hatt en god behandling og har kommet til det resultatet vi har gjort. Dermed er replikkordskiftet omme. Vi er det stortinget som feiret 200 års-jubileet til

I festtalen valgte stortingspresidenten fra Høyre Grunnloven. I dag velger stortingspresidenten og Høyre å omgå den. «Ei reint formalistisk omgåing av krava for myndigheitsoverføring i Grunnlova», sa Eivind Smith i mai. På bildet «Eidsvold 1814», som henger bak oss, snur stortingspresident Christie seg mot oss, som et symbol. Han ser ned på presidenten, ser ned på statsministerens plass og ser opp på slottet. Det går en linje fra Eidsvoll og inn i salen. På hver eneste plass ligger Grunnloven. Nå er det vår tur til å forvalte den arven, og i dag forvaltes den arven dårlig. Stortinget overgir i til et organ vi ikke er medlem i. Det har vi etter Grunnloven ikke lov til, men man har hatt en ren formalistisk omgåelse, der det er én mann – som vi har fått opplyst i løpet av sakens gang – som skal sitte og kopiere EUs vedtak. Det er rene kopivedtak. Med en så stor suverenitetsavståelse som vi nå har, skulle man tro at det var noe grunnleggende man ville reparere ved det norske finanstilsynet – ved det norske regelverket – at Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og mesteparten av Venstre ser noen grunnleggende svakheter ved norsk finansregulering og vår styringsstruktur. Men er det erfaringen? Erfaringen fra starten av 1990-tallet med Kredittkassen var at vi handlet raskt. Man handlet rett. Finanskrisen i 2008 viste oss hvor viktig det var rett. Finanskrisen i 2008 viste oss hvor viktig det var med nasjonal handlekraft da det sto på som verst. Staten handlet, og det har vært avgjørende at vi som land har kunnet handle når det har blåst som verst. I 2008 slo vi som land, med regjeringen i spissen, fast at andre land kunne lære mye av den norske strenge reguleringen av bank- og finanssektoren. Nå skjer det motsatte. Vi har hatt gode verktøy og kontroll over verktøykassen. Nå skal vi få dårligere verktøy, og i en krisesituasjon kan vi miste kontrollen over verktøykassen. For etter dette vil EUs tilsynsorganer kunne overstyre de norske i en krise, og det er den myndighetsoverføringen vi nå foretar. Regjeringen – med statssekretær sa det helt tydelig i en debatt jeg hadde med ham: «Baksiden av medaljen er jo selvfølgelig at vi ikke står fritt til å innføre så strenge reguleringer som vi ønsker fra norsk side.» I samme debatt sier Vamraak om innskuddsgarantiordningen, som i dag er på 2 mill. kr i Norge, og som nå skal bli på 100 000 euro, altså ca. 800 000 kr – la meg sitere: «Det er et område der EU har ønsket en fullharmonisering. Norge har måttet gi fra seg Norge har måttet gi fra seg den gode reguleringen.» For å få til en europeisk administrering skal vi altså svekke vårt regelverk. Det er svært uklokt å svekke regelverket for finansnæringen og gi fra seg makten og kontrollen med verktøykassen. La meg avslutningsvis sitere en som kanskje ikke alltid stemmer Senterpartiet, men som i hvert fall var helt enig med oss Øystein Stray Spetalen: «Vi må ikke si fra oss selvråderetten, det gjør vi bit for bit. Hvert land har et ulikt næringsgrunnlag og en ulik finanssektor. Å flytte ut råderetten til noen andre har jeg ingen tro på.» Norge og unionen kan ha ulike interesser, og det som nå står i proposisjonen, er at det er det som nå står i proposisjonen, er at det er unionens interesser som til syvende og sist skal være avgjørende – en union som det norske folk sa nei til i 1972 og i 1994, og jeg håper at Fremskrittspartiet nå fristiller sine representanter og lar folk stemme etter sin samvittighet. Dette er en sak som jeg vet angår svært mange. Det er ulike syn i alle partier, og derfor bør alle representanter kunne få

Storbritannia vil godta en slik suverenitetsoverføring til EU». «Storbritannia og EU må derfor finne en annen løsning, som også vil kunne være en mulig løsning for Norge», står det. Storbritannia er i dag medlem av EU, og de er medlem av EUs finanstilsyn av hensyn til egen finanssektor. Den samme sektoren frykter nettopp en utmeldelse av EU fra Storbritannia. Hva baserer Senterpartiet sin vurdering her på?

9. juni fekk finanskomiteen eit brev frå Finansforbundet, der det står: «Norsk finansnæring er en internasjonal næring. Næringen er avhengig av å ha like vilkår som de utenlandske aktørene, slik at de også har mulighet til å bistå norske bedrifter på sin vei ut i verden. Finansforbundet er derfor opptatt av å sikre norske finansinstitusjoner stabil tilgang til markedene i EU, og ikke minst norske myndigheters mulighet til å påvirke regelverksendringer som vil skje i EUs finanstilsyn i framtiden.» Spørsmålet er: Korleis vil Senterpartiet, som ikkje ønskjer denne avtala, sikre at norsk finansnæring får god tilgang til marknadene i EU, og at finansinstitusjonane får dei same

Som professor Haukeland Fredriksen sa i høringen, var ikke dette plan a, det var ikke plan b, det måtte være plan c – tredjevalget – som til slutt kom. Til avslutningen av spørsmålet: Vi mener at den skremselen er feil, for når en ser på hvilken forvaltningskapital europeiske banker har i Norge kontra hva norske banker har i EU, er forvaltningskapitalen til europeiske banker i Norge mye større enn motsatt. EU har heller ingen interesse av å sette en stopper her. Sveits har fått til gode løsninger, andre land har fått til gode løsninger. Det kommer også vi til å klare å få, selv om vi ikke skal underlegge oss kontroll fra Brussel. Det mener vi er feil. Sjølv om eg ikkje er

partileiaren hans attpåtil sat i underutvalet til den dåverande regjeringa? Kva har skjedd i ettertid som gjer at det same engasjementet ikkje utkrystalliserte seg, slik at den regjeringa sette foten ned og fann ei løysing på dette allereie i 2013? Det halvannet året jeg var statsråd, var det jeg fikk mest kritikk for av dagens regjeringspartier, at jeg hadde et syn ulikt EUs på mitt ansvarsområde. Det handlet om tollvern. Jeg er veldig glad for at vi turte å mene noe annet enn EU gjorde, og det har gått veldig bra. I denne saken hadde den regjeringen vi var en del av, sine primære standpunkter som man jobbet for. EU-landene er land som vi samarbeider med. Vi ønsker å finne gode samarbeidsløsninger, men den løsningen som er valgt, er ikke førstevalget, den er ikke andrevalget, den er kanskje tredjevalget. er kanskje tredjevalget. Vi var ikke på langt nær klare til å legge fram en proposisjon da vi styrte, fordi dette ikke var godt nok. Det en regjering har ansvaret for, er å sørge for at de forhandlingene man gjennomfører, fører til at man får et resultat som er godt nok, og som er i samsvar med ånden og bokstaven i vår grunnlov. Vi mener at det forslaget som her foreligger, ikke er i samsvar med ånden og er en omgåelse av bokstaven i vår grunnlov. Derfor kunne ikke vi ha lagt fram et slikt forslag.

Det var utvilsamt fornuftig og nødvendig av EU å harmonisera og innføra strengare regulering av finansmarknadene, for slik vonleg å unngå ei ny finanskrise. Norske styresmakter og norsk finansnæring har vore tidleg ute og ikkje berre harmonisert regelverket med EU sitt, men òg sikra at norske finansinstitusjonar anno 2016 i regelen er dei mest solide i klassen. Sidan EU i

EU har difor behandla næringa tilnærma på linje med dei som er heimehøyrande i EU-land. To regjeringar har skapt forventningar om at Noreg formelt kjem til å slutta seg til samarbeidet. Godviljen som byggjer på eit slikt faktum, kan fort forsvinna om me seier nei eller utset avgjerda ytterlegare. Sjølv om finansnæringa i norsk samanheng er ei stor og viktig næring med 50 000 sysselsette, er nok næringane våre dessverre langt meir avhengige av EU enn EU er av dei. Eit anna argument på den enkle sida er omsynet til internasjonalt samarbeid og samkvem og internasjonal handel. Er det ei næring som verkeleg symboliserer det, må det vera finansnæringa og infrastrukturbetydninga ho har for meir eller mindre alt anna Solidaritet, dialog, demokrati, opne grenser, felles europeiske verdiar – nitid utvikla og institusjonaliserte gjennom 70 år – er no under press. Solidariteten som har gjort at rike land har vore villige til å forfordela fattige land, er trua, og vera-seg-sjølv-nok-nasjonalisme og egoisme vinn fram på urovekkjande vis. vis. Er det eitt tidspunkt då det kanskje er viktigare enn nokon gong å vera ein pådrivar for internasjonalt samarbeid og samkvem, ikkje minst med gode naboar i Europa, er det i dag. Så til det meir vanskelege – Grunnlova § 115. Formelt sett er fleirtalet i dag på trygg grunn når dei gjev frå seg suverenitet til EFTA med minst tre fjerdedels fleirtal. Klart er det òg at saka har vore vurdert og utgreidd grundig og lenge, og påstanden om at saka vert hasta av garde, er faktamessig urimeleg. Det er likevel ikkje vanskeleg å forstå og ha respekt for påstanden om at modellen regjeringa føreslår, er ein konstitusjonell konstruksjon, og at det vert stilt spørsmål ved om EFTA gjennom ESA berre vert eit reint sandpåstrøingsorgan, og at me reelt sett gjev frå oss suverenitet direkte til EU-institusjonar. Det medfører i så fall ikkje noko vesentleg nytt. Det har vore ein regel Stortinget har vore vel forlikt med på fleire område sidan EØS-avtalen vart vedteken, og som har tent norske interesser etter måten godt. Også på finanstilsynsområdet vert praksis truleg at ESA berre vidarefører vedtak som kjem på bordet deira. Fasit vil òg sannsynlegvis vera at det som oftast vil vera både fornuftig og til fordel for norsk finansnæring, norske forbrukarar og norske interesser. Når ulike EU-organ gjer vedtak som er problematiske for Noreg og openbert ikkje fornuftige – og det skjer meiner Venstre me bør utfordra EU langt oftare enn me har for vane. Suverenitetsavståing i denne saka vedkjem primært Finanstilsynet. Finanstilsynet sjølv tilrår sterkt at Stortinget seier ja. For Finanstilsynet representerer ikkje eit ja noka stor praktisk endring, om det vert endring i det heile. Dei skal framleis driva tilsyn med norske bankar og forsikringsselskap, og dei kan framleis vera av dei beste – eit mønsterbruk for resten av kollegaene i Europa – kva gjeld å stilla strenge krav og slik sett ikkje svekkja, men tvert imot bidra til å auka tryggleiken for norske verksemder og vera til fordel for både norske interesser og det europeiske samarbeidet. Avslutningsvis nyttar eg òg høvet til å takka saksordføraren for godt og grundig arbeid

Siden er tvert imot en videre liberalisering av finanssektoren blitt det rådende målet, og istedenfor en styrket samfunnskontroll med finanssektoren er EU-tilsynet rettet inn mot å sikre fri flyt av kapital og et fritt indre marked for finanstjenester. Det er noe som gir svært dårlig sikring mot framtidige finanskriser. Dette er Senterpartiet helt enig i, og Senterpartiet bygger på retten til sjøl å bestemme et regelverk som passer oss. Det som trengs, er styrket samfunnskontroll og kontroll av kapitalen. Hvorfor er Venstre uenig med Senterpartiet i det grunnsynet jeg nå har referert til? Eg reknar med at representanten Lundteigen lytta med andakt til mitt varme forsvar for at det me treng i dag, er meir internasjonalt

var realitetane, der det var opp til kvart land, fritt fram, å ha forordningar for eiga finansnæring, og der det i realiteten var finansnæringane som hadde uforholdsmessig mykje makt i politikken i det enkelte land, og som då resulterte i at me eigentleg ikkje hadde spesielt god kontroll over det som førte til finanskrisa. Sjølv i Noreg, som den gongen òg hadde ei solid banknæring, unngjekk me ikkje å råka borti konsekvensane av

innenfor et område som har en statsfinansiell situasjon som er helt annerledes enn den i Norge, hvor det er en rente som er ekstremt lav, og gjeldsoppbyggingen er enorm – helt motsatt av det som er de norske statsfinansene. Hvordan kan det da være klokt at Norge slutter seg til en ideologi og et regelverk med den basis når vi har en helt annen situasjon og mulighet til å styre sjøl?

for at Europa i dag òg har vore ein suksessfaktor kva gjeld å leggja til rette for demokrati og fred gjennom fri handel. Flere har ikke bedt om ordet til replikk, og replikkordskiftet er dermed omme. President! Jeg forsto det slik at andre hadde bedt om replikk – hvis ikke, så replikk. Da får Per Olaf den siste replikken, selv etter at presidenten har klubbet. Vær så god. Hjertelig takk, president. Det som er sterkt å høre her, er at når representanten Breivik forsvarer det standpunkt som Venstre har her i dag, er det ut fra EUs rolle som representant for demokrati og fred. Det er det som er den hellige En velger å se bort fra det som er de faktiske forhold, velger å se bort fra hva som er den reelle økonomiske situasjonen innenfor de sentrale EU-land og i EU-systemet, velger ikke å svare på det som er grunnlaget for finanstilsynet som de skal bygge på, nemlig friest mulig kapitalbevegelse, hvor da de demokratiske institusjonene som skal kontrollere det, ikke har tilstrekkelig makt for å kunne sikre det. Hvordan vil representanten svare på det spørsmålet? Igjen må eg få minna representanten Lundteigen om kva me eigentleg diskuterer, og det er å gje norsk finansnæring dei same rettane som finansnæringane dei konkurrerer med, har, nemleg tilgang til marknadene i Europa, altså gjennom EØS-avtalen. Me diskuterer òg – det trudde eg oppriktig representanten Lundteigen og Senterpartiet er heilt einig i – å få på plass

på det regulatoriske området, i den økonomiske politikken og i finanspolitikken, har rammet mange mennesker og mange land hardt. Derfor har jeg i prinsippet et sterkt ønske om å kunne støtte Norges tilslutning til et tilsynsorgan for finanssektoren som sikrer finansiell stabilitet på tvers av landegrensene. Derfor synes jeg det er synd at regjeringen har framforhandlet en avtale med EU som gir Norge manglende kontroll over tilsynet Norge i praksis tilslutter seg, at avtalen medfører innlemmelse av et stort antall direktiver og forordninger uten at de framtidige konsekvensene av disse er godt diskutert eller utredet, at avtalen innebærer en harmonisering også innen felter der norsk praksis i dag er strengere og gir bedre beskyttelse for kundene og for folk enn i EU, og ikke minst at regjeringen i den framforhandlede modellen risikerer å skape en presedens for Norges framtidige tilslutning som gir lite reell innflytelse, og – så vidt jeg kan se – manglende kvalitativ klageadgang for Norge og norske aktører. For det å slutte oss til et sterkere internasjonalt samarbeid på dette feltet forutsetter jo at man framforhandler en avtale som gir bedre muligheter for regulering og tilsyn, ikke dårligere. Det norske finanstilsynets videre deltakelse i alle nivåer i EUs finanstilsyn blir nå på et vis formalisert. Norge vil imidlertid ikke ha stemmerett, heller ikke i de sakene som angår EFTA-stater og markedsaktører fra EFTA-statene. Det burde vi kunne forvente. Jeg blir betenkt over den ubalansen som oppstår om Norge de facto går med på å etterleve pålegg fra et organ Norge ikke har reell innflytelse over. Da er vi ved et av de springende punktene i denne debatten. For det er helt riktig at det formelt sett er sånn at det er EFTA ved ESA- og EFTA-domstolen som gis overnasjonal myndighet, men det er EU-organene som vil gi ikke-bindende vedtak og

at høringen og den påfølgende offentlige debatten om saken bør ha noe å si. Det er jo derfor man har en høring. Derfor synes jeg det er litt overraskende at flertallet i denne saken legger sånn vekt på at finanskomiteen i utgangspunktet var innstilt på å behandle denne saken i vår, og overhodet ikke tar hensyn til alle de uttalelser og innspill som har kommet siden den tid. De uttalelsene er det mange av. Holmøyvik og Haukelands kronikk i Dagens Næringsliv 12. mai 2016 er sitert tidligere i dag. Jeg har lyst til å sitere den igjen, for det er tydelig tale: «Problemet med den skisserte løsningen er at det er pinlig klart at det er en konstruksjon. Esas vedtak skal baseres på ferdige forslag fra EU-tilsynene. Esa vil ikke bli tilført ressurser som muliggjør en selvstendig vurdering av forslagene. Den reelle saksbehandlingen vil skje i EU.» Og videre:

til. Den framstillingen regjeringen og flertallet i Stortinget i dag har av hvor uproblematisk denne suverenitetsavståelsen er, stemmer ikke overens med advarslene og innsigelsene som er kommet fra flere hold i høringen, og i etterkant av høringen. De klare anbefalingene komiteen fikk om hvor viktig det var med rask framdrift, altså fra regjeringens side, stemmer ikke overens med det faktum at Island ikke kommer til å behandle saken før i høst. En ting er hele Stortinget enig om, og det er at denne saken krever samtykke fra Stortinget i tråd med Grunnloven § 115. Men da er det grunn til å påpeke at myndighetsoverføringen kun i teorien er til et organ Norge er medlem i eller blir medlem i, og at regjeringens forslag derfor innebærer å tøye Grunnlovens § 115, gitt dens ordlyd og hensikt. Det kan jo ikke herske tvil om – når regjeringen selv oppgir det i sin proposisjon at vi avgir suverenitet til et organ som i praksis vil fatte kopivedtak fra EU. Det bør mane til ettertanke blant flertallspartiene. Derfor ønsker SV å avvise saken fra regjeringen og ber regjeringen forhandle videre for å oppnå et bedre resultat. Det hadde vært det klart beste utfallet av denne saken. saken. Det er for det første fordi Norges tilknytning til EUs finanstilsyn vil være uten formell innflytelse på politikk som har direkte virkning, ikke bare for norske regulatoriske myndigheter, men også for norske aktører og rettssubjekter, for det andre fordi Norges tilslutning gir myndighet til EUs finanstilsyn som det er vanskelig å overskue de framtidige konsekvensene av, for det tredje fordi norske aktører, så vidt jeg kan se, ikke vil få reell tilgang til EUs klagenemnd, for det fjerde fordi norske myndigheter ikke vil ha reell mulighet til domstolsprøving i tilfeller hvor EU-tilsynene tolker EØS-regelverket i strid med norske standpunkt, for det femte fordi Norge ved tilslutning på premissene regjeringen har forhandlet fram, risikerer å skape en presedens og svekke Norges stilling i tilsvarende forhandlinger om deltakelse i EUs tilsyn innenfor andre områder, som telekom, personvern og energi – det må vi nesten legge til grunn, det er jo ingen grunn til å tro at EU vil gi Norge større gjennomslag i forhandlinger om andre tilsynsmodeller når regjeringen nå har akseptert denne i denne viktige saken – og for det sjette, sist men ikke minst, fordi Norges tilslutning vil være en suverenitetsavståelse på kanten av det Grunnloven tillater. Jeg synes det hadde vært greit om flertallet i det minste anerkjente denne problemstillingen. Jeg synes Terje Breivik var godt på vei, men jeg synes resten av flertallet har en vei å gå. SV kommer selvfølgelig til å stemme for eget forslag sammen med Kristelig Folkeparti – det er allerede tatt opp – og vi kommer også til å stemme for de to gjenværende forslagene fra Senterpartiet. Det blir replikkordskifte.

i denne saken, og etter først å ha argumentert for overnasjonalt tilsyn og kontroll med finansnæringen etter finanskrisen argumenterer de nå for nasjonalt tilsyn og kontroll. Hva er det som har skjedd den senere tida som har ført til denne kuvendingen? SV har hele tida argumentert for overnasjonalt tilsyn og kontroll, og det er fordi vi mener at man trenger overnasjonalt tilsyn og kontroll med finanskapitalen og finansnæringen. Det er finanskrisen et godt eksempel på. Men man trenger ikke dermed å kaste barnet ut med badevannet. Det å tilslutte oss et overnasjonalt tilsyn og større overnasjonal regulering av finanskapitalen forutsetter jo at det er i form av en avtale som øker våre muligheter for å få det til. Regjeringens framforhandlede avtale er svak. Den er svak av de grunner jeg har gjort rede for i mitt innlegg nå nettopp, og i tillegg risikerer vi å skape presedens for svakere mulighet for innflytelse på framtidige tilsyn Norge også skal tilslutte seg. Så er det bare å merke seg at representanten Hagebakken nærmest sier rett ut at alle Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter som i dag stemmer for denne avtalen og denne suverenitetsavståelsen, gjør det av fri vilje og sitt hjertes fulle kraft, og det er jo også et signal å gi. Jeg tror det er mange der ute i landet som hadde forventet at det var mange i Arbeiderpartiet som ville se problemene med denne avtalen. Jeg kan iallfall slå fast at i mitt parti er

sagt. I merknadene til denne sak framgår det at SV «er sterk tilhenger av en samordnet, overnasjonal innsats for regulering av finanssektoren», og at de «har et sterkt ønske om å kunne støtte Norges tilslutning til et tilsynsorgan for finanssektoren som sikrer finansiell stabilitet på tvers av landegrensene». Endelig er det slik at man «merker seg at det norske finanstilsyns videre deltakelse i alle nivåer i EUs finanstilsyn formaliseres». Da er spørsmålet: Er det ikke dette siste som nå skal formaliseres, som er vilkåret for at man nettopp i fremtiden skal kunne oppnå det som SV er tilhenger av? Jeg tror den beste måten å sikre norsk stemmerett i EUs ulike finanstilsynsorganer på er å framforhandle norsk stemmerett i EUs ulike finanstilsynsorganer. Jeg har merket en tendens i debatten i dag fra Høyres side hvor man nærmest forventer at SV skal bedrive populistisk grøfteagitasjon, siden vi er uenig med Høyre, og det oppstår en kognitiv dissonans siden vi slår fast at vi i prinsippet er sterke tilhengere av en overnasjonal kontroll med finansnæringen og et overnasjonalt tilsyn. Det er vi jo, og vi mener at regjeringen derfor bør forhandle videre med EU for å få på plass en avtale som er til å leve med for Norge. Jeg mener f.eks. at manglende stemmerett og manglende klageadgang for

som er enhetlig regulering i to separate pilarer. Jeg orienterte Stortingets europautvalg om disse prinsippene 13. oktober 2014. EØS- og EU-minister Helgesen orienterte Stortinget om disse prinsippene i redegjørelsen om EØS-saker 20. november 2014. Etter dette har Stortinget jevnlig fått informasjon om arbeidet med konkrete tilpasningstekster som operasjonaliserer disse prinsippene. Arbeidet pågikk frem til mars i år. Proposisjonen som ble lagt frem 15. april, inneholder utkast til vedtak i EØS-komiteen med konkrete tilpasningstekster i tråd med prinsippene det ble enighet om i oktober 2014. Det foreliggende utkastet til EØS-komitébeslutninger innebærer at en helt avgrenset myndighet skal overføres fra Finanstilsynet til EFTAs overvåkingsorgan. Tilsynet med norske finansforetak og det norske finansmarkedet skal fortsatt utføres av Finanstilsynet, med unntak for tilsyn med kredittvurderingsbyråer og noen typer registre for verdipapirtransaksjoner. EFTAs overvåkingsorgan får videre myndighet til å forby eller begrense visse typer finansiell virksomhet eller spareprodukter dersom dette ikke er tilfredsstillende håndtert av nasjonale tilsyn å avgjøre uenighet mellom nasjonale tilsyn og å treffe vedtak direkte mot markedsaktører dersom nasjonale tilsyn å treffe vedtak direkte mot markedsaktører dersom nasjonale tilsyn ikke skulle gjøre jobben sin Det alt vesentlige av tilsynet med finansmarkedet og finansforetakene i Norge skal, som nevnt, fremdeles ligge til det norske finanstilsynet. Fordi denne overføringen av myndighet til EFTAs overvåkingsorgan i Grunnlovens forstand anses som «mer enn lite inngripende», ber vi om at Stortinget gir samtykke med tre fjerdedels flertall, jf. Grunnloven § 115.

ha talerett i beslutningsorganet og være medlem i tilsynskollegier til finansinstitusjoner med grensekryssende virksomhet med betydning for Norge. For det andre vil jeg peke på at formålet med EØS-avtalen i hovedtrekk er at EFTA-statene deltar i det indre markedet for bl.a. varer og tjenester, og skal følge et EØS-regelverk som svarer til EUs regelverk. Denne grunnleggende mekanismen endres ikke gjennom tilknytningen til Finanskrisen i 2008–2009 viste at et felles europeisk regelverk er nødvendig for å unngå nye kriser i banksektoren. En krise i banksektoren i ett land vil påvirke flere land, noe som krever et internasjonalt samarbeid. EU har etter finanskrisen utarbeidet svært mye nytt regelverk for finansmarkedet. Mange av disse EU-rettsaktene inneholder referanser til EUs finanstilsynsmyndigheter. For å kunne ta slikt regelverk inn i EØS-avtalen må vi derfor ha en løsning på hvordan EFTA-statene skal forholde seg til EUs finanstilsynssystem. Vi har i dag 180 rettsakter som ikke er tatt inn i EØS-avtalen, i påvente av den saken Stortinget nå behandler. Vi har i Norge f.eks. allerede innført nye kapitalkrav for banker, som ble vedtatt våren 2013, og for forsikringsselskaper, som ble vedtatt våren 2015, som stort sett svarer til det regelverket EU-landene er forpliktet til å ha. Men EØS-avtalen forutsetter at vi også etablerer en forpliktelse til å ha slikt regelverk, og ekstern overvåking av at vi følger forpliktelsen. På bakgrunn av noen av merknadene og utspillene i denne saken vil jeg gjerne få si noe om hva denne saken ikke er: EU skal ikke ta over tilsynet med norske banker. Finanstilsynet skal fortsatt føre tilsyn med norske banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak, med unntak av kredittvurderingsbyråer og transaksjonsregistre. Vi har per i dag ikke slike foretak. Man må heller ikke forveksle EUs finanstilsynssystem med bankunionen med felles krisehåndteringsmyndighet, og verken EUs finanstilsynsmyndigheter eller EFTAs overvåkingsorgan skal håndtere en eventuell fremtidig finanskrise i Norge. Fremgangsmåten for å ta nytt EU-regelverk inn i EØS-avtalen og gjennomføre det i norsk rett påvirkes ikke av tilknytningen til EUs finanstilsynssystem. Dette gjelder både spørsmål om fullharmonisering, EØS-tilpasninger og mengden og utformingen av regelverket.

Kan finansministeren kommentere disse påstandene? Jeg har også merket meg flere av disse synspunktene. Det er jo slik at vi gjennom mange år har forhandlet med EU og de andre EFTA-landene for å finne den best mulige løsningen innenfor EØS-avtalens rammer. Det mener jeg vi nå har oppnådd. Spørsmålet rundt stemmerett har jo aldri vært relevant, all den tid det krever medlemskap i EU, og det ville nok medført en helt annen debatt hos flere partier og medlemmer av denne sal. Jeg er også uenig i påstanden om at dette kun vil være sandpåstrøing, og jeg har lyst til å understreke det faktum at vi overfører altså begrenset myndighet til ESA, mens det norske finanstilsynet i det alt vesentlige vil operere akkurat som i dag og ha kontroll med norske banker og finansinstitusjoner. Når det gjelder spørsmålet om strengere regler,

finansministeren sa og hva Fremskrittspartiets talsperson sa. Hvor viktig har denne vurderingen av mulige presedensvirkninger vært for regjeringen i vurderingen i denne saken? Regjeringen har først og fremst jobbet for å finne en løsning på denne konkrete saken, basert på også det forhandlingsgrunnlaget som lå fra den forrige regjeringen, den forrige, rød-grønne regjeringen. Det er ikke automatikk i at den løsningen som foreligger nå, vil definere rammene for løsningene som man finner innenfor andre områder. Det vil avhenge av graden av likhetstrekk mellom de ulike områdene og posisjonene til både EU- og EFTA-statene. La meg bare være helt presis: at vi ikke anser at løsningen i finanstilsynssaken setter noen bindende presedens for senere saker.

Sånn som jeg har lest denne saken, og sånn som jeg også har hørt uttalelsen fra ulike fagfolk og også fra finansministerens egen statssekretær, er dette direkte feil. Nå sa statsråden også i finanskomiteens høring at saken var ekstremt vanskelig, så jeg kan forstå at man noen ganger svarer feil, men er statsråden enig med meg i at det er feil det som ble sagt 25. mai? La meg sitere igjen: «Det er et marked vi ville vært stengt ute fra hvis vi ikke hadde funnet en løsning.» Er det feil, eller er det rett? La meg i hvert fall være litt mer presis. Det handler selvsagt ikke om en fysisk utestengelse, men grunnlaget for denne saken handler jo om tilgang til EUs indre marked også på finansielle tjenester. Det sikrer vårt næringsliv, våre finansinstitusjoner og banker full tilgang til dette markedet på like vilkår som aktører i resten av det europeiske markedet. Hvis vi ikke hadde funnet en løsning på dette, ville våre banker og finansinstitusjoner fått en tredjelandsbehandling, som selvsagt ville fått konsekvenser for både konkurransevilkår og reguleringer, og som i neste instans ville bydd på utfordringer i forhold til hele rammeverket rundt EØS-avtalen. Dette handler altså om å inkludere dette spørsmålet i den eksisterende EØS-avtalen og fortsatt sikre oss full tilgang til det indre markedet. Jeg forstår at statsråden ikke vil si at hun sa direkte feil, for det er litt krevende å si, men jeg skjønner på svaret at hun sa det. Det det. Det står henne til ære. I et svar til Stortinget svarte altså statsråden at forvaltningskapitalen til utenlandske EU-banker inn i Norge er mange ganger så stor som forvaltningskapitalen for norske banker ut i EU-området, så det er ingen grunn for at en skal drive den type utestenging. La meg gå videre til neste oppfølgingsspørsmål. I felleserklæringen som står i proposisjonen som partileder og Fremskrittsparti-statsråd Siv Jensen har lagt fram, står det: den europeiske tilsynsmyndighet , heretter kalt «Myndigheten», opptre uavhengig, objektivt og på en ikke-diskriminerende måte utelukkende i Unionens interesse.» Norge er ikke medlem i unionen, takket være det norske folk som har sagt nei to ganger. Er Fremskrittspartiet nå overbevist om at det som er i unionens interesse, er statsråd Siv Jensen sikker på at det som er i unionens interesse, alltid er i Norges interesse? Man skal være usedvanlig tungnem for ikke å ha fått med seg Slagsvold Vedums sitater fra proposisjonen i løpet av debatten i dag. Jeg er generelt tilhenger av objektive kriterier. Jeg er også opptatt av et system som opptrer ikke-diskriminerende mellom aktører som skal delta i det samme markedet. Når jeg har jobbet med denne saken, som jeg tror vi alle er enige om at er teknisk komplisert, har jeg vært opptatt av hvordan vi kan sikre norske interesser på en best mulig måte overfor det markedet som er det suverent viktigste markedet for vårt næringsliv. Jeg mener at vi gjennom de svært lange forhandlingene som har pågått, både under den regjeringen Vedum selv satt i, og under denne regjeringen, lykkes i å oppnå en best mulig løsning innenfor de rammene vi har, som fortsatt sikrer oss full adgang til det indre markedet, som på en måte var hele bærebjelken i EØS-avtalen. Er

tilflyten av saker på dette området vil være særlig stor. Det har for øyeblikket omtrent ikke vært en eneste sak knyttet til disse spørsmålene heller i EUs organer. Men jeg kan forsikre representanten Valen om at skulle behovet for ressurser øke, vil det selvsagt komme på både regjeringen og Stortingets bord. Representanten Limi, som er

Kan Fremskrittspartiets leder bekrefte at Fremskrittspartiets stortingsgruppe i dag er stilt fritt og stemmer etter sin egen overbevisning i saken? La meg først si at det vi nå diskuterer, er et område med betydelig grensekryssende aktivitet. Det å sikre at vårt næringsliv, våre finansinstitusjoner og banker får adgang til vårt suverent viktigste Det handler om å opprette og utvikle en god næringspolitikk også for en stor og viktig finansnæring for Norge. Så er det slik at Finanstilsynet fortsatt i det alt vesentlige kommer til å være underlagt Stortingets kontroll. Her mener jeg representanten Lundteigen konstruerer en problemstilling som ikke er til stede. Det begrensede omfang av myndighet som overføres til ESA, er håndterbart, men det alt vesentlige med kontrollen med norske banker, forsikringsselskaper og finansinstitusjoner vil altså være i regi av det norske finanstilsynet. Stortinget og regjeringen vil på samme måte som tidligere også ha kontroll med verktøy og virkemidler, gitt at det skulle oppstå en ny finanskrise vi må håndtere på nasjonal kjøl. Dermed er replikkordskiftet omme. Det er en stor og viktig sak Stortinget i dag skal ta stilling til.

Løsningen gjør det mulig å videreføre EØS-avtalen med full deltakelse for norske aktører i EUs indre marked på finansområdet. Finanskrisen har vist at det er gode grunner for overnasjonalitet på akkurat dette området. Gjennom å finne en løsning der vi sikrer en enhetlig praksis i Europa, ivaretar vi viktige interesser for norsk finansnæring og til norsk næringsliv og husholdninger som er avhengig av norsk finansnæring. Vi unngår en fragmentering av EØS-samarbeidet for finansielle tjenester. Det er ikke aktuelt fra vår side å legge norske finansforetak direkte under EU-tilsynsmyndighet. EU-siden kunne for sin del, noe som må ses i lys av den generelle erfaringen fra finanskrisen, ikke akseptere en løsning uten overnasjonalitet der all myndighet forble på nasjonalt plan i

Før ESA fatter et bindende vedtak, skal nasjonale tilsynsmyndigheter inviteres til å bistå med teknisk ekspertise. Retten til å gi slike faglige innspill kommer i tillegg til og supplerer den retten til deltakelse, uten stemmerett, som representanter fra de nasjonale tilsynsmyndighetene i EØS/EFTA-statene vil få i arbeidet med de tre

Dersom det skulle bli avvik i vedtakene som fattes i EFTA- og EU-pilarene, vil dette kunne tas opp til drøftelser i EØS-komiteen etter de vanlige reglene i EØS-avtalen om tvisteløsning. Løsningen innebærer derfor formelt sett ikke noen overføring av myndighet til EU-pilaren. Et grunnleggende prinsipp er at EØS-samarbeidet skal videreutvikles i takt med utviklingen i EUs indre marked og for å sikre rettslig homogenitet og mest mulig like konkurransevilkår. Da EØS-avtalen ble inngått, var det nesten ingen byråer og tilsyn i EU. EØS/EFTA-statenes deltakelse ble derfor ikke regulert i EØS-avtalen. Man kan si at både den forrige og den nåværende regjeringen har vært nødt til å drive nybrottsarbeid. I dag utgjør EUs byråer og tilsyn et sentralt element i samarbeidet om det indre marked. Dette har også vesentlig betydning for EØS-samarbeidet. For å sikre et fungerende må EØS/EFTA-statene ha en adekvat tilknytning til EUs byråer og tilsyn. Få områder er viktigere enn finansmarkedsområdet i så måte. Norge må ha en offensiv og løsningsorientert tilnærming for å sikre deltakelse i relevante byråer og tilsyn, selv om dette kan innebære enkelte utfordringer av institusjonell eller rettslig karakter. Full deltakelse, om enn uten stemmerett, må gjennomgående være målet, slik også praksis har vært. Stemmerett for ikke-medlemsstater i EUs byråer og tilsyn er ikke aktuelt. Her inntar EU en klar prinsipiell holdning. EØS/EFTA-statenes deltakelse vil være nødvendig for fortsatt å sikre en fungerende EØS-avtale, regelverkslikhet i EØS-området og mest mulig like rammebetingelser for norske bedrifter. Det er vanskelig å si noe eksakt om mulige bredere implikasjoner og eventuelle presedensvirkninger av å åpne for myndighetsoverføring i finanstilsynssaken, særlig fordi EUs byråer og tilsyn kan være vesentlig forskjellige når det gjelder roller, funksjoner og myndighet. Norsk utgangspunkt må fortsatt være at hver EØS-sak må behandles ut fra sine egne premisser og hva som etter en samlet vurdering best tjener våre interesser og et ønske om å videreføre en velfungerende er verken mulig eller ønskelig å finne en «standard» løsning for EØS/EFTA-statenes tilknytning til EUs tilsyn og byråer. Det er lagt ned mye ressurser i denne saken, og vi mener den framforhandlede løsningen står seg godt. Det er ikke realistisk at vi vil kunne oppnå bedre resultat ved å gjenoppta forhandlingene. Det blir replikkordskifte. Kan europaministeren klargjøre hvilke eventuelle konsekvenser det ville hatt om EØS-landene ikke hadde kommet fram til

og ikke finner gode løsninger når man har brukt lang tid på å sitte ved bordet og framforhandle det som begge partene er enige om er en akseptabel løsning, skaper ikke det et godt klima for det videre samarbeidet, som er så viktig for

hvilken mal dette gir for mulige nye områder vi skal følge denne prosedyren som her er valgt, på. Det er veldig interessant å se hva som står i proposisjonen. Finansministeren sa at dette gjaldt denne saken og ikke noe mer, og det var vel også europaministeren inne på, mens hun i Nationen i hvert fall er sitert på at dette kan fungere som en god mal, ikke minst på energisiden. Så mitt spørsmål er nå egentlig: Hva mener regjeringen? Er dette en mal, eller er det ikke en mal? La meg starte med å si at EØS-avtalen er en avtale mellom Norge og EU, og den innebærer både rettigheter og plikter. Det var det jeg var opptatt av å understreke i mitt forrige svar,

nå, kan det være noen likheter, men også mange ulikheter, og det gjør at vi må nærme oss dette fra sak til sak og se på hva som er mulig å finne, og hva som vil være den beste løsningen for Norge. Her må jeg si jeg opplever en endring i regjeringens argumentasjon over tid, og det tar jeg
i proposisjonen at det i utgangspunktet ikke skal forekomme. Ja, det står til og med at «Det er en underliggende forutsetning i den fremforhandlete modellen at EFTAs overvåkingsorgan, kort tid etter mottak av et slikt utkast fra den relevante EU-tilsynsmyndigheten, vil fatte et likelydende eller tilnærmet likelydende
vedtak.» Hvordan er det da mulig å snakke om reell innflytelse? Det er mulig at «kort tid» også kan være et litt relativt begrep. Det vi er veldig opptatt av, er at vi får denne topilarløsningen, at ESA skal fatte sine vedtak på et selvstendig rettslig grunnlag, og at man skal kunne rådføre seg med nasjonal ekspertise. ekspertise. Da er det mitt utgangspunkt at da må ESA ta den tiden man trenger, uavhengig av hva det står om – og hva man definerer som – «kort tid etter». Regjeringen har funnet det statsråden benevnte som et «adekvat» arrangement for å omgå Grunnloven, og mange av oss er

et energibyrå som kan komme til å påvirke hva slags innflytelse NVE får i årene framover, og de har også tatt avgjørelser i konflikter mellom medlemsland når det gjelder grensekryssende gassrørledninger. Gassrørledninger er jo noe vi kjenner til i Norge, og som vi har sterke nasjonale interesser knyttet til. Statsråden svarte ikke representanten Syversen, men jeg vil gjerne spørre direkte: Er det arrangementet som man nå har lagt fram, en mal for tilslutning til ACER, eller er det ikke det? Jeg vil ta avstand fra påstandene om at regjeringen har lagt fram en løsning der vi omgår Grunnloven, slik som representantene fra Senterpartiet i dag argumenterer med. Det er fortsatt en realitet at når det gjelder ACER, forhandler man om hva slags tilpasning Norge skal ha til dette byrået. Jeg understreker igjen både svaret finansministeren har gitt, og svaret jeg ga tidligere, nemlig at ingen av disse byråsakene er like, og at de må håndteres som det. De er ikke like, og det må jobbes med å framforhandle løsninger som er så gode som mulig sett fra norsk side.

som er så gode som mulig sett fra norsk side. Eg siterte ei tidlegare replikkveksling statssekretær Vamraak, som i Politisk kvarter 30. mai sa at «baksiden av medaljen er jo selvfølgelig at vi ikke står fritt til å innføre fullt så strenge reguleringer som vi ønsker fra norsk side.» Så høyrde eg finansministeren som sa at Noreg ville ha fridom til innanfor rammene til direktivet

og vi ønsker selvfølgelig på en absolutt best mulig måte å ivareta og sikre at vi har et regelverk i Norge som tjener oss godt, men som samtidig tar inn over seg at vi er en del av et europeisk samarbeid gjennom EØS-avtalen. I tidligere replikkordvekslinger sa statsråden at ESA skal fatte

er en institusjon som vi absolutt har innflytelse over.» Dette er ikke bare to, men faktisk tre gjensidig utelukkende utsagn og en veldig god illustrasjon på hvorfor det er vanskelig å støtte regjeringens forslag. Kan Aspaker redegjøre for hva det er som stemmer? Fatter ESA beslutninger på selvstendig rettslig grunnlag? Fatter de kopivedtak fra EU, som regjeringen skriver i sin proposisjon, eller er ESA en institusjon Norge øver innflytelse over?

Det indre markedet i EU har felles konkurranseregler som gjelder for alle landene som deltar. For å få til like konkurransevilkår også på finansområdet krever EU at også EØS-landene skal omfattes av det nye finanstilsynssystemet. Det gjør vi gjennom å overføre overvåkings- og tiltaksmyndighet til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, samt domstolsmyndighet til en myndighetsoverføring som gjør at regjeringen ber om at Stortingets samtykke skjer i henhold til Grunnloven § 115. Vi skal ikke flytte Finanstilsynet til Brussel. Ingen har foreslått det. Norge vil selvfølgelig ha sitt eget finanstilsyn, som før. Akkurat som nå vil det være Finanstilsynet i Norge som fører tilsyn med norske finansinstitusjoner, og akkurat som før vil det norske tilsynet kunne pålegge strengere krav til norsk finansnæring enn man ser ellers i Europa. Dette dreier seg om å formalisere hvordan det norske tilsynet skal forholde seg til ESA, siden vi gjennom EØS-avtalen er en del av det indre marked. Den løsningen har man nå funnet gjennom en vi nei, betyr det at norsk finansnæring vil stå utenfor det indre markedet. Norsk finansnæring vil få problemer med å bistå norske bedrifter som skal konkurrere ute, og norske finansinstitusjoner vil kanskje ikke selge sine spareprodukter i EU. EØS er viktig for Norge. Det var det nasjonale kompromisset etter at vi sa nei til EU-medlemskap. EØS sikrer norsk næringsliv tilgang til våre viktigste eksportmarked. 75 pst. av vår eksport går til Europa, og vi har en nasjonal landbruks- og fiskeripolitikk. Modellen som er valgt, er helt i tråd med topilarsystemet EØS-avtalen. Det norske finanstilsynet skal føre tilsyn med norske finansinstitusjoner. Det norske finanstilsynet får plass i de europeiske tilsynene, dog uten stemmerett. ESA overvåker at det norske finanstilsynet følger det felles regelverket, Kommisjonen overvåker EU-siden. EFTA-domstolen dømmer om det er uenighet, som EU-domstolen gjør på EU-siden. Hvis denne modellen bryter med Grunnloven, er hele EØS-avtalen et brudd på Grunnloven. Det er jo ikke sånn at når ESA gjør et kopivedtak av det europeiske tilsynet, så betyr det at vi underlegges EU. Nei, det er ingen juridisk forpliktelse til å gjøre et kopivedtak, men i et indre marked med felles regelverk, der én tilsynsmyndighet overvåker 28 medlemsland og en annen tilsynsmyndighet overvåker 3 land, ville det være oppsiktsvekkende om de to tilsynsmyndighetene på grunnlag av det samme regelverket skulle komme ut med veldig ulike konklusjoner. Den vedtaksmyndighet som overføres til EFTAs overvåkingsorgan, gjelder klart definerte tilfeller, hovedsakelig grenseoverskridende situasjoner der det er behov for megling mellom nasjonale myndigheter, krisesituasjoner og tilsyn med noen viktige aktører, som kredittratingbyrå. Det er vel egentlig fornuftig at slik myndighet overføres til et overnasjonalt nivå, kanskje også nødvendig om vi skal sikre finansiell stabilitet i finansmarkedet, der aktører opererer på tvers av nasjonale grenser.

Finans- og særlig banksektoren, men også alle andre sektorer i næringslivet blir raskt påvirket. Det så vi tydelig under finanskrisen, også her hjemme. Det var derfor klokt av den rød-grønne regjeringen den gang å sette i gang arbeidet med å finne en god tilknytningsform til EUs finanstilsynssystem. På bakgrunn av de utslagene vi hadde sett av manglende tilsyn før krisen, var det selvsagt heller ingen motstand verken i Stortingets opposisjon eller innad i den rød-grønne regjeringen, som satte dette i gang,

Med denne proposisjonen på plass får vi også det endelige formelle grunnlaget på plass for at vårt nasjonale finanstilsyn, med unntak av stemmeretten, kan delta fullt ut og ha mulighet til innflytelse på de faglige vurderingene som gjøres i tilsynsmyndighetene. Og er det på noe område vi bare er et lite land i verden og avhengig av hva som skjer rundt oss, så er det innen finanssektoren, som er internasjonal og global i sin legning, og vår isolasjonisme og nasjonalisme gir svært dårlige vilkår både for finansnæringen og for kontrollen med den. EU har etter krisen utviklet mye nytt regelverk for finansmarkedet. Mye av dette har med tilsyn å gjøre, og for å få nytt regelverk inn i EØS-avtalen trenger vi da en formell løsning på hvordan EFTA-landene, blant disse Norge, skal forholde seg til tilsynssystemet. Det er ikke nok å tilpasse oss EU-regelverket nasjonalt, slik vi har gjort på en del områder. EØS-avtalen forutsetter i sin natur at vi også etablerer en formell forpliktelse til å ha et slikt regelverk, og at vi er med på en ekstern overvåking av at vi følger forpliktelsen. Dette har vært en lang prosess, men den har også vært grundig, faktisk også i finanskomiteen, selv om mange sier noe annet, og i den forbindelse: stor honnør til saksordføreren, som har gjort en utmerket jobb. Dette formelle samarbeidet skal rett og slett prøve å unngå en ny finanskrise. Noen av oss husker fortsatt hvordan det var i Stortinget da finanskrisen kom, hvor hjelpeløse vi oppfattet oss – jeg satt selv i Stortingets finanskomité den gangen. Selv vår robuste økonomi skalv fra de rystelsene som skjedde utenfor oss: Oljeprisen falt, verdens børser raste, og det var faktisk ingen steder å gjemme seg. Det er jo bakgrunnen for at vi står her i dag og diskuterer

hva skal vi bidra med? Det er jo det dette handler om. Det handler om å bidra til finansiell stabilitet, ikke bare i vårt eget land, men i hele Europa, som også vårt land er avhengig av. Det handler om på den måten å bidra til å unngå å skape nye finanskriser, som smitter fort og også kan treffe vårt land, treffe vårt næringsliv, treffe vår økonomi. Og det handler ikke minst om – som vi treffer på i veldig mange saker i finanskomiteen – å bidra til å unngå veldig mange former for kapitalisme som vi ikke ønsker oss i det hele tatt. Gjennom å bidra på denne måten kan vi styrke ikke bare konkurransekraften i norsk finansnæring, men konkurransekraften i norsk næringsliv i det hele tatt. For det er jo det som ligger i bunnen for at vi ønsker å knytte oss til disse systemene på en slik måte som gjør at ja, vi kan bidra, og ja, vi har fortsatt avgjørelsesmyndighet, og det vil hjelpe oss og norsk næringsliv i det lange løp for å få bedre vekst i norsk økonomi. Det har heile vegen kome fram nye moment i denne saka. For meg er

Regjeringspartia og Arbeidarpartiet prøver å teikne eit bilete av at ingenting vert endra. Ja, finansmisteren gjekk til og med så langt at ho hevda, her i stortingssalen, at saka om avståing ikkje handlar om avståing av suverenitet. Det manglar ikkje på relevante åtvaringar. Under høyringa om saka peika Erik Reinert, økonomiprofessor og medlem av Finanskriseutvalet, på at EU tidlegare Finanskriseutvalet, på at EU tidlegare har pressa på for løysingar der skattebetalarane og vanlege spararar skulle betale for gjelda til private banker. Reinert åtvara sterkt mot hastverk i denne saka. Det gjer også LO, som i eit brev til Stortinget understrekar tydinga av nasjonalt tilsyn med finansnæringa og ber om at saka vert utsett. LO slår fast det Senterpartiet har åtvara mot i lang tid, nemleg at det er meir enn tydeleg at Stortinget treng ei grundigare drøfting av dei potensielle konsekvensane av denne saka. Det er mange skjær i sjøen knytt til denne suverenitetsoverføringa. I Klassekampen 24. mai viser Morten Harper til at EU har etablert ein bankunion der Den europeiske sentralbanken er eit felles tilsyn for eurolanda. Bankunionen er utanfor Harper skriv her: «På sikt vil trolig det finanstilsynet som regjeringen vil knytte Norge til i EØS, smelte sammen med bankunionen. Det er i alle fall lite rasjonelt for EU i lengden å operere med flere til dels konkurrerende instanser. Vil vi med forslaget fra regjeringen kunne bli viklet inn en bankunion som både Norge og EU er enig om at er utenfor EØS?» Kombinasjonen av at det er reelt usikkert, men at ein frå ja-sida likevel gir skråsikre garantiar, har me opplevd før. før. Før Noreg underteikna EØS-avtalen, fekk me nok av garantiar. Norske arbeidsreglar ville ikkje verte påverka. Differensiert arbeidsgjevaravgift var ikkje trua. Konsesjonslovene for vasskrafta var ikkje relevante for EØS. Importmonopolet til Vinmonopolet hadde ikkje noko med EØS å gjere. Reguleringar av utanlandsk eigarskap i finanssektoren i Noreg kunne me fint styre som me ville. 100 pst. av løfta eg no ramsa opp, er brotne. Har nokon stått til ansvar? Nei. EØS-debatten begynte altfor seint. Konsekvensane av avtalen hadde ikkje vunne å kome godt nok fram i lyset. Eg er redd dette vil skje igjen. I mi replikkveksling med representanten Heidi Nordby Lunde fekk eg ikkje svar på om Noreg står fritt til å innføre strengare reguleringar enn det EUs finanstilsyn gjer. I svaret på ein replikk frå Irene Johansen sa finansministeren at Noreg vil stå fritt innanfor rammene av direktivet til å gi strengare regelverk. Med andre ord, stikk i strid med det både saksordføraren og representanten Nordby Lunde sa i sine innlegg, er Noreg altså ikkje fri til å gjere dei vedtaka som til kvar tid vil tene bank- og finansvesenet vårt. Me må rette oss etter EUs finanstilsyn, som berre – som det står i proposisjonen – skal gjere vedtak «i unionens interesse». Etter statsråd Aspaker sine svar på replikkar frå representanten Serigstad Valen og meg sjølv står spørsmålet like ope. Kan Noreg innføre strengare regelverk for finansnæringa enn det EUs finanstilsyn gjer? Sjølvsagt kan me ikkje det. Og stortingsfleirtalet tek på seg eit stort ansvar når ein legg viktige avgjerder til Brussel. Er verkeleg EUs finanspolitikk nokon suksess? Representanten Flåtten viste til at finanskrisa er ein god grunn til å danne felles finanstilsyn mogleg det, innanfor EU og eurolanda sine grenser, med tilslutta land. Seinast i fjor sa finansministeren at ein skulle finne ei løysing utan å gi frå seg suverenitet. Difor var det eit sjokk å få denne løysinga på bordet, og det er feil å seie at me visste om dette i lang tid. Ja, me visste om saka, me jobba med saka for å finne ei løysing utan å gi frå oss suverenitet, men i ei raud-grøn regjering hadde ikkje dette vorte vedtaket – ikkje med Senterpartiet i den regjeringa, i alle fall. Representanten Flåtten sa òg at Noreg er eit lite land i verda. Ja, men me er svært mykje meir vellukka i vår økonomiske politikk og finanspolitikk enn det EU har vist seg å De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. For norsk næringsliv er
konkurransekraft veldig viktig. Då må me bl.a. ha mest mogleg like konkurransevilkår, standardar og krav og ikkje minst tilgang til Europa som marknad. Det er difor me har EØS-avtalen. For finansnæringa kan me ikkje stilla oss slik at næringa ikkje har så like vilkår som mogleg som

Noreg. For det andre handlar saka om at me skal tryggja folk sine sparepengar og ikkje minst tryggja norske arbeidsplassar. Den internasjonale finanskrisa viste oss kor gale det kan gå når bankane tek meir risiko enn dei kan tola. Det er difor me treng dette, og EU tok ansvar og fekk på plass eit nytt og meir omfattande system for samarbeid om finanstilsyn. Ein kan undra seg på kvifor nokon meiner at me ikkje skal ta del i eit slikt nytt og betre tilsynssystem. Hensikta er jo å gjera europeiske bankar meir motstandsdyktige mot kriser og dårlege tider. Dette vil gagna norsk næringsliv og norske forbrukarar. Me treng eit slikt einsarta regelverk i EØS for finansielle tenester. Får me ikkje dette til, må me forventa at det kan verta vanskeleg å oppretthalda eit velfungerande EØS-samarbeid for finansielle tenester og også norsk deltaking i eit felleseuropeisk tilsynssamarbeid. Dette er svært uheldig for norske forbrukarar, norsk næringsliv og norsk økonomi. Det handlar om samarbeid fordi finansiell tenesteyting er grenseoverskridande. Difor er det viktig at det norske finanstilsynet har eit godt og tett samarbeid med sine europeiske kollegaer. Det aller meste av tilsynet med finansmarknaden og finansføretaka i Noreg skal liggja i det norske finanstilsynet, og den myndigheita som vert overført, er eigentleg avgrensa i omfang, som t.d. tilsyn med kredittvurderingsbyrå og nokre typar register for verdipapirtransaksjonar. Og er det ikkje bra med tilsyn over landegrensene med store internasjonale kredittvurderingsbyrå og verdipapirtransaksjonar? Kva er gale med europeisk standard for tilgang til å forby eller avgrensa visse typar finansielle verksemder eller spareprodukt? Liv Signe Navarsete stilte i ein replikk til Aspaker spørsmål om det vert strengare reglar.

ut av unionen, og dem som fortsatt vil ha Storbritannia i unionen. Hvis Storbritannia den 23. juni skulle bestemme seg for å gå ut, er det klart at det vil ha stor påvirkning på finansmarkedspolitikken i EU, og også på finanstilsynssaker. Island på sin side har bestemt seg for å vente til høsten, og det gir oss også en mulighet til å bruke lengre tid og gjøre denne prosessen grundigere enn det vi har gjort. I tillegg vet vi at andre land som ikke er medlem av EU, på linje med Norge, har valgt andre løsninger. Sveits har ikke sluttet seg til et felles finanstilsyn og har, så langt vi kjenner til, ikke møtt noen hinder for sin finanssektor overfor EU. Det er altså fullt mulig også å kunne ha arrangement med EU og samarbeide med EU på finansmarkedssiden uten å være en del av finanstilsynet på en eller annen måte. Det er altså fullt mulig også å kunne ha arrangement med EU og samarbeide med EU på finansmarkedssiden uten å være en del av finanstilsynet på en eller annen måte. Det er en rekke ubesvarte spørsmål etter dagens debatt. Det er riktig at en har orientert Europautvalget i Stortinget flere ganger, men en la ikke fram noen sak til behandling for Stortinget før den siste fristen gikk ut denne våren – og det var på hengende håret. Det

Hvor stor grunn er det for oss til å tro at vi blir utestengt? Og det siste: Er dette en modell som får presedens for andre områder og andre tilsyn som også er viktig for Norge, og der Norge har sterke norske interesser? Ikke minst gjelder det energisektoren, som vi har vært inne på tidligere i debatten. Det er

Og viss ein ikkje ser, har ein sanneleg ikkje lært mykje av den førre finanskrisa. Eg vel å tolke den store motstanden her i dag som eit utslag av instinktiv motstand mot alt som luktar av EU, eller, for å summere opp representanten Snorre Serigstad Valens innlegg tidlegare: Han er for i teorien, men mot i praksis. Slik endrar ein verda. SVs føretrekte løysing er å forhandle fram stemmerett i EUs Eg veit ein måte ein kan gjere det på. Det er god grunn til å dvele ved dei konstitusjonelle sidene av saka. Noreg har sagt nei til å delta som voterande medlem i EU, men har likevel eit sterkt ønske om og behov for tilgang til den indre marknaden. Det fører nødvendigvis til ei rekkje løysingar som er – skal vi seie – langt frå ideelle, iallfall sett med norske

Strukturen som er sett opp i ESA denne gongen, ber i større grad enn vanleg preg av sandpåstrøing. Problemet med det er ikkje berre at rommet for sjølvstendige vedtak blir lite, men ikkje minst også at moglegheita for reell kontroll og reelle rettstryggleiksgarantiar for EFTA-domstolen synest svak. Ut frå mitt juridiske og politiske skjøn kan ein slutte at det nærmar seg ytterkanten av det som er mogleg etter Men – som kommentator Mathias Fischer spør i dagens Bergens Tidende – kva er alternativet? Vel, alternativet dersom ein vil vere med i EU-demokratiet, ikkje berre i EU-byråkratiet, er å søkje EU-medlemskap. Det er det liten appetitt for i det norske folk, og det held Stortinget seg til. Men i fråvær av det

for å hindre nye kriser. Den internasjonale finanskrisen viste hvor galt det kan gå når bankene tar mer risiko enn de kan tåle. EU etablerte derfor i kjølvannet av finanskrisen et nytt og mer omfattende system for samarbeid om finanstilsyn. Hensikten er å gjøre europeiske banker mer motstandsdyktige mot kriser og dårlige tider. Vi vet at ustabilitet fra verden rundt oss fort kan smitte over til Norge med tilhørende konsekvenser for norske bankkunder og vårt næringsliv. Sier vi nei til å knytte oss til EUs finanstilsyns system, kan det bety at norsk finansnæring vil stå utenfor det indre marked. Det betyr at norsk finansnæring kan få problemer med å bistå norske bedrifter på vei ut i verden, at norske finansinstitusjoner, som fondsselskapene, ikke kan selge sine

bedrifter. Det er det siste vi trenger når norsk økonomi står midt i en stor omstilling. Dersom vi blir stående utenfor det europeiske samarbeidet om finanstilsyn, må vi forvente at EU vil suspendere EØS-samarbeidet for finansielle tjenester. Finansiell tjenesteyting er grenseoverskridende. Det er derfor viktig at det norske finanstilsynet har et godt og tett samarbeid med sine europeiske kolleger. Denne saken har vært grundig behandlet over mange år. Den rød-grønne regjeringen, inklusive Senterpartiet, startet arbeidet i 2009, og saken har vært omtalt og behandlet i Stortinget hele 18 ganger etter det. Innenfor EU er

saken er at Stortinget avgir suverenitet, og at Norge skal forplikte seg til et homogent og enhetlig regelverk. Det er hele poenget. Jeg må si at det er kunnskapsløst, eller å snakke mot bedre vitende, når enkelte representanter, bl.a. fra Arbeiderpartiet, sier at norsk finanstilsyn kan reguleres strengere enn det som skjer i EU-land. Referatet fra at man skal sikre ensartede tilsyn i hele EØS-området. Det som skjer, er at folkevalgt makt over finanssektoren svekkes, og det er svært sterkt å oppleve at Arbeiderpartiets ledelse er for dette verdigrunnlaget. Det er en reell suverenitetsavståelse til en instans som vi ikke er medlem av, vi nå skal gjennomføre. I henhold til Grunnloven § 115 heter det at Stortinget kan «med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter Det som er kjernen i dette, er at vi avgir suverenitet i denne saken, at det er i strid med § 115, og det er en omgåelse av kravet i Grunnloven, for det står her at det skal være en sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til. Professor Eivind Smith har sagt det slik i Nationen 24. mai: «Ei omgåing av krava i Grunnlova.» Han sier videre: «Gjennom EØS-ordninga og ei rekke andre steg i retning tettare integrering lever vi i ei konstitusjonell skuggeverd der vi lèt som vi er suverene medan vi driver og overfører makt stadig vekk.» EUs overnasjonale tilsynsmyndighet med sine 605 ansatte vil være førende for hva ESAs ene mann kan beslutte. Han skal bare signere på det han får fra EU. Flere finansreguleringseksperter mener at maktoverføringen betyr at Norge underlegger seg et svakt EU-regelverk, og det er ikke i vår interesse.

byråer og tilsyn en enda mer fremtredende rolle fremover.» Regjeringa seier også at Noreg må knyte seg til desse tilsyna «selv om dette kan innebære enkelte utfordringer av institusjonell eller rettslig karakter». Og vidare: «Full deltakelse uten stemmerett må gjennomgående være målet.» Når stortingsfleirtalet i dag vil gjere eit vedtak om å overføre myndigheit og suverenitet på det viset som det ligg an til, vil det seinare kunne få konsekvensar også for personvernet til norske borgarar, som nemnt. Dette er konsekvensar vi ikkje anar omfanget av i dag. Vi må klare å sjå utover den enkelte saka, og i dette tilfellet vere obs på smitteeffekten eit vedtak kan ha for andre politikkområde. Eg nemnde EUs datatilsyn og personvernet, og vi stortingsrepresentantar må vere sunt skeptiske på vegner av eigne I dei komande forhandlingane om tilknyting til både dette og andre tilsyn vil ikkje Noreg stå særleg sterkt etter at vi i dag sluttar oss til EUs finanstilsyn. Det vart sagt av representanten Limi i starten av debatten, då temaet var om saka skulle utsetjast til seinare, at det ikkje var sannsynleg at ei slik utsetjing ville endre resultatet. Nei, det kan hende stortingsfleirtalet ikkje vil bry seg om at Storbritannia eventuelt melder seg ut av EU, at dei meiner det ikkje har relevans for denne saka om EUs finanstilsyn. Då seier det truleg meir om dei enn om den faktiske relevansen. Det er verdt å merke seg at leiande økonomar seier at resultatet av avstemminga i Storbritannia kan bety mykje for EUs finansmarknad, og at denne avgjerda burde vore på plass før vi konkluderer om norsk tilknyting til EUs

også foregående taler, gjelder denne saken å overføre myndighet til EU, eller sågar å snikinnføre EU-medlemskap bakveien. Det er det jo ikke snakk om. Derimot kan saken nettopp ses på som en oppfølging av den tilknytningsform til det europeiske samarbeidet som ble det store nasjonale kompromisset, nemlig at vi inngikk EØS-avtalen. Det saken handler om, er noe så saklig avgrenset, men allikevel viktig, som at norsk finansnæring fortsatt skal kunne være en del av det indre marked, som vi har sluttet oss til gjennom EØS-avtalen. Uten å fatte det vedtaket som foreligger på bordet i dag, vil altså norske banker og forsikringsselskaper ikke lenger være sikret full tilgang til det europeiske markedet. Det ville være meget dramatisk for næringen og ikke minst dramatisk for de 50 000 ansatte som har sitt levebrød i næringen, og selvsagt også for en rekke andre norske aktører. Norsk finansnæring er avhengig av Europa, mens vi nok kan være realistiske og slå fast at Europa ikke i samme grad er avhengig av norsk finansnæring. Norge har valgt å forhandle med EU gjennom ulike avtaleforhold. Det er altså EØS-avtalen som er den viktigste og mest omfattende. EØS-avtalen gir oss en privilegert adgang til EUs indre marked, og det gjelder jo ikke minst for finansiell virksomhet. Prisen å betale for denne omfattende markedsadgangen er at avtalen må utvikle seg i takt med EUs regelutvikling, og at regelutviklingen på det finansielle området selvfølgelig har vært svært omfattende etter finanskrisen. Harmonisering av regelverket i EFTA- og EØS-landene og EUs medlemsland er selve premisset for hele Så hvis man har noe imot selve det konseptet man har nå, er det jo egentlig EØS-avtalen man argumenterer mot. Dette er en følge av vårt EØS-medlemskap. Det er altså en rekke viktige ting det nye tilsynet skal gjøre – det skal utforme forslag til regelverk, og det skal sørge for at det blir opprettet en enhetlig manual for tilsyn med finansinstitusjonene i det indre marked, og den nasjonale selvråderett affiseres bare hvis vi ikke lever opp til disse internasjonale standardene. I dag skal Stortinget gjera det som er

at ein etter Grunnlova krev tre firedels fleirtal. Spørsmålet er kvifor vi skal gjera dette. Svaret må etter mitt syn vera så tydeleg og så forståeleg at vi kan forklara det til dei vi representerer ute i landet. Det bør vera ein god grunn. Forslaget frå regjeringa inneber at Noreg gjennom EFTA underlegg seg EUs finanstilsynsstruktur, som i praksis

og det er vanskeleg å sjå at det har vore noko katastrofe». Den siste finanskrisa fekk store konsekvensar i ei rekkje europeiske land, der mange hundre tusen menneske mista jobben. Noreg klarte seg betre, og det er fleire grunnar til det, men Finanskriseutvalet peikte nettopp på kor viktig det er at Noreg sjølv kan velja å operera med strengare reglar enn Å overføra suverenitet til EUs finanstilsyn vil svekkja Noregs moglegheiter til dette. Vi overfører då suverenitet til eit tilsynssystem som skal handtera ein pengestruktur for ein valutaunion utan tilhøyrande finansiell og politisk union. Det er ikkje logisk politikk. Senterpartiet er på linje med LO i denne saka. Dei ber om ei grundigare drøfting av potensielle konsekvensar

er splid. Vi har bak oss en finanskrise. Behovet for regulering og tilsyn er fortsatt stort og burde være klart for de fleste. Det har vært mye debatt nå her i salen om tilsyn, hvordan det skal føres tilsyn, og hva tilsynet skal gjøre. Sannheten er at det tilsynet som skal føres, vil være basert på rettsakter som tas inn i norsk lov, og som også vil ha sitt motsvar i EU. Det er ikke sånn at EUs finanstilsyn skal sitte og finne på ting som bør kopieres og innføres i Norge. Det vil være gjort på bakgrunn av rettsakter som har sin demokratiske forankring. forankring. Det vil også være disse rettsaktene og forordningene som beskriver noe av handlingsrommet til de enkelte landene til å bruke sin egen myndighet til å være strenge eller ikke strenge ut fra hvordan de er utformet. Så det kunne være en fordel om vi i Stortinget brukte like mye tid som vi har satt av i dag til å diskutere disse, når de også blir en del av norsk lov fortløpende. Det vil altså bli gjort på vanlig måte. ESA kan i dag gripe direkte inn overfor norske selskaper og norske myndigheter på konkurranseområdet. Dette er basert på lovgivning vi har i Norge, og som også finner sitt motsvar i EU. ESA og kommisjonen følger tilnærmet lik praksis og skal ha kommunikasjon om hvordan dette utøves. utøves. Nå skal vi overføre myndighet ikke på en ny måte, men på en egentlig ganske lik måte som det vi har gjort hittil, men på et nytt område, fordi vi har et nytt område vi skal ha lik praksis på. Vi har ofte angrep på EØS-avtalen. Det blir kalt faksdemokrati og mye annet, men det er en avtale som har vært god for Norge. Norge. Det var også en avtale som jeg vil minne om gjorde at mange også var komfortable med å si nei til norsk EU-medlemskap i 1994, nettopp det at vi har en avtale som sikrer Norge adgang til markedene. Er dette en omgåelse av Grunnloven? Nei, dette er en avtale for å kunne oppfylle Grunnloven. Jeg vil først gjerne takke for debatten, som på en god måte har belyst både saken og enkeltes betenkninger med hensyn til den. Jeg vil også
Heidi Nordby Lunde

Den har blitt utviklet løpende gjennom årene, og myndighet har også blitt overført til ESA tidligere, men da ut fra § 26. Det er viktig for norsk næringsliv og for Norge at EØS-avtalen fortsatt utvikles i takt med utviklingen i det indre markedet, slik at dette markedet fungerer. Det bidrar den framforhandlede løsningen til. De norske banker og finansinstitusjoner er omfattet av EØS-avtalen og har gjennom den hatt tilgang til det europeiske markedet, på linje med de europeiske finansinstitusjonene, siden 1992. Dette er altså ikke noe nytt. Det er heller ikke noe nytt at det norske finanstilsynet samarbeider med EUs finanstilsyn. For meg handler denne saken om å sikre at de norske bankene og finansinstitusjonene fortsatt har og at det norske finanstilsynet fortsatt kan delta i samarbeidet om utvikling og oppfølging av felles regler for overvåking og tilsyn, slik det altså har gjort siden 1992. Det indre markedet har felles konkurranseregler, som gjelder for alle landene som deltar i dette markedet. Det tjener alle på. For at

som ellers når det gjelder samarbeid med EU, deltar vi uten å være med på beslutningene. Denne løsningen er innenfor topilarstrukturen i EØS-avtalen, som altså regulerer vår tilgang til det europeiske markedet. Representanten Marit Arnstad påpekte at det er tre spørsmål som gjenstår som ubesvarte. Jeg er litt uenig i det, og

Hun mente at det var fare for at det vi vedtar i dag, skulle skape presedens for nye tilsyn. Der synes jeg finansministeren var forbilledlig klar og avviste at det var tilfellet. Så var det spørsmål om vi ble utestengt fra markedet. Svaret på det er jo at uavhengig av om vi blir utestengt eller ikke, får vi ikke tilgang til et harmonisert marked, og dette vil gå ut over norsk finansnæring og ikke minst norsk finansnærings mulighet til å utvikle seg og bli med sine kunder ut i det som faktisk er vårt største marked. marked. Det siste er at det ser ut til å være en liten misforståelse når det gjelder dette med å utarbeide regelverk og vedtak i ESA – eller kopivedtak, som Senterpartiet kaller det. Da blander man sammen utarbeidelsen av regelverk og hva ESA og EFTA skal kunne vedta. Der vi overfører myndighet, er det for å kunne gripe inn i helt spesifikke tilfeller, noe som vi I regelverksutformingen er det av og til fullharmoniserte regelverk som vi ikke kan fravike dersom vi skal være en del av det indre markedet. Men andre ganger har man frihet innen direktivene, som f.eks. på kapitalkravene, der Norge ofte legger seg på den strengere delen av skalaen. Den muligheten vil Norge fortsatt ha. I oppfølgingen av regelverket, som tilsynene har, må de forholde seg til det regelverket. Jeg synes igjen det er interessant at Senterpartiet i denne debatten mener at norske særreguleringer er bra, men at de konsekvent i forbindelse med finansmarkedsmeldingen, nesten hvert eneste år, kritiserer regjeringen for å opprettholde nettopp norske særreguleringer, særreguleringer, bl.a. vekting av kommunelån, innføring av SMB-rabatt og nye krav til uvektet kapitalforvaltning. Det Senterpartiet egentlig gjør da, er at man på den ene siden sier at man ønsker fravik fra disse norske særreguleringene, men så ønsker man ikke det robuste tilsynet som EU faktisk ønsker å føre med en grenseoverskridende finansnæring. Jeg ønsker begge deler.

lese, og fordi vi har lest stortingsproposisjonene, og det står rett ut fra regjeringen: «EU-tilsynsmyndigheten, vil fatte et likelydende eller tilnærmet likelydende vedtak» – altså man skal kopiere det som EUs tilsynsorganer har bestemt. Så tydeligere enn det regjeringen har sagt det der, kan man ikke si det, når man skal fatte «et likelydende eller tilnærmet likelydende vedtak». Dessverre ser det ut som om flertallet nå overser de advarsler som vi har fått gjennom de siste ukene. Punkt 1 gjelder det konstitusjonelle, der landets fremste ekspert, Eivind Smith, har vært så tydelig som han har vært. Det lukker man øynene for. Under høringen sa professor Haukeland Fredriksen at dette var ikke plan A, det var ikke plan B, det måtte i beste fall være plan C. Det juridiske miljøet i Bergen mente at dette var en omgåelse av Grunnloven. Det juridiske miljøet ved Universitetet i Tromsø har sagt det samme. Det overser dessverre stortingsflertallet i dag. Vi har fått belyst at den selvstendige kompetansen vi skal ha i ESA, det er én person, en som heter Bærøe, som skal sitte der og gjøre vurderinger opp mot alle de enormt – 600–700 som sitter der i EU-systemet, så det må jo være en begavelse som departementet har funnet i han Bærøe! Det er jo utrolig at man mener at det er en selvstendig vurdering. Man har oversett advarslene fra Finanskriseutvalgets medlem Erik Reinert, som har vært veldig tydelig, som har stilt spørsmål om vi får samme nasjonale handlefrihet framover som vi har nå. Man har ikke klart å tilbakevise noe der, dessverre. Man har oversett det som har

– med et smil – i dag at hun har gitt Stortinget feil opplysninger før, om at vi blir utestengt fra det europeiske finansmarkedet hvis vi ikke slutter oss til det. Carl I. Hagen ønsket i 1992 å utsette behandlingen av EØS og fremmet forslag sammen med Kristelig Folkeparti, SV og Senterpartiet da. Han hadde en annen tilnærming enn dagens Fremskrittsparti-leder. For Fremskrittspartiet i dag er det tydeligvis viktigere å få trumfet dette gjennom enn å få en opplyst og begavet debatt. Det burde vi ha fått, for dette er et så stort og så prinsipielt spørsmål, og det er trist at vi ikke har tid til det.

handsaming på Island. Jusprofessor Stefán Már Stefánsson fortel til Nationen 9. juni at han meiner saka er i strid med islandsk grunnlov. Han er grunnlovsekspert og har vore i Alltinget fleire gonger og tolka grunnlova for Alltinget, så han er vel ein ein bør lytte til. Når det islandske parlamentet ventar til etter sommaren, er det heller ikkje nokon grunn for at me står her i dag og handsamar saka, iallfall ikkje den grunnen som har vore køyrd fram frå regjeringa og Arbeidarpartiet si side. Men eg har eit spørsmål og ei oppmoding til statsråd Aspaker. Det må vere heilt klart at Island skal stå heilt fritt til sjølv å gjere sjølvstendige nasjonale vurderingar ut frå deira grunnlov. Kan statsråd Aspaker garantere at regjeringa frå norsk side ikkje vil leggje noko press på Island, verken når det gjeld tidsbruk i saka

og jeg ber om at finansministeren tar ordet og avklarer om det er finansministerens mening at det norske finanstilsynet, dersom vi sier ja til den overnasjonale myndighetsoverføringen som vi nå snakker om, likevel kan regulere strengere enn det som skjer i EU-land. Når flere er i en så stor villfarelse at en sier det, må vi få høre om finansministerens svar er ja eller nei til det. Høyres hovedtalsmann, representanten Heidi Nordby Lunde, sa at det sjølsagt er viktig å få et homogent regelverk for finanssektoren, og sånn har jeg også forstått det. Og representanten Heidi Nordby Lunde holdt seg presist innenfor det hun har anledning til når det gjelder det grunnsynet, og sa at en kunne legge seg på den strenge delen av Det er uttalelser som jeg forstår, men det ligger innenfor det at norsk finanstilsyn ikke kan regulere strengere enn det som skjer i EU-land. Det ideologiske grunnlaget for EUs overnasjonale finanstilsyn er jo å fremme mer økonomisk liberalisme i stedet for mer samfunnskontroll. En skal ha en friere bevegelse av kapital. Den folkevalgte styringa ikke styrkes, og det er jo heller ikke mulig innenfor EU-systemet, for der har en en økonomisk union uten en politisk union. Det er ikke sånn der som i Norge, at vi har et finansdepartement med en finansminister, og en finansminister som må ha støtte i parlamentet for fortsatt å være EU. Det er jo det eksperimentet som hele EU bygger på – at en har gått til det fatale skrittet å først innføre en økonomisk union uten å ha en politisk union. Det nytter ikke over tid ikke å ha en folkevalgt styring av helheten når en står oppe i så kontroversielle spørsmål som det vi vet at EU står oppe i. Til slutt om representanten Truls Wickholm og fristillelse: representanten Truls Wickholm og fristillelse: Representanten sa at det at Senterpartiet spør om det, bare er et forsøk på å skape inntrykk av strid innenfor Arbeiderpartiet, der det ikke er strid. Det er interessant at Arbeiderpartiet fristilte sine representanter når det gjaldt avstemningen vedrørende Grunnloven § 115, og sa det klart. Her sies det ikke klart, og det tyder på partipisk. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 1, 2 og 3. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 4 og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

når det gjelder revidert budsjett, kommer vi tilbake til på fredag, så jeg skal som saksordfører være meget kort og bare gi noen kommentarer til de to sakene. Når det gjelder lovdelen av revidert budsjett, er den meget begrenset, og det er stort sett enighet. Det er et par punkter hvor komiteen skiller lag. Det er for det første når det gjelder mulighet til å frita fritidsboliger for eiendomsskatt. Komiteen er enig i at det er en mulighet som kan gis. Så er det en liten uenighet om samme lov når det gjelder førstegangsutskrivning av eiendomsskatt og hva maksimumssatsen kan være. Der går saken rett og slett ut på at dersom man har vedtatt et utskrivningsgrunnlag, f.eks. på verk og bruk, har det vært mulig å ha full sats også på boliger etter første år, selv om det da vil være første gang for innkreving av boligdelen. Det foreslår nå flertallet – og regjeringen har gjort det i proposisjonen – at man ikke lenger kan gjøre. gjøre. Det får tilslutning fra et flertall i komiteen. Jeg har lyst til bare å rette oppmerksomheten mot den omtalen som regjeringen gir av to anmodningsvedtak i denne saken, som gjelder svart arbeid. Det ene gjelder Stortingets vedtak om å be regjeringen «utrede om Skatteetaten kan få bedre muligheter til å innhente relevant informasjon og sikre bevis, blant annet gjennom beslag». Her varsler regjeringen at Skattedirektoratet er i gang med en slik utredning. Og så får vi se om dette blir realitet etter hvert. Men arbeidet er i gang, og det er vi tilfreds med. Så gjelder det vedtak nr. 515, hvor Stortinget ber regjeringen «utrede om skatteattesten kan bedres, slik at skatteattestene blir gyldige i sanntid og dermed blir et bedre virkemiddel i arbeidet mot svart» arbeid. Regjeringen varsler at det nå er innført et system for bestilling av skatteattest i Altinn, der det kan hentes ut skatteattester som er gyldig i sanntid, ved at det viser status på den aktuelle

men hvor man i tillegg får en ordning for de krav – får vi kalle det – som har oppstått siden skattemyndighetene foretok en etter min mening helt unødvendig nyfortolkning av et eksisterende regelverk. Gjennom det vedtaket sørger vi for at ingen blir skadelidende når det gjelder skolene. Dette gjelder ett skoleslag til, i tillegg til det som er nevnt i representantforslaget. Det gjelder skoler med voksne elever uten rett til videregående opplæring. Det er en meget viktig del av grunnlaget for den enigheten, og det er veldig viktig at disse skolene fortsatt kan drive slik de har gjort.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

forslaget hadde fortjent. Forslaget om å opprette en KompetanseFUNN-ordning treffer midt i den viktige debatten om hvordan en skal møte den rekordhøye arbeidsledigheten en nå opplever, og hvordan en kan omstille norsk arbeidsliv for framtida. En sterkere satsing på kompetanse i bedriftene bør være en del av oppskriften, for satsing på utdanning, forskning og innovasjon alene gir liten effekt om ikke kompetansen i norske

Her har Norge en god samarbeidstradisjon å bygge videre på. Trepartssamarbeidet er det beste utgangspunktet for å løse nettopp dette. Kompetanse blir ikke til verdiskaping av seg selv, men den norske modellen bedrer forutsetningene. Det er tross alt i bedriftene kompetansen omsettes til verdiskaping, eksportinntekter, skatteinntekter og velferd. Statistikken taler for seg selv: 90 pst. av nye norske arbeidsplasser skapes i eksisterende bedrifter. Jeg er enig med forslagstillerne i at vi ikke kan være fornøyd, og at det er behov for nye forslag og diskusjon om nye virkemidler. Som forslagstillerne framhever: det er spesielt viktig med målretta investeringer i kompetanse, læring og kunnskapsutvikling i tider med nedgang og svakere vekst i norsk næringsliv». Dette er en beskrivelse en samlet komité stiller seg bak. Det er også veldig gledelig at regjeringa er I brev til finanskomiteen framhever finansministeren at regjeringa «etter planen skal legge fram en nasjonal kompetansepolitisk strategi i 2016». Finansministeren skriver videre: «Strategien skal utvikles med partene i arbeidslivet, som er i tråd med det norske trepartssamarbeidet.» Det er en strategi både jeg og komiteen ser fram til å se. Samtidig påpeker flertallet i komiteen at en kan stille spørsmål ved om et skattefradrag, sånn som KompetanseFUNN-ordningen er, er det sånn som KompetanseFUNN-ordningen er, er det mest hensiktsmessige virkemiddelet om en ønsker å gi offentlig støtte til kompetanseutvikling. Selv om kun Kristelig Folkeparti stemmer for forslaget i dag, er det ingen bastant avvisning fra flertallet. Vi henviser til de årlige budsjettrundene, og jeg tror ikke dette er det siste vi ser til dette forslaget. Det er ikke hver dag man får nedstemt et forslag med så mye velvilje i

Kompetanseutvikling i virksomheter gir grunnlag for nye arbeidsplasser og vekst samtidig som det er med på å skape tryggere arbeidsplasser gjennom opprettholdelse av konkurransekraften. Vi har ment at en KompetanseFUNN-ordning, som kan sammenlignes delvis med en SkatteFUNN-ordning, som vi har, ville være et godt svar på de utfordringer vi vet at arbeidslivet står overfor. SkatteFUNN-ordningen er en ukomplisert ordning. Den fungerer godt, og den er faktisk styrket av det flertallet som nå har stått bak budsjettene. Så merker jeg meg at en statsråd fra Fremskrittspartiet skriver følgende

er sikkert også en debatt vi kommer tilbake til. Jeg fremmer da med glede forslaget som vi står bak. Representanten Hans Olav Syversen har tatt opp det forslaget han refererte til. Jeg skal være veldig kort. Jeg slutter meg i alt vesentlig til det som saksordføreren sa her. Når det er sagt, vil jeg også legge til at jeg er overbevist om at forslaget fra Kristelig Folkeparti har de aller, aller beste intensjoner. Men det konkluderes uten videre med at modellen skal opprettes, uten at dette tilsynelatende er utredet eller drøftet i nødvendig grad. Jeg synes det er viktig at vi tar utgangspunkt i bedriftenes behov for kompetanse, og videre er det viktig at dette skjer i samarbeid mellom partene i arbeidslivet, slik vi har utviklet dette gjennom mange år. Regjeringen peker på at dette nettopp skal skje i forbindelse med at det fremlegges en nasjonal kompetansestrategi. Et annet forhold er at skattefradrag og støtte ofte vil kunne føre til et slags overforbruk av slike ordninger. Det kan lett tenkes at tiltak iverksettes fordi de utløser fradrag og eventuelt støtte, uten at det påviselig er behov for nettopp dette tiltaket. Konklusjonen synes derfor å være at det foreliggende forslag ikke bør vedtas uten videre, idet dette muligens kan føre til utilsiktede virkninger. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Etter at det var ringt til votering, uttalte Da er

Henriksen,

vidt jeg kan se

det skulle bare
på at det også har vært

og at minst to tredjedeler av Stortingets medlemmer må være til stede. Presidenten vil derfor la voteringen skje ved navneopprop. Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot. De øvrige partier har varslet støtte til innstillingen. Vi voterer ved navneopprop, og

Vi voterer ved navneopprop, og starter med representant nr. 5 for Troms fylke, Regina Alexandrova. De som stemmer for innstillingen, svarer ja. De som stemmer imot innstillingen, svarer nei.

Det virker ikke som om det er stemning for det. Da skal

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det voteres

E, F, G, H, I, J, K og L, samtlige romertall. Det voteres over lovenes overskrift og lovene i sin helhet. Lovvedtakene vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

kan gå foran på

pengar i skatteparadis. Skandalen rammar ikkje berre andre, den angår oss. Noregs største bank hadde vore med og tilrettelagt for at nordmenn flytta pengar til skatteparadis som hemmelegheldt dei reelle eigarane av store formuar. Manglande økonomisk openheit, kapitalflukt og skatteunndraging har ei rekkje samfunnsskadelege verknader. Enorme pengemengder blir unndratte skattlegging, og slik blir det offentlege inntektsgrunnlaget uthola. Dette svekkjer statens evne til å løysa sine oppgåver og folk sin tillit til myndigheitene og demokratiet. Det er alvorleg nok, men problemet har fleire sider. Manglande innsyn og openheit gjer samfunnet meir sårbart for grupper som er involverte i narkotikahandel, menneskesmugling, våpensmugling, terrorfinansiering og annan grenseoverskridande kriminalitet. Dokument 8:84 S munnar ut i eit omfattande forslag til vedtak. Det kan delast i to. I fyrste del blir det føreslått at Stortinget ber regjeringa arbeida aktivt i samarbeid med likesinna land for å byggja internasjonal støtte omkring konkrete politiske og juridiske tiltak for å knytte til skatteparadis og økonomisk hemmeleghald. Ein samrøystes komité stiller seg bak ei slik oppmoding til regjeringa. Finansministeren bekreftar overfor komiteen at ho sluttar seg til problembeskrivinga, og at regjeringa prioriterer dette arbeidet høgt. I andre del av forslaget blir regjeringa bedd om å ta initiativ til ein diplomatisk prosess med mål om å forhandla fram ein ny internasjonal konvensjon om økonomisk openheit på tvers av landegrenser med forpliktingar til å følgja eit sett med minimumsreglar for finansiell openheit og landsspesifikk selskapsrapportering. Her har komiteen ei meir nyansert vurdering. Kapitalfluktutvalet frå 2009 føreslo Heile komiteen meiner det ville vore ei god løysing om det blei etablert ein slik konvensjon med universell tilslutnad. Men kor lett lar det seg gjera? Fleirtalet meiner eit strategisk viktig spørsmål blir kva spor det er mest hensiktsmessig å følgja i arbeidet for å få gjennomslag for større økonomisk openheit. International Law and Policy Institute laga i 2011 ein rapport nettopp om mogleg meirverdi av ein slik konvensjon. Konklusjonen var at ein konvensjon kan gje ein meirverdi, men konklusjonen har fleire atterhald. Er det sannsynleg at dei land som har funne ei nisje som skatteparadis, vil tiltre ein slik bindande konvensjon? Vil andre tilnærmingsmåtar i praksis gje betre gjennomslag? Forhåpentlegvis vil ein over tid lukkast med å etablera eit internasjonalt engasjement for ein bindande konvensjon om finansiell openheit. Komiteen meiner norske myndigheiter bør bidra til å fremja eit slikt engasjement. Ein samla komité ber regjeringa halda Stortinget orientert om framtidig utvikling for eit slikt Eg er som saksordførar glad for å ha oppnådd einigheit om dette, sjølv om det finst nyansar i synet på kva spor som er det viktigaste å forfølgja. Frå Kristeleg Folkepartis side trur vi det går an å arbeida parallelt langs fleire spor. Manglande økonomisk openheit har mange problematiske konsekvensar, og då treng vi òg fleire instrument i arbeidet for å

men som no, kanskje litt paradoksalt, ingen andre parti enn SV vil vise til i innstillinga. Det er ingen tvil om at det er eit litt blanda syn på dette internasjonalt akkurat no. I den siste tida under den raud-grøne regjeringa gjorde bl.a. tidlegare utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås nokre framstøyt overfor enkelte andre land for å sjå på interessa for ein slik økonomisk konvensjon. På det tidspunktet

at vi må styrkje arbeidet for økonomisk openheit internasjonalt, mot skatteparadis, for betre transparens, for land-til-land-rapportering, mot ulovleg kapitalflukt. Det må nok gjerast med eit breitt sett av verkemiddel, men med langt større tyngde enn det som har vorte gjort dei siste åra.

har tatt initiativ – det initiativet som har dukket opp i forskjellige varianter tidligere på Stortinget – til å arbeide aktivt og ta et initiativ fra norsk side til en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet på tvers av landegrenser med minimumsregler for finansiell åpenhet og landspesifikk selskapsrapportering. Vi som ikke sitter i komiteen, takker for en grundig, grundig, saklig og konstruktiv behandling av forslaget og for de innleggene som har understreket det, fra saksordføreren og fra representanten Solhjell. Vi tar til etterretning at komiteen konkluderer med at Norge fortsatt bør holde sin prioritet på de internasjonale fora hvor det allerede pågår arbeid mot skatteunndragelse og kapitalflukt og for finansiell åpenhet. Komiteen påpeker jo at det likevel er naturlig at også norske myndigheter bidrar til å fremme arbeid for en internasjonal konvensjon, og komiteen ber regjeringen holde Stortinget orientert om den framtidige utviklingen for mulighetene for et slikt initiativ. En måte å styrke dette arbeidet på vil være at Norge selv viser vei og etablerer strengere minimumsregler for finansiell åpenhet og landspesifikk selskapsrapportering for statens egne fond, for norske selskaper og privatpersoner og internasjonale selskaper som opererer i Norge. Hovedargumentet mot en konvensjon, nemlig at det vil bli vanskelig å få tilslutning fra stater som bevisst bidrar til kapitalflukt og skatteunndragelse, er en type argument som gjelder for alle initiativer for å skape internasjonalt samarbeid om noe som i utgangspunktet er store og utbredte internasjonale problemer. De aktørene som har interesse av å forhindre større innsyn i finansielle transaksjoner, er heller ikke åpne for å slutte seg til f.eks. OECDs initiativ. Det er helt riktig at det har skjedd mye knyttet til finansielt hemmelighold de siste årene, men på den annen side, som de siste månedenes lekkasjer har vist, er vi veldig langt fra å være i mål. Spørsmålet må vel heller være om vi i det hele tatt beveger oss i riktig retning. En internasjonal konvensjon er jo ikke ment å komme i stedet for de initiativene som allerede er i gang, men som en overbygning og en styrking og koordinering av disse initiativene. OECDs CRS-initiativ, The Common Reporting Standard, er positivt og nyttig, men de problemene som internasjonale finansmiljøer presenterer verden med, går langt utover skatteunndragelser og aggressiv skatteplanlegging. Det er mange sider som ikke er dekket i denne typen avtaler. Bankbokser er ikke inkludert. Frihavner som er ikke inkludert. Avtalen mangler tydelig håndhevelse, som tvisteløsningsmekanismer osv. Skal et land som Norge både kunne ivareta egne interesser og bidra ikke minst til å hjelpe u-land med å etablere systemer som reduserer mulighetene for kapitalflukt, har de behov for kapasitetsbygging og større internasjonalt samarbeid. OECDs CRS-initiativ inneholder heller ikke dette. Jeg tar derfor til etterretning de motforestillingene som representanten Solhjell refererte til, bl.a. strategiske, mot å ta et initiativ som vi foreslår i dag. Jeg betviler ikke de gode intensjonene som ligger bak den typen strategisk tenkning, verken fra norske aktører eller fra utenlandske, men vi må konstatere at dette er hvor tilbakeholdenhet i hvert fall delvis har som konsekvens at problemet fortsetter og ikke blir løst. Det fører også til at vi i Norge har fått en demonstrasjon av at det eksisterer, selv i norske finanssystemer, en kultur og en holdning om at i overkant smart opptreden med penger i et internasjonalt uklart system er ok. Derfor er det viktig at Stortinget og regjeringen sender et signal om at toleransen for den typen aktivitet er lavere enn før. Det er viktig at det blir forstått at det er vilje til å gjøre mer enn før, og det er viktig at det blir synlig at det er vilje til en mer framoverlent holdning enn før. Derfor fremmet vi dette forslaget. Vi er glad for at det har fått så pass positiv mottakelse, og vi oppfordrer på det sterkeste regjeringen til å trappe opp den aktiviteten som gjelder internasjonalt uheldige operasjoner i finansmiljøene, og til å fortsette å se på en konvensjon som en av mulighetene. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Presidenten vil foreslå at sakene nr. 8 og

Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den fordelte taletid – blir gitt anledning til seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletiden, får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Det er

Siden år 2000 har det blitt bygd henholdsvis 84 og 47 gigawatt med vind- og solkraft i Europa. Kull, olje og atomkraft har alle gått tilbake. Vi har fått Leaf og Tesla, de første elbilene som har nådd ut til store grupper av kjøpere. Det har altså vært store endringer på energiområdet siden forrige melding til Stortinget om energipolitikken, både i Norge og i verden. Samtidig har bekjempelsen av klimaendringene fått en stadig større plass i vår bevissthet og legger føringer på den politikken som skal være styrende i årene fremover. Ikke minst legger Paris-avtalen, som vi skal diskutere her i denne sal i morgen, betydelige føringer på den norske energi- og klimapolitikken. Alle snakker om det grønne skiftet, men det er når man ser forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling i sammenheng at begrepet får et konkret innhold. Det grønne skiftet i Norge handler ikke først og fremst om en omstilling fra kull til gass eller fornybart i kraftsektoren, slik det gjør i mange andre land i Europa og verden. 99 pst. av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. I Norge handler derfor det grønne skiftet i større grad om å fase ut fossilbruk i andre sektorer og ta vår fantastiske vannkraft i Ofte hører vi at Norge er bygd på rikdommen fra oljen og gassen vår, men det er egentlig vannkraften som har vært, og er, bærebjelken det moderne Norge ble bygd og industrialisert på. Denne gode tilgangen på fornybar og utslippsfri kraft setter Norge i en unik posisjon til å videreutvikle en industri med lave utslipp og fase ut fossilbruk i andre sektorer. Dette har også vært min første erfaring som saksordfører for en stortingsmelding. Det har vært et krevende arbeid, også fordi energi- og miljøkomiteen har behandlet et stort antall saker denne våren. Jeg vil berømme komiteens medlemmer for det gode arbeidet som er lagt ned, og for at Stortinget i dag kan behandle en innstilling som inneholder brede flertall om mange viktige veivalg. Så skal jeg ikke legge skjul på at det også har vært frustrasjon omkring korte frister og slikt som hører med et stort arbeidspress. Det tolker jeg som et sterkt ønske fra alle partier om å ha en hånd på rattet i prosessen. Det har vært viktig for regjeringspartiene å søke flertall først med våre samarbeidspartier Kristelig Folkeparti og Venstre, noe som er helt i tråd med vår samarbeidsavtale. Dette kan ikke ha vært noen stor overraskelse for noen, men jeg er likevel glad for at komiteen til slutt har avgitt en innstilling som på mange punkter er enstemmig. Stortingsmeldingen og energipolitikken dreier seg først og fremst om hvordan vi skal sikre en stabil forsyning av elektrisitet. Strøm er grunnleggende og kritisk infrastruktur vi alle er fullstendig avhengige av, og som vårt moderne samfunn stanser opp uten. Derfor skulle det bare mangle at meldingen først og fremst tar for seg rammevilkårene for produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Så har også energipolitikken fått en annen og større dimensjon som dreier seg om klima og miljø. Dette er tema som er belyst i meldingen, og som vi har løftet frem i komiteens behandling. Resultatet er en helhetlig innstilling som tar for seg forsyningssikkerhet, fornybar energiproduksjon, rammevilkår, spørsmål om vern og bruk og ikke minst klimaaspektet ved energibruken. Norge er en energinasjon. Vannkraften er og skal være ryggraden i energiforsyningen vår og er et konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Det er vår plikt å forvalte ressursen som den fornybare energien utgjør, på best mulig måte. Jeg er derfor fornøyd med at det er en enstemmig komité som slutter seg til prinsippet om en dreining i energipolitikken fra å subsidiere produksjon av kjent fornybar energi til å støtte utvikling av ny klima- og miljøteknologi. Dette er viktig for å sikre at norsk fornybar energi skal være lønnsomt, men det er også viktig fordi Norges kanskje viktigste bidrag til reduksjon av klimagasser globalt vil være nettopp I praksis betyr dette at Stortinget i dag vil vedta at elsertifikatordningen ikke skal videreføres for Norges del, og vi gir føringer og signaler på Enovas nye mandat. Det betyr også at komiteen slutter seg til regjeringens forslag om forenklinger i konsesjonsbehandlinger, og flertallet vil også avvikle Samlet plan. Fornybar energi må være lønnsomt for at det skal være bærekraftig. Skal vi lykkes med omstillingen til lavutslippssamfunnet, må det lønne Regjeringens melding og flertallets innstilling bygger opp under målet om at økonomisk vekst skal frikobles vekst i utslippene. Innstillingen har fått et tydelig grønt preg, og flertallet har en lang rekke forslag til hvordan vi i større grad skal ta den fornybare energien i bruk til å fase ut fossil energi i alle sektorer. Skal vi gjøre dette på en god måte, forutsetter det god kunnskap. Jeg er derfor tilfreds med at de borgerlige partiene tidlig ble enige om at regjeringen allerede ved statsbudsjettet denne høsten skal synliggjøre og omtale målsettinger for utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor. Dette arbeidet forutsetter at EU-kommisjonens forslag til innsatsfordeling er lagt frem, og det understreker at norsk klimapolitikk skal være tett knyttet til EU. Særlig viktig blir transportsektoren, som står for den største bruken av fossil energi innenlands med 54 TWh i 2014. Det kan ikke være tvil om at utfasing av fossil energi til transport blir svært viktig for å nå utslippsmålene vi har satt oss. Derfor foreslo de borgerlige partiene at regjeringen i Nasjonal transportplan for 2018–2029 må fastsette måltall for antall lav- og nullutslippskjøretøy i 2025. Disse måltallene skal følge opp vedtatte klimamål og potensialet som er La meg også raskt legge til at innstillingen inneholder en rekke forslag som legger til rette for å ta i bruk hydrogen i større grad, høyere ambisjoner for biodrivstoff og satsinger innenfor grønn skipsfart. Enova er allerede et av de viktigste verktøyene vi har i klimapolitikken. Dette forsterkes ytterligere i meldingen og i flertallets vedtak her i dag. Enovas økonomiske muskler skal styrkes i årene som kommer, og det er helt nødvendig for at de skal kunne klare oppgavene de nå får pålagt. Jeg skal ikke nå forskuttere fremtidige budsjettprosesser, men heller løfte frem flertallets merknad om et nytt prinsipp for finansiering av Enova. Ettersom nevnte elsertifikatordning fases ut, ønsker nemlig flertallet at forbrukernes forpliktelser knyttet til denne ordningen skal motsvares i nettariffen. Som strømkunde skal ikke dette merkes i særlig grad på regningen, og det er altså ingen ny avgift utover det forbrukerne allerede er pålagt. En slik inntekt vil gjøre Enova bedre i stand til å støtte prosjekter både i industrien, i transportsektoren, i bygg og ny innovativ klima- og miljøteknologi. 17 år er lang tid, og utviklingen går raskt. Hva vet jeg, kanskje går saksordføreren for en fremtidig Det jeg vet, er at hun eller han vil være en del av et samfunn der energi produseres, distribueres og brukes på måter vi i dag ikke engang har tenkt oss til. Det vil være et samfunn der utslippene av klimagasser er kraftig redusert eller helt borte. Forhåpentligvis har vi i dag vært med og skape grunnlaget for en slik utvikling. Jeg ser frem til debatten.

komiteen, ikke bare noen av partiene. Stortingets behandling av energimeldingen har gjort den til en klima- og energimelding og ikke bare en kraftmelding. På mange måter knytter vi nå energimeldingen opp mot de målsettingene vi har satt oss i Paris-avtalen, der vi skal redusere utslippene i Norge med 40 Energipolitikken må bygge opp under klimapolitiske målsettinger og bidra til at Norge blir et ledende land i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Energipolitikken må derfor legge til rette for at fossil energibruk i størst mulig grad kan erstattes med fornybare energikilder i alle deler av økonomien. Det har vært to viktige mål for Venstres behandling av denne stortingsmeldingen. Det ene er å få en god strategi for avkarbonisering av

dag. Fra Venstres side er vi tilfreds med at vi har vært med på å skape resultater. Vi vedtar første skritt mot karbonbudsjetter med sektormål basert på EUs målsettinger. Dette er helt avgjørende for at hver sektor skal vite hvor de skal, og for å lage virkemidler for å få oss dit. I representantforslaget behandler vi også forslaget om en klimalov, og representantforslaget behandler vi også forslaget om en klimalov, og vi sier tydelig i merknader at vi årlig må få rapporter om hvordan vi ligger an for å nå klimamålene for både 2020, 2030 og 2050, med beskrivelse av hva vi må gjøre for å komme oss dit. Dette er det en enstemmig komité som står bak. Selv om vi i praksis har en ren energisektor innenfor elektrisitet, har vi en stor utfordring i Norge. En stor andel av energiforbruket er fortsatt fossil – i transportsektoren, i byggsektoren, i industrien, i landbruket og ikke minst i petroleumssektoren. Dette forbruket må erstattes med ren energi. Dette er en utfordring, men det gir oss også en stor mulighet. Der andre land må bruke mye tid og ressurser på å gjøre energiforsyningen utslippsfri, kan vi rette nesten hele vår oppmerksomhet mot å ta energien i bruk og avkarbonisere hele energiforbruket. De grønne sertifikatene var riktige da vi innførte dem. Da var det behov for mer fornybar energi og at vi deltok i å utvikle det grønne skiftet. Nå er det flertall for å avvikle ordningen, slik situasjonen er i dag, med overskudd av energi og lav lønnsomhet for fornybarnæringen. Men det er viktig at satsingen ikke blir mindre når vi nå går bort fra de grønne sertifikatene, men at midlene går til Enova for mer teknologiutviklende prosjekter innenfor ny fornybar energi. Vi får nå vedtak på at vi allerede i 2017 kan ha ordninger for demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind, og at vi også skal se på andre former for havbasert fornybar teknologi. Enova er viktig og kommer til å bli enda viktigere i årene framover, det er kanskje det viktigste virkemiddelet for å redusere klimagassutslipp som Stortinget Når vi nå skal inn i en ny avtale fra 1. januar 2017, danner energimeldingen en tydelig ramme for den bestillingen Stortinget skal gi. Enova må legge opp til at vi skal redusere klimagassutslipp, vi trenger å styrke forsyningssikkerheten for energi, og vi trenger å utvikle klima- og miljøteknologi. Det er også viktig at vi legger opp til fortsatt utvikling av lokal energiproduksjon. Dette er viktig for det grønne skiftet, for å få folk med på laget for å utvikle teknologi. Solenergi er ett av alternativene, som jo også skyter fart etter det Venstre og de borgerlige partiene allerede har gjort, ved at man nå kan være plusskunde og motta grønne sertifikater samtidig. I denne meldingen legger vi opp til fortsatt satsing på solenergi. Mye av komiteens innstilling handler om transport. Det er viktig at vi nå får måltall for antall lav- og nullutslippskjøretøy, herunder personbiler, varebiler, busser og tunge kjøretøy, fram mot 2030. Dette er historisk, og det har også vakt For kun få måneder siden var det først og fremst Venstre og noen andre som snakket om at det var mulig at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025. Jeg har selv fått kritikk på lederplass i noen av landets viktigste aviser for nettopp å legge fram dette målet. I dag regner jeg med at det blir enstemmig eller tilnærmet enstemmig at Stortinget går inn for en slik målsetting. Det er et stort steg i riktig retning. Vi må nemlig ha så høye ambisjoner for at vi skal kunne nå målene om 40 pst. reduksjon av klimagassutslipp fram mot 2030. Etter 2025 skal nye privatbiler, bybusser og lette varebiler være nullutslippskjøretøy. Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 pst. av nye langdistansebusser og 50 pst. av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy. I 2050 skal transporten være tilnærmet utslippsfri. Dette betyr at vi må beholde de fordelene som nullutslippskjøretøy har i dag. Vi må beholde dem så lenge at vi faktisk oppnår målsettingen. Vi må bruke hele skatte- og avgiftssystemet slik at det blir dyrere å forurense, samtidig som det lønner seg å kjøpe de miljøvennlige alternativene, og vi må bygge opp en infrastruktur for nullutslippskjøretøy over hele landet. Enova vil være avgjørende for å få dette til. Biodrivstoff er også viktig i Det er et av de områdene der vi har gjort mest de siste årene, både gjennom å øke omsetningspåbudet, fritak for biodieselavgift og innføring av avgift på naturgass for å gjøre biogass lønnsom. Vi har også innført lavere landingsavgift for biodrivstoff på fly. Nå skal vi bl.a. få en plan for en videre opptrapping av omsetningspåbudet for biodrivstoff opp mot 11 pst. innen Samtidig må vi se på ulike modeller for å støtte infrastruktur og utrullingsprosjekter for biogassforsyning og -kjøretøy. Grønn skipsfart er en sentral del av det som Norge virkelig kan konkurrere på i årene framover. Vi har en offensiv satsing på grønn skipsfart i meldingen. Flertallet foreslå at vi forsterker og konkretiserer handlingsplanen for hydrogen. Det er en slik handlingsplan i meldingen, men den er forsterket i komiteens arbeid. Hydrogenkjøretøy har i dag de samme avgiftsfordelene som elbiler, og vi ønsker å videreføre disse til 2025 eller til det er 50 000 brenselscellebiler på veien. Det er en ambisiøs målsetting, og det første steget i dette er selvfølgelig å få flere hydrogenfyllestasjoner – som kan dekke hele landet. De første stasjonene vil gå inn i bestillingen til Enova, så disse kan komme på plass allerede til neste år. Vi lager en bestilling inn mot Nasjonal transportplan for å se på hvilke muligheter som ligger innenfor norsk jernbane der vi i dag ikke har Innenfor norsk industri, i kvotepliktig sektor, må det gjøres mye de kommende årene, både fordi utslippene må ned, for at norsk næringsliv skal kunne beholde sin status som ledende klimavennlig næringsliv, og fordi vi skal utvikle ny teknologi som kan bidra til å redusere globale utslipp. Karbonfangst og -lagring er viktig og blir enda viktigere i tiårene framover med Paris-avtalens ambisjon om at vi skal strekke oss mot en målsetting om 1,5 grader. Det gjør at vi internasjonalt langt tidligere må ha negative utslipp. Det gjør at karbonfangst og -lagring må få et helt annet trykk i årene framover, og Norge må lede an i denne prosessen. Stortinget ber regjeringen fastsette et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg, sammenlignet med dagens nivå. Dette vil frigjøre energi som kan erstatte fossil energi. Til slutt vil jeg ta opp noe som er viktig for Venstre, og det er at vi i innstillingen har oppnådd en stor seier for vern av vassdrag gjennom at vi bekrefter at verneplanen for vassdrag skal være førende,

at det blir bare salg av nullutslippsbiler i 2025, og at det var en faktisk situasjonsbeskrivelse av tiden etter 2025. Representanten Korsberg uttalte til DN i den samme artikkelen at han var helt enig. Så langt virker alt såre vel, men for å prøve å rydde opp lite grann i begrepsforvirringen: Energimeldingen – eller kraftmeldingen – er ikke blitt en klimamelding, selv om komitélederen nå på en måte gjentar det. Energimeldingen har to sider, slik vi oppfatter det. Den er opplysende – ros for det – og den forteller mye om historien og nåtiden, samtidig som den ikke inneholder noe om framtiden. I to og et halvt år har vi hørt at svarene som regjeringen ikke kunne komme med, skulle gis når det gjaldt både klima, næringsutvikling og energipolitikk for framtiden. De svarene skulle gis i energimeldingen. Svarene kom ikke. Det var ingen anvisninger om framtiden i energimeldingen. Det var ingen svar om klima. Det var ingen svar om næringsutvikling, og det var ingen svar om framtidas energipolitikk, kanskje – med beste vilje lagt til grunn – med noen få unntak. Tidligere har Stortingets flertall bedt om avklaringer på en rekke områder i forbindelse med energimeldingen. La meg nevne noen: hydrogenstrategi, havvindstrategi, en løsning for reinvesteringsbehov i eldre kraftanlegg, Og det er bedt om en fornybar energiindustristrategi. Men det var ingen hydrogenstrategi. Det var ingen vindkraftstrategi eller offshore havvindstrategi. Det var ingen løsning for reinvesteringsbehovet for eldre kraftanlegg, og det var heller ingen fornybar energistrategi som kunne utvikle ny framtidsrettet industri i Norge. Det blir som å lete etter nåla i høystakken. Energimeldingen må man lese nøye og med godvilje dersom man skal finne politiske anvisninger av betydning. Når flertallet i sin presentasjon av enigheten i Dagens Næringsliv 3. juni omtaler dette som en klimamelding, blir det med andre ord svært feil. Men innstillingen, som for en stor del baserer seg på representantforslaget Dokument 8:51 S, inneholder mange gode klimaperspektiver. Ja, det meste av innstillingen handler om klima, og ikke energimeldingens utgangspunkt og basis. Representantforslaget omhandler en rekke konkrete klimatiltak Arbeiderpartiet er enig i. Det var også basisen i dette forslaget Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti forhandlet om – i hvert fall så det sånn ut, ut fra det som ble presentert. Vi er selvfølgelig glad for de forslagene vi nå får flertall for, men samtidig er det viktig å understreke at i både energi- og klimapolitikken er enigheten faktisk større enn det flertallet representerer. Det hadde vært en reell mulighet for flere og mer konkrete forslag dersom Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre hadde valgt å inkludere bredt, fra Miljøpartiet De Grønne, SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og fått dem inn i dialogen. Men vi forsto at det ikke var ønskelig – dessverre, vil jeg si. Konsekvensene er – og man ser det veldig tydelig nå – at når man forsøker å forene to ytterpunkter, blir enigheten som regel svært utydelig eller lite konkret. I sak etter sak har vi gjentatte ganger blitt minnet om at det er Fremskrittspartiet som er klimapolitikkens ytterpunkt, men som får sin politiske legitimitet med hensyn til klima gjennom Venstre. Det gagner ikke klimapolitikken, ei heller de partiene som har klima høyt på dagsordenen, og det har jo Venstre. Venstre sier at det skal være kun nullutslippsbiler i 2025. Jeg tror på Venstre. Jeg velger å legge Venstres uttrykk til grunn. Men er det det flertallet faktisk sier? De henviser riktignok til transportetatenes anbefalinger når det gjelder Nasjonal transportplan, men jeg har ennå ikke hørt at Fremskrittspartiet sier at de vil gjennomføre det som er etatenes anbefalinger. Det har vært umulig gjennom komitébehandlingen å avklare hvordan målet om kun nullutslippsbiler i 2025 skal nås. Skal man komme dit ved å vri skatte- og avgiftssystemet, eller er det ikke slik? Kan man oppnå kun nullutslippsbiler i 2025 uten forbud? Kan man oppnå det ved å fortsette en politikk der fossil energi prismessig står uendret, samtidig som fornybar energi blir dyrere, noe de fortsetter med i sin flertallsmerknad i denne innstillingen? Kan man nå et slikt mål uten massiv satsing på utbygging av ladepunkter og infrastruktur for både el og hydrogen – en betydelig oppjustering av dagens aktivitet og ressursbruk? Selvfølgelig ikke. Derfor er det synd at flertallet ikke avklarer hvordan vedtaket skal realiseres – dersom det er hensikten, da. Jeg forventer at flertallet gjennom debatten klargjør akkurat dette – hvordan målet om kun nullutslippsbiler i 2025 skal nås og at vi får en avklaring på hva vedtaket faktisk inneholder, hvordan det faktisk er å forstå, og hvordan det vil få innvirkninger på folks hverdag. I en rekke av forslagene ser vi konkret at forslagene gjøres utydelig. Mye skal utredes videre, og mye skal vurderes i Nasjonal transportplan. På andre områder er det kun mål, uten å vite hvordan målene skal nås. Enøk er et eksempel. TWh energiøkonomisering i eksisterende bygningsmasse er et ambisiøst mål. Vi sluttet oss til dette målet underveis i komitébehandlingen. Men hvordan skal et slikt mål nås? Regjeringen og støttepartiene har innført en såkalt skattefradragsordning for enøk i husholdningene. Erkjennelsen er at den ikke fungerer. Vi er for målet, men vi ville gjerne hatt fram en plan for å vise hvordan målene kan nås. Men flertallet blokkerer for dette. De setter et mål uten å anvise hvordan målet skal bli oppfylt, også her. En annen utydelighet er energimeldingens manglende anvisninger om hva som skal prioriteres. Ett av de områdene er behovet for reinvesteringer i eldre kraftanlegg. Det står i meldingen: er av stor verdi for kraftsystemet vårt at vannkraften som allerede er bygd ut opprettholdes og videreutvikles. En stor del av norsk vannkraftproduksjon er bygd i årene etter krigen og til slutten på 1980-tallet. Det er derfor et betydelig behov for vedlikehold og reinvesteringer fremover.» Bortsett fra det er det ikke anvist hvordan en skal øke graden av reinvesteringer for å opprettholde verdiene. Energi Norge sa det treffende i høringen: er særlig påfallende at regjeringen ikke drøfter skatteregimet for vannkraften når en av hovedutfordringene meldingen peker på er grunnlaget for samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer i fornybar energi.» Vi er helt enig på dette området med Energi Norge. Derfor mener en samlet opposisjon at det er behov for å gå gjennom insentivene og få fram disse i forbindelse med er det to hovedprioriteringer for bruk av kraft i tiden framover. Det første er forholdet til ny industriell vekst som grunnlag for framtidens verdiskapning. Det andre er å veksle inn fossil energi med fornybar energi. De er ikke prioritert opp mot hverandre, sånn at det er klargjort. Men skal vi lykkes med å tiltrekke oss større framtidsrettede investeringer i ny vekstkraft i industrien, må det være innenfor rammene av lavutslippssamfunnet. Da må vi evne å si hva vi skal bruke kraften og kraftoverskuddet til. Det kan ikke være noe bedre enn å bruke det til ny industriell vekst og samtidig til å veksle inn fossil energibruk med fornybar energibruk. Meldingen drøfter ikke dette. Jeg vil gi honnør til flertallet for at det heldigvis har brakt på banen forholdet til industrien og behovet for grunnlag for at den kan utvikle seg i retning av lavutslippssamfunnet. Men det var tomt for dette i meldingen. En samlet opposisjon foreslår ytterligere konkrete tiltak, som ikke får flertall, i tilknytning til det. Oppsummert: Innstillingen burde selvfølgelig vært tydeligere. Vedtakene burde vært flere. De burde vært mer konkrete enn hva som er blitt tilfellet. Det burde vært ryddet opp i en rekke uklarheter som ligger i flertallet, ikke minst dette knyttet til transportsektoren, og hvordan den skal se ut i 2025. Jeg håper at debatten skal løse opp i det. En samlet opposisjon står bak 25 forslag som ikke får flertall. Arbeiderpartiet står bak 40 forslag som ikke får flertall – bare i tilknytning til energimeldingen. Dette forteller om et svakt utgangspunkt og et svakt grunnlag. Jeg tar hermed opp de forslagene Arbeiderpartiet enten foreslår alene eller er medforslagsstiller til. Representanten Terje Aasland har tatt opp de forslagene han refererte til. La meg først få lov til å takke saksordfører Tina Bru for en fantastisk jobb i en svært krevende og omfattende sak. Som saksordføreren var inne på, har komiteen mange saker til behandling – ikke minst mange representantforslag. Jeg vil også benytte anledningen til å gi ros og honnør til Venstre og Kristelig Folkeparti for å ha hatt en stor grad av samarbeidsvilje og -evne. Det setter vi stor pris på. Alle partier har kanskje ikke vært like konstruktive i så måte. Som saksordføreren var inne på, er det 17 år siden siste ble lagt fram, og da kan man jo stille seg spørsmålet om hvorfor ikke den rød-grønne regjeringen fremmet en energimelding. Jeg tror mye av svaret ligger i innstillingen, og ikke minst i de 99 forslagene som opposisjonen har fremmet. Det er stort sett forslag fra de tidligere regjeringspartiene, 92 av forslagene er i hvert fall fra de rød-grønne tidligere regjeringspartiene, og da skjønner man hvorfor man ikke har fått en energimelding til Stortinget under de rød-grønne. Det er rett og slett fordi uenigheten har vært omfattende og stor. Og disse partiene har ambisjoner om å styre landet etter 2017! Det lover ikke godt om det skulle skje. Det som har vært viktig, er at vi har tatt hensyn til at energimarkedet og energipolitikken i landene omkring oss har endret seg betydelig siden siste energimelding. Utviklingen skjer raskt. Paris-avtalen har befestet en internasjonal vilje til økt innsats for utslippsreduksjoner og forsterket arbeidet med klimatilpasning. Energiproduksjon og er nøkkelen til å lykkes, og Norge har et godt utgangspunkt i møte med disse endringene. Vi har en energiforsyning med svært lave klimagassutslipp, vi øker andelen av fornybar energi i vår samlede energibruk, vi har en effektiv energiforsyning, vi har store fornybare ressurser, vi har et velutbygd overføringsnett som dekker hele landet, og vi er tidlig ute med å ta i bruk nye teknologiske muligheter. Det vil også være utfordringer på energiområdet framover. Befolkningen kommer til å vokse i årene framover. Industri og næringsliv skal videreutvikles, nye næringer vil komme til, og endringer i de internasjonale energimarkedene vil påvirke oss og kan utfordre oss på både energisikkerhet og lønnsomhet i energisektoren. Vi går inn i en periode med stort behov for reinvestering i norsk Det som skjer rundt oss, preger oss. På nyhetene i det siste har vi sett at Sverige har en ny energipolitikk, og det kan vi for så vidt godt skjønne. Jeg er glad for at vi får nasjonale rammer for vindkraft. De siste årene er det gitt mange vindkraftkonsesjoner som ikke er blitt realisert. I ført til betydelig konflikt, og det er brukt store ressurser både i bransjen og i forvaltningen. Det er behov for i sterkere grad å styre hvor det søkes om konsesjoner i framtiden. Formålet med nasjonale rammer for vindkraft er å dempe konfliktnivået og legge til rette for at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt framover. Det tror jeg det er viktig å få Transportsektoren er blitt nevnt, og det vil være en viktig sektor framover. Jeg skal ikke prøve å oppklare Terje Aaslands forvirring – den må han stå for selv – men jeg er i hvert fall veldig glad for og god enighet om at transportsektoren kommer til å være viktig framover. Det er jo ikke snakk om noe forbud mot salg av bensin- eller dieselbiler. Forbud og straff er ikke virkemidler Fremskrittspartiet ønsker å bruke. Vi ønsker å bruke gulrot. Vi ønsker å bruke positive virkemidler. Vi ønsker å bruke de virkemidlene som gir forbrukerne en mulighet. Det er også derfor samarbeidspartiene og Høyre har fått til en storstilt satsing på hydrogenstasjoner framover, for det vil være et viktig bidrag i så måte. Energi er viktig, fordi det driver mer og mer av de tingene vi omgir oss med, men også fordi produksjon av energi er så nært knyttet til vår tids største utfordring, nemlig klimaendringene. I behandlingen av energimeldinga har vi tatt en stortingsmelding, som noen har kalt en kraftmelding, lagt på et tydelig klimaperspektiv og laget noe som virkelig er en energimelding, og som omhandler både produksjon og bruk av energi. Dette er vi i Kristelig Folkeparti veldig godt fornøyd med. At komiteen ser energimeldingene sammen med Dokument 8:51, er en god løsning. Dette gir oss muligheten til å vedta en samlet politikk i stedet for å behandle to ulike saker som har så mange overlappende elementer. Kristelig Folkeparti mener energimeldinga har blitt styrket gjennom Stortingets behandling av saken. Det er slått fast at det ikke skal åpnes for storstilt utbygging av vernede vassdrag med Det er kommet på plass et ambisiøst energieffektiviseringsmål, det er slått fast at kommunene fortsatt har mulighet til å bruke tilknytningsplikt for fjernvarme, og at regjeringa får i oppgave å sørge for en støtteordning til realisering av demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind og andre former for havbasert fornybar teknologi. Spesielt er Kristelig Folkeparti forøyd med fått stoppet regjeringas varslede ekspertutvalg, som skulle se på konsesjonskraften og -avgiften. Dette har skapt mye bekymring i mange kraftkommuner, og det er viktig å få lagt dette dødt. Konsesjonsordningene er viktig for mange kommuner og er en rimelig kompensasjon for areal- og naturinngrep i kommunene. Når det skal kuttes i klimagassutslipp, må det settes mål som skal være ambisiøse, men også oppnåelige. Det er derfor svært gledelig at det er flertall for å be regjeringa i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2017 om å synliggjøre utslippsbanene for de enkelte sektorene innenfor ikke-kvotepliktig sektor. Framleggelsen skal omtale målsettinger for hver enkelt sektor basert på en vurdering av hva dette forslaget vil innebære for Norge. Kristelig Folkeparti vil understreke viktigheten av å ha god oversikt over hvilke tiltak som er nødvendige innenfor ikke-kvotepliktig sektor for at målsettingene for reduksjon i klimagassutslipp skal kunne nås. fikk sammen med Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne i fjor vår gjennomslag for at det skal utarbeides en klimalov, for systematisk å forplikte oss på oppfølging av klimamålene. Den vil være et viktig verktøy for klimakutt innenlands og et svært sentralt verktøy for å styre og holde trykket oppe i forventer at loven hjemler sektorvise karbonbudsjetter basert på fastsatte kuttmål og årlig rapportering til Stortinget. En slik klimalov må forplikte enhver regjering til å følge opp klimamålene og gi et verktøy for systematisk rapportering om hvilke tiltak som iverksettes. Stortinget må sørge for at all samfunnsplanlegging går i samme retning, om vi skal unngå de mest dramatiske utslagene av endret klima. Storbritannia har høstet gode erfaringer med sin klimalov, som ble vedtatt i 2008. Den britiske loven lovfester en 80 pst. reduksjon i klimagassutslippene fram mot 2050, med 1990 som referanseår. De ser allerede at loven er et godt redskap for å skape langsiktige, forpliktende politiske løsninger. Skal vi nå de ambisiøse målene, må vi også ha et virkemiddelapparat som gjør dette mulig. Derfor blir Enova, i samspill med det øvrige virkemiddelapparatet, et sentralt virkemiddel i utviklingen av framtidas energisystemer og lavutslippssamfunnet. Den nye styringsavtalen mellom Olje- og energidepartementet og Enova for perioden 2017–2020 må reflektere en styrket satsing på klimaområdet, og prosjekter som gir reduserte klimagassutslipp, må prioriteres. Dette inkluderer også teknologiprosjekter som kan gi reduserte klimagassutslipp globalt, og det er viktig at satsing på teknologiutvikling retter seg mot områder der vi allerede har særlig kompetanse. Direkte reduserte klimagassutslipp og teknologiutvikling som bidrar til reduserte klimagassutslipp, må være et overordnet mål for Enova. Dette betyr at Enova fortsatt må ha stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele enkeltprosjekter. Styringsmodellen må bidra til effektiv ressursutnyttelse og gi Enova mulighet til å angripe de viktigste barrierene for introduksjon og utbredelse av energi- og klimaløsninger og til å drive fram varige markedsendringer. Dette betyr at Enova må kunne ha prosjekter fra alle sektorer. Samlet sett blir Enova et av de viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslipp og erstatte fossil energibruk med fornybare energikilder for å nå 2030-målene. Dette er Kristelig Folkeparti godt fornøyd med. i Norge er det transportsektoren som står for den største bruken av fossil energi, med et forbruk på omtrent 54 TWh i 2014. Det er derfor viktig at transportsektoren bidrar med en stor andel av reduksjonen i klimagassutslippene fra ikke-kvotepliktig sektor. Det er derfor av største betydning at det legges til rette for at fornybar energi tas i bruk i transportsektoren, samt at fossil energibruk kan fases ut av transportsektoren. Skal dette kunne oppnås, er det et viktig skritt på veien at Nasjonal transportplan for 2018–2029 fastsetter måltall for antall lav- og nullutslippskjøretøy i 2025 som følger vedtatte klimamål og det teknologiske potensialet fra fagetatene, og det er gledelig at det er flertall for dette. Men det er ikke nok med et måltall, vi skal også nå dette målet. Da trengs det flere elbiler, bærekraftig biodrivstoff og en satsing på hydrogen. Kristelig Folkeparti mener det er viktig at det kommer på plass et nettverk av hydrogenstasjoner i de største byene og korridorene Videre er det viktig at hydrogen også blir vurdert i framtidig bruk på ferjer og på jernbanestrekninger som i dag ikke er elektrifisert. Innstillinga fra energi- og miljøkomiteen styrker også satsingen på biodrivstoff, og Kristelig Folkeparti støtter dette. Framtida er elektrisk, sies det. Norge er i en privilegert situasjon fordi vi har overskudd av fornybar energi. De grønne sertifikatene har vært et viktig element i det å gå fra kraftunderskudd til kraftoverskudd. For Kristelig Folkeparti er det viktig at virkemidlene er tilpasset behovene for framtida. Kristelig Folkeparti støtter derfor at de grønne sertifikatene fases ut, og at påslaget på nettariffen brukes til å styrke Enova. det er viktig at dette gir rom for innovasjon og utvikling av nye energi- og klimaløsninger tilpasset framtida. Til slutt: Kristelig Folkeparti mener resultatet av Stortingets behandling av energimeldinga er en energimelding som peker med en offensiv satsing på oppnåelse av et lav- og nullutslippssamfunn. Dette er Kristelig Folkeparti godt fornøyd med. Den energimeldingen vi behandler i dag, har en tittel som er ambisiøs, men den har et innhold som er overraskende svakt. I liten grad valgte regjeringen å anvise strategiske grep som kunne brakt norsk energipolitikk inn i en ny fase, en fase preget av klimaomstilling og vekst i vitner mer om byråkratiets gode grunnlagsarbeid og beskrivelsen av et sterkt energisystem og mindre om regjeringens uttrykte ambisjoner. Det er riktig at det er 17 år siden forrige energimelding ble framlagt – av undertegnede, faktisk – og en kan sjølsagt godt spørre hvorfor den rød-grønne regjeringen ikke la fram en energimelding. En kan jo også spørre hvorfor den borgerlige regjeringen i 2001–2005 ikke la fram en energimelding. Jeg synes nok at det er ganske formålsløst. Jeg skal ikke spekulere i om de borgerlige partiene var uenige i de fire årene de satt, men jeg synes det er underlig at partier som nå så ofte snakker nedsettende om åtte rød-grønne år, i sin beskrivelse i energimeldingen så tungt lener seg nettopp på de rammene som ble lagt av bl.a. Senterpartiets statsråder mellom 2005 og 2013. Når det gjelder utbyggingen og den store satsingen på utbyggingen av overføringsnettet, ble dette lansert og gjennomført under den rød-grønne regjeringen. Det var ingen enkel debatt, det var en ganske krevende debatt, som den rød-grønne regjeringen fikk gjennomført. Hele den store satsingen på grønne sertifikater, som omtales så positivt i var sjølsagt initiert av og gjennomført under den rød-grønne regjeringen. Energimeldingen som legges fram i dag, er dessverre en melding med få tiltak, men med en veldig god beskrivelse, i første rekke en beskrivelse av det den rød-grønne regjeringen gjennomførte i den perioden vi satt. Problemet med dagens melding er at det er ingen havvindstrategi der, det er ingen hydrogenstrategi det er egentlig ganske få tanker om tida og satsingen etter de grønne sertifikatene, og det er i liten grad trukket inn klimarelaterte problemstillinger. Senterpartiet savner strategiske grep som kunne bringe norsk energipolitikk inn i en ny fase, en fase som etter Senterpartiets mening vil bli sterkt preget av nødvendig klimaomstilling. Vi er derfor glade for at innstillingen er langt mer ambisiøs spørsmål som angår klima, klimaomstilling, teknologi, transport og Enovas rolle, enn det regjeringen valgte å foreslå. Fra Senterpartiets side er det viktig at det settes noen langsiktige mål for energipolitikken og for energieffektivisering. Perioden med de grønne sertifikatene må avløses av nye satsinger – på teknologi, på kommersialisering av fornybar energi, særlig innenfor hydrogen, havvind og solenergi. Det vil gagne klimaomstillingen, og det vil kunne skape grønn vekst, næringsutvikling og arbeidsplasser hvis det politiske lederskapet er til stede og kjenner sin besøkelsestid. Det norske kraftsystemet er solid, som flere talere har vært inne på, og vi har et godt grunnlag for mye av den jobben som gjøres innenfor kraftsektoren – gjennom en stor andel fornybar vannkraft, et godt system for konsesjoner, for vern og for industriell anvendelse. Det er et system som har tjent oss godt, og som vi ikke i særlig grad bør rokke ved. En av de tingene Senterpartiet har savnet i forbindelse med meldingen, er å drøfte spørsmålet om hvordan vi skal fordele nettkostnadene i årene framover. Vi vet at det kommer til å komme ny produksjon inn i nettet på til dels andre måter enn tidligere, og nettkostnadene for ulike forbrukere er i dag veldig ulik. Mye av det handler om naturgitte årsaker. Vi mener fra vår side at nettkostnader er en samfunnskostnad som bør fordeles noenlunde likt på alle brukere i systemet, noe som ikke skjer i dagens system. Vi har derfor ment at det er helt nødvendig å justere distriktsulempene gjennom politiske grep, enten ved en egen eller ved å styrke den statlige tilskuddsordningen for å utjevne overføringstariffer, som denne regjeringen har behandlet så stemoderlig de tre årene de har sittet, som det de har gjort. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne støtter oss i det spørsmålet, men er desto mer overrasket over at Kristelig Folkeparti og Venstre ikke gjør det. Alarmen gikk hos kraftkommunene da det ble kjent at det skulle nedsettes et ekspertutvalg for å se på ordningen med konsesjonskraft og konsesjonsavgift. På bakgrunn av motstand fra Stortinget har statsråden nå varslet at han har lagt utvalget bort. Men jeg vil understreke at når statsråden i realiteten holder døra åpen ved å si at han kommer til å foreslå endringer gjennom såkalte forbedringer og forenklinger, er det grunn til å rette en pekefinger mot det. Det må ikke være slik at regjeringens planer egentlig er intakte, men at en nå har tenkt å angripe problemstillingen på annen måte å nedsette et ekspertutvalg. Derfor kommer Senterpartiet – og jeg regner med også stortingsflertallet – til å følge regjeringens bevegelser på dette området meget nøye. Det er en realitet at et flertall i Stortinget ikke ønsker såkalte forbedringer eller forenklinger som vil redusere verdiskapingen og inntektene til de norske kraftkommunene. Tidligere i dag har Stortinget gjennomført den største suverenitetsavgivelsen på et tiår i ekspressfart og uten at saken ble tilstrekkelig opplyst. Derfor synes jeg også det er grunn til å vise til de merknadene som mange av partiene er med på når det gjelder EUs energiunion og behovet for mer kunnskap om hvordan dette kommer til å prege det norske energifeltet framover i årene som kommer, kanskje spesielt Norges forhold til EUs energibyrå ACER. Jeg har registrert at statsråden har antydet at vi ikke har lest meldingen på dette punktet. Det er riktig at det står ti sider om EU og energipolitikk. Mye av det handler om klima. forsvinnende lite handler om EUs energiunion, og enda mindre handler om ACER og den innflytelsen det kan få på norsk energipolitikk. Det har blitt satt fram en stor mengde forslag gjennom energi- og miljøkomiteens innstilling, både fra posisjonen og måtte det kanskje bli når regjeringen i realiteten overlot til Stortinget å utforme en så stor del av politikken. Det har sine fordeler og ulemper, må jeg si. Fra Senterpartiets side er vi med på mange av forslagene som angår klimapolitikken, men vi har også vært tilbakeholdne med å gå inn på noen av forslagene som kunne vært politisk interessante, og det har vi vært fordi vi mener at noen av forslagene En lang rekke av forslagene hører hjemme i behandlingen av Nasjonal transportplan – og fortjener at vi ser dem i sammenheng med de øvrige utfordringene vi har på transportsektoren, i stedet for å behandle dem bitvis gjennom dagens energimelding. Jeg tror rett og slett det blir viktig at alle har klart for seg at det nå løper mange parallelle prosesser som alle vil ha konsekvenser for norsk energisektor og klimapolitikk – industrimeldingen, ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, strategi for bioøkonomi, grønn skattekommisjon og ikke minst oppfølgingen av Paris-målene mot 2030. Det er nødvendig å fylle det arbeidet med godt politisk innhold, men det må gjøres i flere sammenhenger enn i en energimelding. Når det gjelder transportforslagene, vil vi avvente og komme tilbake til det i neste års nasjonale transportplan. For Senterpartiet har det vært viktig at vi skal ha en klar strategisk retning for energipolitikken. Vi må ha noen tydelige krav å strekke oss etter. Vi må – som vi har gjort – utnytte fornybarressursene som dette landet sitter på, vi må utnytte flere av dem på en bedre måte enn tidligere, og vi må skape grønn vekst gjennom alle de mulighetene som dette landet har fått på energisiden. Med det tar jeg opp de forslagene Senterpartiet er med på. Da har representanten Marit Arnstad tatt opp de forslagene hun refererte til. Beskjeden fra klimakonferansen i Paris var klar: Skal vi klare å stoppe de farlige klimaendringene, må alle gå hjem og gjøre mer enn de har lovet til nå. Det er helt utrolig hvordan regjeringen har unnlatt å få med seg dette hovedbudskapet fra Paris. Hvis man lurer på hvorfor klimautslippene går opp i Norge, er det bare å se på regjeringens manglende klimakutt i den framlagte energimeldingen. Nina Jensen i WWF sa ventet 17 år på en energimelding, kunne vi godt ha ventet 17 år til når man så hva som kom. Jeg er enig med henne, for imens stiger de norske klimautslippene. Et enstemmig storting ba om en plan for utfasing av fossil energi. Det ligger ingen slik plan i energimeldingen. Et enstemmig krav fra Stortinget om å få en havvindsatsing er knapt omtalt. Det samme gjelder pålegget fra Stortinget om en hydrogenstrategi. Det som ligger i meldingen, er ikke noen strategi. Det ligger ingen satsing på energieffektivisering i bygg i meldingen, på tross av at utallige utredninger har pekt på potensialet. På tross av at omtrent en sjettedel av energiforbruket skjer offshore – og det er under hans eget departement – har energiministeren bare sett bort fra den energibruken, selv om det ligger et potensial her for å fase ut fossil energibruk og erstatte den med fornybar. Det eneste kraftfulle grepet som ligger i energimeldingen – eller skal jeg kanskje si det kraftløse grepet – er avskaffingen av grønne sertifikater. Dermed spennes beina bort under en fornybarnæring som er i oppstarten. Regjeringen pleier å si at de er tilhengere av forutsigbare rammevilkår, men hva sier man da til en næring som har hatt sertifikater i knapt fire år, som har minst så lang levetid på sine prosjekter, og i mange tilfeller mye mer? Nei, de som styrer oljenasjonen Norge, er seg selv nok og vil ikke satse på å få opp farten i det grønne skiftet. De foreslår 5 mrd. kr i kutt i Statkrafts offshore vindkraftsatsing, to tredjedels reduksjoner i støtten til fornybar energiutvikling i utviklingsland, kutt i all støtte til fornybar energi ikke ett øre ekstra til fornybar energi før 2032, hvis vi forstår flertallsmerknadene riktig. Det er langsiktighet for fornybarnæringen, men dessverre med feil fortegn. Vi har en regjering som ikke har fremmet ett eneste forslag som i vesentlig grad kutter klimautslipp. Resultatet ser vi: Klimautslippene øker i tråd med klimaministerens uttalte planer. Det som er bra med energimeldingen, kommer fra Stortinget. SV fremmet tidligere i år 49 forslag til klimakutt. Andre partier har fremmet andre forslag. Jeg vil gjerne referere det forslaget jeg forstår kommer til å få enstemmighet her senere i dag: «Stortinget ber regjeringen i forslaget forstår kommer til å få enstemmighet her senere i dag: «Stortinget ber regjeringen i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2029 fastsette måltall for antall lav- og nullutslippskjøretøy, herunder personbiler, varebiler, busser og tunge kjøretøy i 2025 som følger vedtatte klimamål og det teknologiske

Nye ferjer og hurtigbåter skal bruke biodrivstoff, lav- eller nullutslippsteknologi – det gjelder fra og med nå. Innen 2025 skal landstrøm og ladestrøm være tilgjengelig for skip i de største havnene og i de øvrige havnene som har størst potensial for utslippskutt. Inntil nullutslippskjøretøyene tar over, skal bensin- og dieselbilene som selges, være ladbare hybrider og i størst mulig grad kunne bruke biodrivstoff. Etter 2025 skal nye privatbiler, bybusser og Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 pst. av nye langdistansebusser og 50 pst. av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy. Innen 2030 skal varedistribusjonen være tilnærmet utslippsfri, i tråd med EUs ambisjon. Innen 2030 skal 40 pst. av alle skip i nærskipstrafikk bruke biodrivstoff eller være lavutslipps- eller nullutslippsfartøy. Innen 2030 skal minst 30 pst. av drivstoff til innenriks og utenriks luftfart være biodrivstoff. Offentlige etater skal i størst mulig grad benytte biodrivstoff, lav- og nullutslippsteknologi i egne og innleide kjøretøy og fartøy, og i 2050 skal transportsektoren være tilnærmet utslippsfri eller klimanøytral. Dette er det fagetatene sier. Disse ti punktene må altså følges opp i Nasjonal transportplan hvis vi skal klare å nå de ambisjonene som ligger der. Vedtaket i dag kommer til å være enstemmig. Det er i tråd med de forslagene SV fremmet i sine 49 forslag for klimakutt i transportsektoren. Testen på om dette følges opp, får vi ganske snart, når Nasjonal transportplan legges fram i løpet av det neste stortingsåret. Jeg må si at jeg har liten tro på at statsråd Ketil Solvik-Olsen vil legge fram en Nasjonal transportplan der han legger opp til at det skal foretas 50 pst. klimakutt i transportsektoren fram til 2030. Jeg oppfatter at det er naivt, men vi får se, og så får vi ønske alle de som skal prøve å påvirke ham, lykke til. I tillegg kommer det positive ting fra Stortingets behandling. Endelig sier et enstemmig storting nei til at vi skal kunne bruke fossil fyringsolje både som grunnlast og som spisslast i næringsbygg og i husholdninger. Vi venter i spenning på når lovutkastet kommer. Nå når beslutningen er fattet, regner jeg med at klimaministeren er i stand til å fortelle oss når lovframlegget vil komme. Han og forgjengeren har allerede brukt tre år på det. Det kommer et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygningsmasse, og det er avgjørende for å få folk med på klimadugnaden. Altfor få grep har vært rettet inn mot å få folk til å være med og kjenne på alvoret. Man kjenner aldri på alvoret så mye som når Jeg er glad for at Venstre og Kristelig Folkeparti fikk dette igjennom i forhandlinger med regjeringen. Det er ikke noen tvil om at disse vedtakene er mer ambisiøse enn det Arbeiderpartiets forslag var, og de er uendelig mye mer ambisiøse enn regjeringens forslag slik de ligger i energimeldingen. Det store tankekorset for Venstre og Kristelig Folkeparti, som vi også har hørt Arbeiderpartiet utfordre Venstre på at de må stå til ansvar for at nesten ingen av vedtakene vi fatter i dag, får vesentlige konsekvenser for utslippene i løpet av denne regjeringsperioden – perioden der Venstre og Kristelig Folkeparti har hånden på rattet, og perioden da Paris-toppmøtet sa det var avgjørende at vi så kutt. For imens øker utslippene i Norge, i tråd med klimaministerens planer. Vi har et par positive ting til. Vi får en innstramming av utbygging i vernede vassdrag. Henrik Asheim fra Høyre og statsråd Tord Lien ønsker seg utbygging i vernede vassdrag i mye, mye større grad enn det stortingsflertallet nå slår fast at vi skal ha. Nå skal dette forelegges Stortinget og bare vurderes i de tilfeller der helse og sikkerhet står på spill, og i de sammenhengene der naturens egen flomdempende mulighet er brukt opp. Vi avviser å røre konsesjonskraftregimet slik som det er i dag, men det er spørsmål ved dette som fortsatt er Vi avviser å røre konsesjonskraftregimet slik som det er i dag, men det er spørsmål ved dette som fortsatt er uavklart, all den tid regjeringen og støttepartiene sier at de skal fortsette å kikke på det. En klimamelding, sier altså Ola Elvestuen, og jeg oppfattet at også Tina Bru har sagt det – hun får korrigere meg hvis jeg tar feil. Det er ingenting i denne meldingen som forplikter regjeringen til å fremme ett forslag om vesentlige klimakutt i løpet av denne regjeringsperioden, verken på bilavgiftsiden eller på biodrivstoffsiden – det skal kunne komme mellom 2019 og 2020. Det er et paradoks at det nå settes veldig ambisiøse mål for hva slags bilpark vi skal ha fra 2025 og utover, mens Venstre og Kristelig Folkeparti har gitt regjeringen blankofullmakt til å opprettholde miljøkravet om 85 gram CO2 per kjørte kilometer for bilparken hele veien fram til 2020 – med andre ord ingen reell innstramming fra i dag. Det er lett å lage ambisiøse mål for framtiden, men skal vi stoppe de farlige klimaendringene, er det handling nå som teller – ikke hvor mange eller hvor ambisiøse mål man setter for framtiden. Høyre–Fremskrittspartiet-regjeringen er det beste eksempelet på det. De har ikke gjort noe annet i løpet av denne stortingsperioden enn å skylde på den forrige regjeringen og unnlate å handle og det er altså en regjering som styrer med Venstres og Kristelig Folkepartis velsignelse. Jeg tør minne om at i den rød-grønne perioden sank klimautslippene, mens i denne perioden har de steget. Jeg tar opp de forslagene vi er med på, og som vi gjerne skulle ha sett at det var flertall for, men som vi ikke får flertall for denne gangen. Men noen av dem har vi tross alt fått flertall for, og det er vi fornøyd med. Representanten Heikki Eidsvoll Holmås har tatt opp de forslagene forslagene han refererte til. Neste taler er

Vi stemmer for alle forslag som har flertall i dag. Vi gratulerer regjeringen med å ha flyttet seg betydelig i grønnere retning. Vi gratulerer Venstre og Kristelig Folkeparti med – antar jeg – å ha mye av æren for dette. Vi gratulerer Arbeiderpartiet og Senterpartiet med å ha mer forpliktende ambisjoner enn regjeringen har lagt seg på, og med gjennom det å ha bidratt til å presse flertallet i riktig retning. Og vi gratulerer SV med å ligge i forkant, sammen med Miljøpartiet De Grønne, og trekke klimapolitikken inn i energipolitikken. I dag skjerper Stortinget kravene til den kommende klimaloven, som bl.a. Miljøpartiet De Grønne var med på å foreslå, slik at den kan bli et redskap for å erstatte fossil energi med fornybar energi, gjennom årlige rapporteringer og krav om sektorvise utslippsbaner, slik vår intensjon opprinnelig var. Dette styrker muligheten betydelig for at Norge endelig kan komme i gang med en systematisk, forpliktende og helhetlig energi- og klimapolitikk, som vi altså har manglet fram til nå, og som vi har akutt behov for når vi skal gjennomføre store utslippskutt. Enstemmighet om satsing på et demonstrasjonsprosjekt for havvind betyr at Miljøpartiet De Grønnes forslag som ble vedtatt – riktignok i avrundede former – for en stund siden, og deretter boikottet av regjeringen både i behandlingen av Statkraft og i energimeldingen, nå i hvert fall forhåpentligvis skal virkeliggjøres. Sammen med enigheten om en nasjonal ramme for vindkraft gir dette bedre forutsigbarhet for vindbransjen og bedre muligheter for å utnytte vindkraften innenfor rammer som norsk natur tåler. Styrket satsing på ladenett for elbil og ikke minst utvikling av hydrogen i transportsektoren og industrien blir, hvis det gjennomføres, viktige teknologiløft. Vedtaket som i dag gjøres om 10 TWh energieffektivisering i byggsektoren, betyr også – hvis det blir virkeliggjort – at vi ut av ingenting. Det er også en gave til en byggsektor som vil nyte godt av den typen krav til å styrke næringens framtidige konkurransekraft. Sammen med utvidet forbud mot oljefyring og et vedtak om bedre tilrettelegging for plusskunder med solceller tegner det konturene av en byggsektor som kan bli en viktig leverandør av Og – nesten forbausende, må jeg si – i en periode hvor Stortinget har påført norsk natur en hel serie med virkelig stygge sår, setter Stortinget begrensninger på utbygging av vernede vassdrag. Forslaget fra regjeringen om det var opprørende i sin likegyldige forakt for norske naturverdier og for faglig grunnlag og naturvernpolitiske forpliktelser. Så på vegne av norsk natur og mange hundre tusen norske naturvernere sier jeg en lettet takk til Stortinget for akkurat dette. Stortingets politiske arbeid har løftet en ambisjonsløs og tiltaksløs energimelding til en innstilling og en rekke vedtak som kobler energi- og klimapolitikken sammen. Stortinget har gjort en bra jobb. Men det skulle også bare mangle, for Norge påtar seg altså nå forpliktelser overfor EU om store, konkrete utslippskutt på hjemmebane. Samtidig synker de enda mer krevende realitetene i Paris-avtalens ambisjoner langsomt inn i norsk politikk. Hele det norske samfunnet står overfor en kjempeoppgave med å levere på disse kravene, og dette er altså ikke lenger bare fromme politiske ønsker, det er ting vi er pukka nødt til å gjøre, og det fort. Derfor er det også nødvendig å konstatere at vedtakene som det blir flertall for i dag, er for få, og de er for Flertallet har, på sitt merkverdige vis i denne politiske behandlingen, plukket opp diverse forslag fra opposisjonspartiene, inklusive Miljøpartiet De Grønne, vannet dem ut til delvis utydelige mål og forpliktelser og gjort dem til sine. Hvorfor man venter til komitébehandlingen med å gjøre dette i stedet for å presentere noe i energimeldingen som det var litt saft i, kan kanskje energiministeren svare på etterpå. Det sier mye om utålmodigheten i Stortinget at det i innstillingen også ligger en lang rekke mer offensive forslag, ikke minst fra Miljøpartiet De Grønne, i tillegg til ytterligere lange rekker med forslag som er fremmet av andre partier i egne saker. Dette sier noe om et uoppfylt politisk potensial i energi- og klimapolitikken. På flere områder har vi ikke greid å få med oss flertallet. Mest oppsiktsvekkende er det kanskje at flertallet støtter regjeringens forslag om å avvikle sertifikatordningen for fornybar energi uten at det samtidig utvikles et nytt støttesystem. Miljøpartiet De Grønne er ikke imot å avvikle de grønne sertifikatene, men vi er overhodet ikke tilhenger av å gjøre det uten at det kommer noe annet på plass. Vi er i en situasjon hvor vi i 2016 avvikler støtteordningene for fornybar energi samtidig som vi opprettholder massiv subsidiering av oljevirksomheten. Det er et veldig risikofylt signal, og det må rettes opp. Fortsatt er det altså et flertall i Stortinget som har den oppfatning at norsk oljepolitikk ikke har noe med norsk energipolitikk å gjøre. Fossilkameratene fra Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Høyre, og Senterpartiet, med sine varierende støttespillere, fastholder at det er god klimapolitikk f.eks. å tilføre jordas atmosfære 900 millioner tonn ekstra som er det som vil komme ut av å brenne opp oljen fra Johan Sverdrup-feltet, og kanskje enda flere hundre millioner tonn fra nye felt i 23. konsesjonsrunde, bare produksjonen skjer med kraft fra land. Så lenge denne innbitte virkelighetsfornektelsen ligger til grunn for norsk energi- og klimapolitikk, kommer Norge til å slite med å gjøre sin del av klimajobben og slite med å komme oss gjennom et grønt skifte, som er en forutsetning for velferd og en trygg framtid. Jeg sa innledningsvis at arbeidet med energimeldingen har demonstrert hvordan politisk kraft kan skape endring, men også hvordan uvilje mot å bruke den politiske kraften fører til halvgode resultater i stedet for virkelig gode. Jobben Venstre og Kristelig Folkeparti har gjort med å flytte regjeringen, er god. Jobben Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gjort med å vise høyere og mer forpliktende ambisjoner enn regjeringen har gjort, er også god. Men hva om alle partier som mener at de er grønne, faktisk prioriterer øverst å være grønne? Behandlingen av energimeldingen er det beste eksemplet hittil i denne perioden på de mulighetene som ligger i Miljøpartiet De Grønnes oppfordring til grønne partier om sammen å sette både Høyre og Arbeiderpartiet under press. Hvor langt kunne vi fått med oss Høyre hvis valget de sto overfor, var flertall med de grønneste partiene eller å bli nedstemt? Arbeiderpartiet har langt bedre forslag enn regjeringen, men de er dårligere Hvor langt kunne vi fått med oss Arbeiderpartiet hvis de måtte velge mellom fossil enighet med Høyre og en betydelig mer ambisiøs politikk med de grønneste partiene? Miljøpartiet De Grønnes erfaring fra Oslo tilsier at vi kan få dem til å gå langt. Dette er et avgjørende spørsmål i norsk politikk: Hvor villige er partiene som kaller seg miljøpartier, til å prioritere makt til miljøpolitikk? Og hvor langt går det egentlig an å skyve Høyre og Arbeiderpartiet hvis miljø avgjør flertall og mindretall? Behandlingen av energimeldingen tilsier at disse partiene kan dyttes mye lenger enn vi har gjort nå, og tida fram til 2017-valget bør brukes til å gjøre akkurat det. Jeg tar opp de forslagene vi har fremmet. Representanten Rasmus Hansson har tatt opp de forslagene han refererte til. Neste taler er statsråd Tord Lien. Mens Tord Lien går opp, vil presidenten bemerke at «fossilkameratene» kanskje ikke er et helt parlamentarisk uttrykk. Det var ikke til deg; det ble bare sagt mens du gikk opp! Min mor brukte å si: Heller føre var enn etter snar. Jeg lurte på om det var et råd presidenten ville gi, i tilfelle jeg skulle si noe jeg ikke burde ha sagt, men det var det altså ikke. Det er greit å ha det avklart. La meg begynne med å takke både komiteen og ikke minst saksordføreren og flertallet for et godt arbeid med denne meldingen. I meldingen beskrives, som mange har pekt på – og det mener jeg er naturlig i en slik melding – det faktum at vi begynte å høste av de fantastiske vannkraftressursene våre for mer enn 100 år siden og skapte grunnlaget for av Norge og utviklingen av velferdsstaten. Vi har også forsøkt å beskrive hvordan energiforvaltningen og prinsippene for energiforvaltning har tjent oss alle veldig godt, med tanke på at vi har utviklet et utgangspunkt hvor energiressursene skal høstes og forvaltes på en måte som kommer hele det norske folket til gode. Både kraftforvaltningen og senere olje- og gassforvaltningen har tjent oss alle veldig godt. Vi har også i energimeldingen forsøkt å beskrive hvordan landene rundt oss nå har store utfordringer i sitt kraftsystem med stort innslag av dyr og i mange land – atomkraft og store innslag av forurensende kullkraft, som både er kontroversiell og bidrar signifikant til klimagassutslippene, og hvordan mange land har økende utfordringer med integrasjon av ny fornybar, ikke-regulerbar kraft, som vind og sol, mens vi i Norge har et helt annet og veldig godt utgangspunkt for tiden framover. Vi har store fornybare energiressurser i form av den vannkraften vi har utbygd og den vannkraften vi kan bygge ut framover, men også i form av vind både langs hele kysten og i store deler av energiforsyning som til tross for at vi er et stort land med forholdsvis grisgrendt befolkning, er effektiv og sikker, og som har svært lave klimagassutslipp. Det glemmes ofte at hvis vi hadde erstattet vår kraftforsyning med en kraftforsyning som hadde helt lik energimiks som energimiksen i Europa, representert en og en halv gang de totale norske klimagassutslippene, men det gjør den altså ikke, fordi den er basert på fornybare energikilder. Vi bruker også denne fantastiske fornybare energien til mye mer enn de fleste av våre naboland, ikke bare til varme i husene våre, men i større og større grad og mer enn noe annet land også til mobilitet og transport. Vi har i dette store landet bygd et godt overføringsnett, noe denne regjeringen har styrket satsingen på. Vi kommer om kort tid til å ha bundet sammen alle våre landsdeler med et velfungerende 420 kV nett, og vi er – og det er viktig i dag, og vil bli viktigere i tiden framover – tidlig ute med å ta i bruk nye teknologiske muligheter. Dette er et godt utgangspunkt for viktig energi- og klimaarbeid i tiden som ligger foran oss. Vi er ikke kommet hit av oss selv, og det kommer ikke til å opprettholdes av seg selv i framtiden heller. Derfor har vi lagt fram denne meldingen, hvor forsyningssikkerhet, klima og verdiskaping ses i sammenheng. Til tross for at verden rundt oss har endret seg i rekordfart, er det første gang på 17 år en slik melding er lagt En av de store endringene er at vi knyttes stadig nærmere energimarkedene rundt oss. Det bygges mer nett, og det blir derav mer handel over grensene. Det gjør selvfølgelig også at vi trenger allierte i vårt arbeid mot EU. Det nordiske samarbeidet blir dermed viktigere. Jeg er glad for at en samlet riksdag – alle partiene i Riksdagen – før helgen understreket hvor viktig et fortsatt sterkt nordisk samarbeid er, noe regjeringen også har lagt vekt på i sin energimelding. Vi vet også at i EU ønsker man tettere samarbeid om energipolitikk. Man ønsker å bevege seg bort fra 28+3-energipolitikk til noe som ligner mer på én energipolitikk. Dette er et arbeid som denne regjeringen med flere statsråder følger tett, for å ivareta overordnede nordiske og europeiske interesser, men også for å ivareta norske særinteresser på energifeltet i dette arbeidet. Selv om det står bra til med ting i stort, har vi også utfordringer å håndtere i tiden framover. Energisystemet vårt er solid, men det må også rustes opp og reinvesteres i. Det er ingen tvil om at de sterke subsidiene, både i Skandinavia og i Nordvest-Europa, har gjort at vi har utviklet nye industrier og ny produksjon. Fornybaroverskuddet er økt, med de mulighetene det gir, men det har også utfordret lønnsomheten i opprusting av eksisterende infrastruktur. Vi må også i tiden framover sikre at storbyene i Norge og industrien vår får tilgang på den kraften de trenger, både for å opprettholde dagens forbruk og for å fase ut fossil energi, noe gjør at vi må ta i bruk fornybar energi også i andre deler av landet i større grad enn tilfellet er i dag. På denne bakgrunn har vi lagt fram en energimelding med fire innsatsområder: styrket forsyningssikkerhet å fortsette å skape verdier som vi kan finansiere velferdsstaten med, basert på vår fornybare energiressurs mer effektiv og klimavennlig bruk av energi, først og fremst i industrien og i transportsektoren å fortsette å utvikle en industri i tilknytning til våre fornybare energiressurser Jeg har vært inne på at vi har et godt nett. I tiden framover kommer det ikke til å være økt volum av kraft verken det norske kraftsystemet eller landene rundt oss kommer til Det som kommer til å skape utfordringer for energisystemene og kraftsystemene spesielt i tiden framover, er effektubalanse. Vi har håndtert noen av disse utfordringene tidligere gjennom tett samarbeid med Europa og ikke minst Norden. Det er det naturlig at vi gjør også i tiden framover. Så må vi fortsette å utvikle og ruste opp både distribusjons- og transmisjonsnettet, men vi må også ha bedre koordinering av produksjon og forbruk. Det vil altså si at vi har et meget fleksibelt system på produksjonssiden. Så må vi også utvikle et system med mer fleksibilitet på forbrukssiden i tiden framover. Det må vi gjøre for å få plass til mest mulig vindkraft i det norske systemet og for å få plass til flest mulig elbiler. Da må vi ha fleksibilitet også på forbrukssiden. Det at vi får flere effektutfordringer i både vårt eget og våre naboers kraftsystemer i tiden framover, vil gjøre vannkraften enda mer verdifull enn den tidligere har har hørt på debatten en stund. Jeg hørte noen si at vi liksom ikke har kommet med noen politikk i denne meldingen. Jeg har lyst til å gå gjennom hva jeg skjønner jeg har flertallet med meg på i dag. Det ene er oppheving av Samlet plan. Vi ber om å få innføre et nytt instrument, nemlig tidlig avslag på konsesjonssøknader, noe vi ikke har hatt Vi tar til orde for nasjonal ramme for vindkraft. Vi tar til orde for at Enova for første gang skal ha et klimamål de skal rapportere på. Vi tar til orde for at Enova skal prioritere transport og industri. Vi har varslet at vi ønsker å be NVE om å endre praksis ved innsigelser, slik at innsigelsesmyndighet og Vi ønsker å overføre konsesjon for fjernvarme til kommunene. Vi har allerede – som er omtalt i meldingen, men som allerede enten er foreslått eller innført – redusert elavgiften for grønne datasentre. Vi har åpnet for annet eierskap til utenlandskabler enn Statnett og staten. Vi har endret industrikonsesjonsloven, allerede vedtatt i Stortinget, som gjør det mer forutsigbart for industrien å Vi har bedt NVE vurdere å beholde innmatingstariffen i lavere nett og utrede det. NVE er allerede i gang med å innføre en plusskundeordning fra neste år, og vi har styrket innsatsen på fornybar kraft voldsomt. Vi har også tatt til orde for å gjøre en vurdering av konsesjonskraftordningene. Det noterer jeg meg at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet

Et av temaene som er mye omtalt i meldingen, og som er ganske vesentlig i framtiden, er hvordan vi håndterer den fornybare kraften vi allerede har investert mye i, altså reinvesteringer, vedlikehold og oppgraderinger av eksisterende vannkraftanlegg. Energi Norge peker på at de ser med bekymring på at grunnlaget for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i fornybar energi ikke er til stede. Da er mitt spørsmål til statsråden: Hvordan vurderer statsråden situasjonen opp mot mulighetene til reinvesteringer, og hva må til for at man skal kunne klare å vedlikeholde de fantastiske verdiene som er der? Jeg skal forsøke å svare på det, men jeg la merke til at representanten Aasland i sitt innlegg gjorde seg noen refleksjoner om hvorvidt dette er en kraftmelding eller en transport- og klimamelding. Da vi la fram denne meldingen, var jeg for det første glad for at Arbeiderpartiet støttet noen av de viktigste grepene allerede med en gang, men jeg husker at da var noe av kritikken at det var for lite klima i meldingen. Nå høres det nesten ut som om det er for mye klima i innstillingen. Energimeldingen har i all hovedsak fått oppslutning fra et betydelig flertall i Stortinget. Det er jeg selvfølgelig glad for, men jeg noterer meg at det var for lite klima først og for mye klima nå. Da er jeg glad for at balansen ligger et sted mellom Kristelig Folkeparti og Venstre på den ene siden og Fremskrittspartiet og Høyre på den andre siden. Det er et veldig trygt sted å være. Så er det helt riktig at nettopp på grunn av de store subsidiene i Nordvest-Europa, også i Norge, noe vi har vært med og fått flertall for, er det en betydelig ubalanse i systemet nå. Derfor er det viktig at vi får tatt kraften i bruk for å styrke lønnsomheten i norske vannkraftverk i tiden framover. Jeg registrerer at statsråden velger ikke å svare. Det synes jeg er beklagelig, og jeg må da prøve igjen, fordi det er adressert en veldig tydelig problemstilling knyttet til eksisterende eldre vannkraftanlegg i Norge, som sårt trenger reinvesteringer. De er bygd på 1950-, 1960-, 1970- og 1980-tallet og står nå overfor et prekært behov for vedlikehold. Og så er det veldig tydelig signalisert fra en samlet kraftbransje, et samlet produsentmiljø, at grunnlaget for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i fornybar energi ikke er til stede. Da spør jeg igjen og håper at statsråden vil svare: Hvordan vil statsråden legge til rette for at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i fornybar energi kan bli et grunnlag for reinvesteringer og vedlikehold av svært verdifulle ressurser for Norge som samfunn? Vi har redegjort grundig i energimeldingen for behovet i transmisjonsnettet, der vi er godt i gang, og også for behovet